Presidenten vil opplyse om at det etter kontrolltelling i forbindelse med Stortingets konstituering ved valg av femte visepresident ble avgitt 160 stemmer, mot tidligere annonsert 159 stemmer. Det var 129 stemmer for representanten Abid Q. Raja. Representanten Geir Pollestad vil fremsette et representantforslag.

Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil 6 replikker til hvert innlegg, deretter 41 innlegg på inntil 5 minutter som avvikles i sin helhet på første debattdag og fordeles slik mellom partiene: Arbeiderpartiet 13 innlegg, Høyre 10 innlegg, Fremskrittspartiet 6 innlegg, Senterpartiet 5 innlegg, Sosialistisk Venstreparti 3 innlegg, Venstre 2 innlegg og Kristelig Folkeparti 2 innlegg. Det åpnes for inntil fire replikker på hvert innlegg etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og etter ett av innleggene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti. Syv statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil 6 replikker. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Fredagens møte settes kl. 9 og starter med et innlegg fra statsministeren på inntil 15

Det var handlekraft i møte med store utfordringer. Det skjedde ikke av seg selv. Det var dramatikk og politisk strid, men ideen om et samfunn med muligheter til alle sto sterkt. Det moderne norske velferdssamfunnet løftet flertallet og ga dem trygghet. Flertallet tok ansvar. Vi lever ikke etter en krig og en frigjøring, men opplever vi slik handlekraft i møte med de store endringene vi er på vei mot, i vår tid? Vi skal gjennomføre store kutt i klimagassutslipp, møte omfattende teknologiske endringer, gi de unge framtidshåp, ta hele landet i bruk, skape nye jobber og gi våre flere eldre trygghet. Lever vi opp til målet om at alle skal med? Vi kan bedre enn i dag. I stedet for likere muligheter til alle, øker forskjellene i Norge. Tre av ti norske husstander har dårligere råd enn i 2013. 10 pst. nordmenn har 60 pst. av formuen i landet vårt. I stedet for å bygge sterkere fellesskap der vi tar ansvar sammen, øker polariseringen mellom grupper av oss, ofte heiet fram av politikere, også medlemmer av regjeringen. I stedet for å bygge Norge videre med likeverd og trygghet mellom by og land, opplever folk utenfor de store byene press på at tjenester flyttes fra nært til fjernere – aller sist ved forslag om en kraftfull sentralisering av domstolene. I stedet for å stille opp for dem som strever, opplever sårbare grupper at det kuttes i ytelser, som når folk mister arbeidsavklaringspengene og ender på sosialhjelp. Senest i dag får vi et varsel om nye kutt eller bare for noen uker siden: det uakseptable forslaget om å kutte en rettferdig skjerming av uføre på vei mot pensjonsalder. I stedet for å samle landet – alle oss, kvinner og menn, familier, arbeidstakere, bedrifter og forskningsmiljøer – til en historisk klimadugnad for å kutte utslippene på en rettferdig måte, er vi vitne til en regjering der hvert grønne skritt skal kompenseres med et grått. Norge kan bedre. Vi kan bedre sammen. Valget i høst og forhandlingene i kommuner og fylker de siste ukene forteller om et politisk værskifte. Valget var et tydelig nei til mer høyrepolitikk. De fire regjeringspartiene fikk 36 pst. av stemmene. I 2013 fikk bare Høyre og Fremskrittspartiet til sammen over 43 pst. For Arbeiderpartiet var valgresultatet en skuffelse. Vi samler oss for å vinne tilbake tillit fra velgerne. Det skal vi gjøre hver dag fram til valget i Likevel vil vi ha ledende ansvar i mange kommuner og fylker. Opp mot 60 pst. av befolkningen kan komme til å bo i en kommune styrt av en ordfører eller byrådsleder fra Arbeiderpartiet. Vi skal være en tydelig lokal og regional motmakt mot urettferdig og usosial politikk fra denne regjeringen. Men så skal vi se lenger. Vi skal arbeide for et nytt flertall i 2021. Hva er de store utfordringene som vi må samle krefter for å løse sammen? For det første: Å sikre arbeid til alle er og vil alltid være grunnsteinen i Arbeiderpartiets politikk – trygghet for jobb og trygghet på jobb. Regjeringen sier en del om det i trontalen, men den har ikke levert det nødvendige gjennom sine seks år ved makten. Vi vil bidra til et seriøst arbeidsliv i kommunene og i fylkene der vi styrer, og her på Stortinget vil vi fremme forslag. Flere skal ha likere muligheter, og færre skal falle fra. Mange hundre tusen nordmenn står utenfor arbeidslivet. Mange skvises ut – seniorer, ungdom uten fagbrev, personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må ha et inkluderende arbeidsliv, og nøkkelen til det er kompetanse. Derfor vil vi styrke ansattes rettigheter til kompetanse og sette av større midler til en kompetansereform som utgjør en forskjell i arbeidslivet. For det andre: Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken – grunnleggende trygghet, beredskap som virker i hele landet, og ikke minst en lønn og en pensjon å leve av. Det betyr bl.a. pensjon fra første krone for nær én million nordmenn som ikke har denne rettigheten, og det betyr at våre eldre ikke skal gå i minus når pensjonene reguleres, når lønnstakerne går i pluss. Det gjelder også å sikre tryggheten for kvaliteten i barnehage, skole, helse og eldreomsorg, uavhengig av lommebok og hvor i landet man bor. Da må kommunene få mer penger til å sikre vanlige folks velferd. Det har vi foreslått seks år på rad, og høyrepartiene har stemt oss ned. Vi sier også nei til videre kommersialisering av velferden. Vi skal ikke ha store konserner og kjeder inn i eldreomsorgen og barnehagene. Vi kan bedre sammen. Når vi utvikler velferdsstaten videre den trenger reformer, tiden for reformer er ikke over – skal vi legge større vekt på menneskers møte med den velferdsstaten: unge mennesker som får hjelp for sent i Nav, pasienter som faller mellom alle stoler i helsetjenesten fordi de har to eller tre sykdommer samtidig. Vi skal være ombudsmenn og -kvinner for dem. For det tredje skal vi sørge for å utvikle hele landet, både by og land. Vi skal desentralisere det vi kan. Vi trenger en politikk og et politisk skifte som kan tilby utdanning nærmere der folk lever, og der de skal arbeide, fastlege og helsetilbud nærmere der de bor, og sørge for at distriktene – der naturressurser som fisken og kraften kommer fra – får beholde mer av verdiskapningen hos seg, til videre utvikling og investering. Derfor sier vi også nei til det siste forslaget om å ta inntekter fra kommunene som har bygget ut vannkraften gjennom historien.

på ny og moderne industri. Vi skal jobbe med dem, ikke mot dem, utvikle, ikke avvikle. Vi skal stille tydelige krav. Utslippene skal ned. Vi skal som fellesskap stille opp i partnerskap med bedrifter og fagmiljøer og bygge nye, grønne industrier på skuldrene av den eksisterende – havvind, hydrogen, skipsfart og skogsindustri – og vi skal ha store ambisjoner for storskala karbonfangst og -lagring. Det er helt avgjørende for å lykkes globalt i å kutte klimagassutslippene og for å nå klimamålene. Regjeringens signaler om dette i trontalen skaper usikkerhet – det motsatte av hva vi trenger nå. Landet trenger en ny retning, og da trengs det et nytt flertall. Det vil Arbeiderpartiet bidra til. Hver dag de neste to årene skal vi markere et tydelig alternativ til høyreregjeringens kurs som øker forskjellene og svekker fellesskapet. For Norge kan bedre. bedre. Da ønsker jeg også å referere til de forslagene som er lagt inn fra Arbeiderpartiet. Representanten Jonas Gahr Støre har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Vi har nettopp lagt bak oss et kommunevalg som vel ikke var noen supersuksess for verken Arbeiderpartiet eller Høyre. Når det gjelder Arbeiderpartiet, ser vi jo at det representanten Støre nå skisserer, er at han ønsker å gå lenger til venstre. Han ønsker å gå vekk fra reformer han har vært med på. Det så vi gjennom valgkampen, der politireformen ble lagt på hylla, og der mange av de viktige grepene innenfor skolepolitikken for å sikre bedre kompetanse og kvalitet i utdanningen også ble lagt på hylla. Betyr dette at det representanten Støre nå varsler, er en kraftig venstredreining i Arbeiderpartiets politikk, som vi har sett tendenser til den siste tiden? Det dette betyr, er at Arbeiderpartiet videreutvikler en moderne sosialdemokratisk politikk som svarer på utfordringer som oppstår, som leser utviklingen når den skjer, som ser at den politikken regjeringen legger opp for skolene våre, sørger for at vi nå har et rekordantall ufaglærte lærere i skolen, og som ser at dyktige lærere i et fag ikke får undervise i det faget fordi de har dårlige eller ikke gode nok karakterer i et annet. Det er feil politikk. Vi lærer av det. Dette landet trenger nye reformer. Arbeiderpartiet ville foreslå dem. Vi stemmer for de reformene vi mener er riktige i utgangspunktet, og så holder vi regjeringen ansvarlig for hvordan de utvikler dem. Politireformen er ikke utviklet i riktig retning. Folk som jobber i politiet, folk som trenger politiet, ser det hver dag. Det tar vi ansvar for, og vi vil legge inn forslag som peker ut en annen retning for hvordan de grunnleggende trygghetstjenestene blir fulgt opp og erfart av
Dette betyr rett og slett at når Arbeiderpartiet stemmer for en reform eller går inn for noe her i Stortinget, har det en tidsfrist. En vil se an litt og vurdere hva Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener, og så vil Arbeiderpartiet snu på flisa og si: Ja, Trygve har egentlig rett. Det er jo det vi har opplevd de siste årene, at Arbeiderpartiet stadig har tilnærmet seg politikken på denne måten: Ja, vi stemmer for, vi inngår et forlik, og så går vi vekk fra det. Jeg synes ikke det virker som et troverdig styringsparti. Representanten Jonas Gahr Støre viste til Einar Gerhardsen i åpningen av sitt innlegg. Det var vel ikke slik Gerhardsen opererte, at han hele tiden kikket rundt og så hvordan de andre partiene la opp politikken sin, for så å snu på flisa, flisa, snu kappen etter vinden og så endre politikken? Det er jo der Arbeiderpartiet er i dag. En er ikke et troverdig styringsalternativ når en hele tiden flytter seg etter det de andre partiene på venstresiden er ute etter. Derfor mener jeg at Arbeiderpartiet går til venstre. Einar Gerhardsen var heldig stilt ved at han slapp å inngå forlik med Høyre i mange saker. Men det Arbeiderpartiet gjør når vi inngår forlik, er at vi følger nøye med på hva som skjer. Vi kan inngå forlik om intensjoner – det har vi gjort – men erfaringene med det er veldig Jeg sier ikke nei til å inngå forlik om kloke ting for landet, men jeg har hatt seks års erfaring med hva denne regjeringen gjør når den inngår avtaler på tvers av de politiske skillelinjene: De informerer ikke sine partnere, de informerer ikke om hvordan utviklingen er, hvordan utfordringene kommer, hvordan det trengs justeringer. Vi må sitte og se på en utvikling som går i gal retning i forhold til hva som ble vedtatt. Det sier noe om erfaringene med å inngå avtaler med denne regjeringen, og de erfaringene har vi lært av. Men vi kan tenke selv: Hva trenger landet? Hvor er vi på vei? Hvor trenger vi å justere? Og vi lytter til folk når de erfarer konsekvensene av en politikk som øker forskjellene, som er usosial med tanke på de behovene nordmenn har. Høyre vil da også i fremtiden erfare at Arbeiderpartiets stemme er veldig tydelig på det. Det finnes et annet flertall som vil gå i en annen retning, og det vil vi bidra til. Det er til. Det er interessant at Jonas Gahr Støre startet med å prate om Einar Gerhardsen og tv-serien om ham. Før i tiden var Arbeiderpartiet et parti man kunne stole på i politikken og i inngåelsen av avtaler, men når det gjelder beredskapssenter har Arbeiderpartiet vinglet fram og tilbake, og når det gjelder nærpolitireformen har Arbeiderpartiet vinglet fram og tilbake. Og ikke minst, for kort tid Arbeiderpartiet også når det gjelder hva man mener om olje- og gassutviklingen i Norge, hvor Jonas Gahr Støre plutselig sier at vi ikke kan hente ut alle olje- og gassreservene i Norge. Jonas Gahr Støre ønsker å samarbeide med Miljøpartiet De Grønne, som ønsker å legge ned oljenæringen i løpet av de neste 15 årene. Det er da vanskelig å vite hva Arbeiderpartiet egentlig ønsker, og hvilke velferdsordninger Arbeiderpartiet ikke lenger vil ha, når man ønsker å ta bort den viktigste næringen, som skaper inntekter og verdier som gjør at vi kan gi gode velferdstjenester til innbyggerne i landet vårt. Det var vel et innlegg, men jeg kan jo tolke et spørsmål ut av det. Arbeiderpartiet vil utvikle, ikke avvikle den industrien. Den har en unik kompetanse. Hvis vi setter en sluttdato eller avvikler den, vil kapital, forskning, fagfolk og unge De skal gis nye oppgaver og støtte til å utvikle ny industri som får utslippene ned, og som leverer industrielle løsninger for det. Jeg så et godt eksempel på det tidligere denne uken. I Longyearbyen fyrer de med kull for å ha kraft. Det er den mest forurensede byen i Europa. Den kan på ti år bli den reneste byen i Europa hvis industrien får utvikle nye løsninger, med fornybar energi, på nye måter. Det er veien å gå. Da skal vi satse på den industrien. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok veldig tydelige mål om det. Dette står hele Arbeiderpartiet bak, det er i vårt program, og det kommer til å være vår ledetråd når vi skal stake ut veien for en rettferdig omstilling, der folk kan få nye jobber og kan være trygge for jobbene sine, og der folk kan være med på kompetanseutviklingen. Et velorganisert arbeidsliv er kompetanseutviklingen. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Fagorganiseringen må derfor fremmes, og respekten for praktiske yrker må økes. De sakker nå akterut økonomisk, og dette må snus. Fri arbeidsinnvandring som følge av EØS-avtalen, med dyktige folk fra Øst-Europa som er vant til høy legger derfor nå grunnlaget for at det går nedover med arbeidsvilkårene i en rekke bransjer. Det gjelder fagfolk som murere, malere, sveisere, husdyrbrukere, fiskefagarbeidere, langtransportsjåfører, kabinansatte, hotell og restaurant, handel og service, og jeg kunne nevnt mange, mange flere. Dette er store, avgjørende yrkesgrupper som drifter og bygger Norge hver dag. Arbeiderpartiet sier at de vil utnytte handlingsrommet i Vil Arbeiderpartiets leder ta initiativ til å få regulert den frie arbeidsinnvandringen fra EØS-området utenfor Norden for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for vanlige arbeidsfolk i Norge? Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen, og vi mener at den er en god avtale fordi den regulerer økonomien og setter lover og regler rundt den på en måte som også gjør det mulig å ha et trygt arbeidsliv. Det krever en regjering som følger opp på nasjonalt plan,

at det er norsk på arbeidsplassene – viktige forutsetninger for å trives – samtidig som vi er en del av et Europa hvor man kan jobbe i andre land. Men det skal skje etter norske standarder, med norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er et mål som Arbeiderpartiet har helt klart i sitt program. I likhet med representanten Gahr Støre savnet jeg i går klimaambisjonene til regjeringen. I forrige uke deltok regjeringen på klimatoppmøtet i regi av FNs generalsekretær. Hans mål var å få inn løfter om større utslippskutt i kampen mot klimakrisen fra rike land. Regjeringen hadde ingenting nytt å komme Men kanskje kan vi håpe på et taktskifte når Gahr Støre nå etterlyser større klimaambisjoner fra regjeringen. Så da er mitt spørsmål: Hvilke økte ambisjoner mener Gahr Støre og Arbeiderpartiet at Norge bør ha i kampen mot klimakrisen? Hvor store kutt skal vi ta innen 2030? Og er Arbeiderpartiet villig til å stanse åpningen av nye oljefelt? Målene for våre kutt er nedfelt i avtaler vi har inngått internasjonalt. Det er helt avgjørende. Jeg tror også det er avgjørende at vi gjennomfører dem i en europeisk sammenheng, i samarbeid med EU, men at vi også har større ambisjoner: at vi tar kuttene i den såkalte ikke-kvotepliktige sektoren hjemme og sender Det omfatter jo alle deler av økonomien. Jeg opplever en regjering som sender uklare signaler til folk, bedrifter, oss alle i landet, om hvilke bidrag de kan gi. Dette må også bety noe i den enkelte families liv. Vi ser at byer som Oslo og Bergen har kuttet klimautslippene kraftig fordi de har mobilisert folk til å være med på det. Vi skal nå de forpliktelsene vi har satt oss, og vi skal også bidra til at våre løsninger kan brukes internasjonalt. Derfor er fangst og lagring av CO 2 et område vi bør komme i gang med, i samarbeid med Europa, i samarbeid med land internasjonalt. Det er også, som jeg har sagt, et aktivt samspill med industrien for å utvikle nye løsninger som går mot nullutslipp på sokkelen i Norge, og som går mot løsninger hvor vi kutter utslipp i alle sektorer av det industrien vår tilbyr på land, noe som også kan skape bærekraftige eksportprodukter.

som først og fremst kommer familier som allerede har god råd, til gode, prioriterer Venstre og regjeringen dem som trenger det mest. Ett eksempel er milliardløftet fra valgkampen om gratis skolemat til absolutt alle. Et annet eksempel er når Arbeiderpartiet har gått hardt ut og kritisert regjeringen for å øke maksprisen i barnehage med en femtilapp, samtidig som de har vært kritiske til ordningen med gratis kjernetid for dem med dårligst råd

men det kan være en felle. Det kan låse folk i en fattigdomsfelle. Hvis en er under den inntekten i familien, får en et gode, med skolefritidsordning eller billigere barnehage. Går en over den grensen i arbeidslivet, mister en den rettigheten. Det ønsker vi ikke. Universelle velferdsordninger har sin styrke i å sikre legitimiteten til velferdsstaten. Vi kan ikke ha universelle velferdsordninger på alle felt, til alle tider, også i en tid da vi får større behov for å prioritere. Men jeg tror veien denne regjeringen har lagt ut på, ved at en gir fra velferdsstaten til dem som har aller minst, og det ofte skal betales av dem som har litt mer, er
Replikkordskiftet er dermed omme. Norge er et samfunn med små forskjeller, med trygghet og tillit mellom folk. I skolen lærer elevene mer, helsekøene er lavere enn i 2013, det bygges rekordmye vei og bane, og arbeidsledigheten er lav – ja, faktisk den laveste på mange år. Men etter et par fredfulle tiår opplever nå mange verden igjen som urolig. Vi har opplevd en okkupering av Krim, hybridkrigføring, terror, brexit og tegn til global handelskrig. Hendelser utenfor vårt rike påvirker hverdagen her hjemme, for virksomheter, for arbeidstakere, for myndigheter – ja, for hele Norge. Et trygt Norge er grunnmuren for velferdssamfunnet. Derfor har denne regjeringen hatt som høyeste prioritet å styrke Norges forsvarsevne og beredskap. Forsvaret har vært en vekstvinner i budsjettene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har stilt seg bak, og de neste 20 årene skal vi bruke mer enn 1 000 mrd. kr på å styrke det norske forsvaret.

framover, at vi fører en politikk som er med på å fornye Norge og gjøre landet vårt enda bedre. I årene som kommer, må vi jobbe videre med å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Vi som sitter i denne sal, har et viktig forvalteransvar for framtidige generasjoner. Vi må sørge for å gi barna som vokser opp, trygghet for klimaet, for jobbene og for velferden vår. Utfordringene for velferdssamfunnet er mange, men de kan løses med den riktige politikken. Klimaendringene vil merkes sterkere, inntektene fra olje og gass vil gå ned, og det vil bli færre i jobb bak hver pensjonist. For å ta vare på Norge som verdens beste land å bo i må vi omstille norsk økonomi til å bli grønnere, vi må bruke pengene smartere, og vi må kvalifisere flere for framtidens jobber. Den viktigste oppgaven samfunnet står overfor de kommende årene, er å redusere Når president Trump har meldt USA ut av Parisavtalen og Kina fortsetter med å bygge ut kullkraft, er verden for langt unna målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Derfor må Norge jobbe enda mer for å redusere klimagassutslippene, men uten å stoppe utviklingen. Rundt 80 pst. av norske utslipp er omfattet av avgift eller kvoter. Hvert eneste år gjør denne regjeringen det dyrere å forurense fordi det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Men klimakrisen løses ikke innenfor nasjonalstatens grenser alene. Klimapolitikken må bygge på et globalt samarbeid, der verdenssamfunnet går sammen om de gode løsningene. Verden trenger også land som Norge, som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslipp uten at den økonomiske veksten stagnerer. Derfor vil denne regjeringen gjøre mer. Oppgaven med å kutte utslipp nasjonalt så vel som internasjonalt er vi godt i gang med. Bare se f.eks. på hvor mye vi har gjort, og hva som har skjedd, innenfor transportsektoren: I år ligger det for første gang an til å bli solgt flere elbiler enn fossilbiler. Flere elbusser inntar byene våre. Fergene blir elektrifisert. Norge kan bli testland for elfly. Det lanseres elektriske fritidsbåter. Norge er først ute med å erstatte drivstoffpumper med hurtigladere. Det siste tiltaket gleder meg. Jeg har selv kjørt elbil i sju år, og fra å ha hatt rekkeviddeangst for å kjøre fra Drammen til Oslo kan jeg nå – med den nye, billige elbilen min – kjøre Oslo–Bergen uten å lade. Det kalles innovasjon og tekniske framskritt, og det er det vi trenger i kampen for et grønnere samfunn. Men ingenting av dette har skjedd av seg selv. Det er aktiv politikk. Til våren kommer «klimakur», en plan for hvordan vi skal få til kutt på minst 50 pst. Den inneholder konkrete grep som må gjøres i bransje for bransje, i hele landet, for at vi skal lykkes med å nå målet for 2030. Det er mye som går bra i Norge. Den økonomiske veksten er solid, bedriftene investerer mer, og det skapes nye jobber. De siste tiårene i norsk historie har vært preget av økonomisk vekst og rikdom. Det har gjort oss politikere privilegerte. Vi har opplevd voksende budsjetter som har gitt oss stort økonomisk handlingsrom til å bygge opp et velferdssamfunn vi kan være stolt av, alle sammen. Skolene våre er tilgjengelige for alle, helsevesenet hjelper dem som trenger det, og vi har et godt sosialt sikkerhetsnett. Men når vi vet at inntektene fra olje og gass vil falle de kommende tiårene, må vi finne ut hva vi skal leve av for å Venstresiden har det siste året fremmet flere forslag som trekker i feil retning, forslag som legger begrensninger på næringsliv og utvikling, framfor å tilrettelegge for vekst og verdiskaping. Venstresiden, i sine ulike avskygninger, har sagt nei til olje og gass, til deler av reiselivsindustrien, til vindmøller, til vannkraftverk og til havbruk. Hva skal vi leve av da? Vi kan ikke bare diskutere hvordan vi skal bruke pengene våre, vi må også diskutere hvor vi skal få pengene fra, vi må prioritere hva pengene skal brukes på. Vi har lagt bak oss et kommune- og fylkestingsvalg hvor det har blitt enda tydeligere hvilket politisk alternativ vi har til denne regjeringen. Det er et alternativ som sier nei til private bidrag i velferdstjenestene, nei til viktige reformer og nei takk til selve livsforsikringen for norsk velferd og næringsliv, EØS-avtalen. Konsekvensen av nei, nei og atter nei er et alternativ som sier nei til private bidrag i velferdstjenestene, nei til viktige reformer og nei takk til selve livsforsikringen for norsk velferd og næringsliv, EØS-avtalen. Konsekvensen av nei, nei og atter nei er at offentlige budsjetter vil eksplodere, vanlige folk vil måtte betale mer i skatt, offentlig sektor vil ese ut, og det vil bli skapt færre jobber i privat næringsliv. Det er ikke bærekraftig, fordi en fortsatt stor og generøs offentlig sektor krever høy verdiskaping i andre private For å få til det trenger vi en borgerlig ja-regjering, ikke en sosialistisk nei-regjering. Arbeiderpartiet har lagt seg på Rødts linje i velferdspolitikken: Ingen private skal få tilby sine tjenester slik at vanlige folk kan velge hvem som skal stå for eldreomsorg eller hjemmehjelp. Høyre vil fortsette å ta utgangspunkt i menneskene, ikke systemene. I alle år har det norske velferdssamfunnet vært basert på et godt samarbeid og fellesskap mellom offentlige og private aktører. Følger vi det ideologiske prinsippet til venstresiden, vil vi få et todelt velferdssamfunn der bare de med tjukk lommebok har råd til valgfrihet. Fra fiskeren i nord til bygningsarbeideren i sør, og fra oljearbeideren i vest til skogbrukeren i øst, er vi alle avhengig av tryggheten som det gode forholdet til Europa gir oss. Samarbeidet med Europa er viktig for å sikre arbeidsplasser over hele landet. EØS-avtalen er en garanti for at arbeidsplassene våre er konkurransedyktige. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Et bærekraftig velferdssamfunn krever at alle bidrar, fordi folks arbeid er grunnlaget for velferden. Alle som kan jobbe, skal jobbe – og ingen skal gå ut på dato. Vi må bruke de gode tidene til å inkludere flere i det norske arbeidslivet. Alle som kan bidra, må bidra til at vi opprettholder velferden, fordi det er folks arbeid som er grunnlaget for velferden. Det Norge trenger de kommende årene, er politikere som tenker langsiktig. Det er politikere som våger å prioritere overfor offentlige budsjetter, som sikrer stabile og gode rammevilkår til næringslivet, og det er politikere som setter mennesket, ikke systemet, i sentrum. Vi trenger politikere som fører en politikk som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn for våre barn og barnebarn. Vi trenger politikere som ikke stopper utviklingen, men som kutter utslippene. Den oppgaven er denne regjeringen godt i gang med. Vi er ikke i mål, men vi skal fortsette arbeidet med å gjøre Norge tryggere og mer bærekraftig – fordi vi tror på framtiden for hele Norge. Det blir replikkordskifte.

då. Det er ein reduksjon som ikkje har ei opplagd forklaring – sjølv om befolkninga har vorte eldre, har det likevel vorte fleire med utdanning, pensjonsreforma har begynt å verka, det har vore arbeidsinnvandring til landet. Ein sånn nedgang i delen folk i jobb burde me derfor ikkje sett. Det er noko som har mykje å seia for folk sine moglegheiter, og det har betyding for verdiskapinga til landet. Eg lurar veldig på kva som er representanten Helleland si forklaring

i fortid og i framtid. Jeg var også inne på dette med arbeidsledigheten. Den har gått ned. Den er den laveste på mange år, og jeg mener at vi har sett en positiv utvikling også i sysselsettingsandelen. Jeg har ikke de nøyaktige tallene på sysselsettingsgraden, som Arbeiderpartiet var veldig opptatt av for noen år siden, og som tydeligvis er hentet opp igjen nå, men realiteten er i hvert fall I trontalen i går kunne vi høre at åtte av ti nye arbeidsplasser som nå skapes, skapes i privat sektor, og det tyder på at vi har en sunn og god utvikling i økonomien. Et av hovedpunktene til regjeringen er å inkludere flere i arbeidslivet, og det jobber vi hardt med hver eneste dag. Eg vil minna representanten om at eg stiller eit heilt upolemisk spørsmål. Eg stiller rett og slett berre spørsmål om kva som er representanten Helleland si forklaring Eg stiller rett og slett berre spørsmål om kva som er representanten Helleland si forklaring på at delen folk i jobb, samanlikna med ti år før finanskrisa, faktisk har gått ned. Eg vil gjerne ha svar på det, for når ein ser på trendveksten, er det sånn at anten ein spør Finansdepartementet eller ein spør Noregs Bank, er dei i alle fall heilt einige om at den underliggjande tendensen her er at ein ikkje har klart å få delen folk i jobb opp. Representanten Helleland gjer akkurat det som eg påpeikte i mitt spørsmål, han går over til å snakka om arbeidsløyse heller enn å

Der er det selvsagt ikke gjort over natten å få alle tiltak til å virke, men det skjer nå veldig mye positivt, bl.a. med å få folk som er innvandrere til Norge, i arbeid, og med å få flere unge som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet, i arbeid. Så kan ikke jeg svare her og nå når det gjelder det tallet Hadia Tajik har funnet, fra ti år før finanskrisen – jeg vet ikke om det er et spesielt målepunkt som Arbeiderpartiet mener det er riktig å bruke.

Det eg er ute etter å avdekkja, er om dette rett og slett er noko som regjeringa lener seg på og er fornøgd med. Etter alt å døma ser det ut til at representanten Helleland er det, når alt han har å koma med, er å leggja fram ein del tiltak som han meiner ikkje har fungert, men ingen forklaringar på kvifor det har vorte sånn, og ingen uttrykk for at ein har høgare ambisjonar enn det ein ser i dag. For representanten Helleland meiner tydelegvis at det å samanlikna med ti år før finanskrisa, ikkje er relevant,

arbeid. Det er jo hovedpoenget vårt. Vi ønsker å inkludere flere i arbeidslivet, vi ønsker å gjøre en jobb sånn at også folk som har kommet til Norge, som har lært seg norsk, kan inkluderes i arbeidslivet. Vi ønsker at flere av dem som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet, som er unge, skal inn i arbeidslivet. Dette jobber regjeringen med hver eneste dag, og vi er ikke fornøyde. Vi er ikke fornøyde før alle er i jobb, før alle som har muligheten til å bidra til velferdssamfunnet, bidrar med å gi skatteinntekter, til verdiskapingen, til å skape private arbeidsplasser og til at Norge blir et enda bedre land å bo i. For arbeid er helt avgjørende for folks trivsel, for folks mulighet til å fungere sosialt og være en del av samfunnet. Jeg er ikke fornøyd med at ikke alle er i jobb, men jeg kan ikke gi eksakt svar på hvorfor det året Hadia Tajik plukket ut, skiller seg ut i positiv retning. Det er mulig Hadia Tajik selv kan svare på det, men det har hun ikke prøvd på. Representanten Helleland var veldig opptatt av næringsliv og industri. industri. Et av de virkelige industrielle eventyrene i Norge er jo utviklingen av vannkraften. Det baserer seg særlig på at vi klarte å sikre et nasjonalt, offentlig eierskap, og at vi har hatt mange kloke og gode hjerner som har jobbet med det. Det baserer seg også på muliggjøringen av vannkraftutbyggingen rett og slett fordi en andel av verdiskapingen har kunnet bli liggende igjen i lokalsamfunnene. Det har vært en form for samfunnskontrakt mellom storsamfunnet og de lokale, kommunene. Nå er det et utvalg som foreslår dette fjernet. Senterpartiet mener at det er både historieløst og virkelighetsfjernt å oppheve ordninger som lovfester kommunenes rettmessige krav på en andel av verdiskapingen fra vannkraften. Hva mener Høyre om utvalgets forslag? Nå har jo utvalget nettopp lagt fram sin innstilling, men personlig har jeg vært veldig opptatt av dette i mange år.

Synes Høyre det er en vei å gå for å erstatte dagens konsesjonskraft og konsesjonsavgift, eller er man enig med kraftkommunene, som synes at det er et eventyr og en løsning som neppe vil være verken hensiktsmessig, fornuftig eller solid for

de kommunene som i dag har solide, gode inntekter, basert på at de har stilt naturen sin til rådighet, også skal kunne beholde dem i framtiden. Jeg tror at det systemet vi har med konsesjonskraft, f.eks., er et godt system, og at det skal bli veldig vanskelig å overbevise oss om at vi skal endre det.
Representanten tok opp velferdssamfunnet, trygghet, at vi må bruke pengene smartere. Han snakket om prioriteringer. Men en trang økonomi i kommunene bidrar verken til god velferd, trygghet, smart bruk av penger eller gode prioriteringer. Samtidig har flere tjenester blitt overført til kommunene uten at det følger penger med, og på toppen av alt det har vi en regjering som nekter å evaluere samhandlingsreformen. Da lurer jeg på: Hvordan mener representanten at dette er ansvarlig styring av

Så kommuneøkonomien i Norge har vært god, og den har blitt stadig bedre under denne regjeringen. Kommunene har et godt utgangpunkt for å kunne gi sine innbyggere gode velferdstjenester innenfor både skole og helse, og derfor mener jeg at det utgangspunktet denne regjeringen har gitt kommunene, er det aller beste.

til å møte folk og bedrifter i deres hverdag. Som folkevalgte er det en av de aller viktigste jobbene vi har, og en av de aller mest givende. De fleste jeg møter, er opptatt av trygghet i hverdagen, av at barna skal ha en god barnehage – som gjerne drives av andre enn kommunen, bare kvaliteten er den beste for barna – ha de beste lærerne i skolen og ha et mangfold av tilbud i fritiden sin, av at eldreomsorgen skal være varm og verdig, og at de eldre selv skal få styre sitt eget liv, også inn i alderdommen. Som politikere skal vi ta folk på alvor. Fremskrittspartiets slagord – og min drivkraft – er en enklere hverdag for folk flest. For politikk er hverdagsliv – og hverdagsliv er politikk. Jeg møter flest mennesker som er fornøyd med egen livssituasjon, men det betyr ikke at de ikke er utålmodige etter å gjøre ting enda bedre, og det er også Fremskrittspartiet. De fleste i Norge har sitt daglige virke i privat sektor, i små og mellomstore bedrifter over hele landet, og vi har i en lang periode hatt stor vekst i nye bedrifter, særlig i distriktene. Det skapes nye jobber hver dag, hverdagen preges av optimisme og investeringsvilje, og arbeidsledigheten er svært lav. Der Senterpartiet viser til folks misnøye og klager over det som på inn- og utpust kalles «sentralisering» – det er et negativt ladet ord – møter jeg oftest folk som er glad for at veiene bygges og vedlikeholdes i distriktene, som er glad for at reisetidene går ned, som er glad for at folk og tettsteder kobles sammen, og som er spesielt glad for at det skapes så mange arbeidsplasser i distriktene, der hvor folk bor. Veisektoren var lenge et forsømt kapittel. Med Fremskrittspartiet i regjering har det skjedd store ting i norsk veisektor. Veiselskapet Nye veier AS var en viktig reform, og nå bygges det motorveikapasitet raskere og billigere enn før. Samtidig sørger vi for godt vedlikehold og reduserer etterslepet. Fremover skal vi øke innsatsen på veibygging ytterligere, Nye veier skal få flere nye strekninger til sin portefølje, og bruken av bompenger skal ned. Fremskrittspartiet er bilistenes parti, og det skal vi være. Veier og biltrafikk er nødvendig for å kunne ta hele landet i bruk. I sin tid var bilen som allemannseie en frihetsrevolusjon – og et luksusgode i avgiftssystemet. Vi har gjort store endringer i dette til glede for vanlige folk, som takket være Fremskrittspartiet nå kan kjøpe rimeligere, tryggere og mer miljøvennlige biler. Vi bygger ikke bare nye veier; vi sørger for at de som bruker dem, forurenser mindre og at bilparken fornyes. Med Miljøpartiet De Grønnes fremvekst angripes bilen jevnt og trutt. Det utfordrer folks hverdag og er en bekymring for mange av dem jeg har møtt i valgkampen – og som ikke bor i de store byene med et velfungerende kollektivtilbud. Nå ser vi at det nye rød-grønne flertallet i Viken, med Arbeiderpartiet i spissen, vil reversere vedtaket om helhetlig utbygging av ny E18 vestover gjennom Bærum og Asker. Det kommer sterke reaksjoner fra lokalpolitikere og innbyggere i disse to kommunene, men det er grunn til å reagere i hele landet, for E18 er ikke en lokalvei, det er faktisk en viktig stamvei – og vi trenger ikke reversering, ikke omkamp og ikke utsettelse. Politikk er hverdag. Ideologi er verken høytflyvende eller akademisk. Det handler om de valgene du gjør, både de store, avgjørende valgene og det du gjør fra dag til dag. For mange er forutsigbarhet og trygghet i hverdagen avgjørende for å fungere: trygghet for familien, for jobben. I mange distriktssamfunn er oljenæringen selve bærebjelken. Oljearbeiderne skal ikke skamme seg – de skal være stolte! Olje- og gassnæringen har en lang fremtid foran seg, og norsk olje og gass er fortsatt en del av løsningen på klimautfordringene. Med en opposisjon som ikke lenger er noen garantist for en ansvarlig norsk industripolitikk blir dette et svært viktig spørsmål i tiden frem mot neste stortingsvalg. En politikk med avvikling av norsk olje- og gassnæring og høyere skatter vil ødelegge norsk økonomi og ikke redusere globale utslipp. Snarere tvert om, fordi det vil fjerne kapitalen – og kompetansen – som kan utvikle ny teknologi. En gang var Arbeiderpartiet et parti for reformer, som ville bygge og modernisere landet til det bedre. Nå ser vi et annet Arbeiderparti, et Arbeiderparti som lar seg presse fra mange kanter. Senterpartiet har tatt endringsviljen fra dem, Miljøpartiet De Grønne trekker i industrifiendtlig retning, og Rødt og SV får dem til å mistenkeliggjøre alt som ikke er offentlig. Blant mange tradisjonelle kommunale tjenester er det både private og offentlige aktører som leverer tjenester til brukerne. Konkurranse er i seg selv et gode, og det samme er valgfrihet for brukerne. Nå vil ytre venstre skru klokka tilbake, erstatte mangfold med monopol. Vi ser at dette tidligere forlatte tankegodset også får fotfeste hos andre på venstresiden. Organisering av tjenesten blir viktigere enn brukerens opplevelse, og det er den klassiske oppskriften på å sette systemet foran enkeltmennesket. Endringer og reformer skjer sjelden konfliktfritt, men de er likevel nødvendige og riktige. Jeg skal gi kollega Vedum rett i én ting, altså representanten Slagsvold Vedum: Også jeg møter mange som ikke helt forstår hvorfor politireformen er nødvendig. Men så mistenker jeg at representanten Slagsvold Vedum og jeg snakker litt ulikt om reformen når vi møter velgerne, for mange av dem jeg snakker med, har større forståelse for reformen når vi skilles, enn de hadde da vi møttes. Kriminaliteten endrer seg

som vil invitere til å diskutere status for reformen og drøfte veien videre. Politiet er tilført store ressurser, mange nye årsverk, og vi når målsettingen om to per tusen i 2020, men det er helt avgjørende at folk opplever trygghet for seg og sine. Politikk handler om hverdagen. Vårt kollektive ansvar er å løse de kjerneoppgavene staten skal ha i samfunnet. I denne salen skal vi sørge for at rammen rundt hverdagen til folk flest er trygg og god. Men det skal vi gjøre med respekt for ansvaret og rammene vi er delegert som folkevalgte, og for at hver og en fortsatt er best kvalifisert til å ta de fleste beslutninger for seg og sine – ja, stort sett bedre kvalifisert, i hvert fall på det området, enn det vi

regjeringa burde gjennomført politireforma i tråd med avtalen. Dei har vist seg å vera upålitelege når ein set seg ned og forhandlar med dei. Eg var den som forhandla den på vegner av Arbeidarpartiet. Eg veit ikkje om det er evna deira til å gjennomføra reforma det skortar på, eller om dei interne ueinigheitene i regjeringa gjer at dei rett og slett ikkje får til å gjera det som skal til. For eksempel var ein av dei tinga som me vart einige om då me forhandla om politireform, at ein skulle sørgja for at i dei ulike lokalsamfunna, i kommunane, skulle få eit løfte om kva slags politikraft som skulle vera til stades i deira lokalsamfunn. Det skulle utviklast eit løfte til innbyggjarane. Det har ein ikkje gjort. Kvifor har ein ikkje gjort det? Nå er jo situasjonen slik at politikraften i de aller fleste distriktene er betydelig løftet. Det er flere patruljer ute nå enn det var før. kriminaliteten har gått ned. Så jeg mener at det Arbeiderpartiet etterlyser, ser vi konturene av nå, fordi resultatene kommer. Det er litt viktig å huske på at hvis man først skal gjennomføre en reform på basis av et forlik, er det viktig å stå i det, å stå i det under hele gjennomføringen. Jeg registrerer at det kan ikke Arbeiderpartiet lenger ta. Da får vi fire som sitter i regjering, sørge for at vi gjennomfører reformen, og så får vi en mulighet til både å evaluere underveis og diskutere veien videre når vi får en melding til Stortinget i løpet av høsten. Representanten svarte ikkje på det eg spurde om. Eg stilte eit heilt konkret spørsmål: I forliket om politireform står det at ein skal utvikla eit løfte til innbyggjarane, at politidistrikta skal setja seg ned med kommunane og gjera det. det? Det er ikke helt riktig det som påstås, for det er en dialog mellom kommunene og politidistriktene. Det har det vært hele tiden, helt fra implementeringen av den nye strukturen med reduserte politidistrikter, og det er en løpende dialog. Jeg tenker at det aller viktigste er å evne å se de positive resultatene underveis mens vi gjennomfører denne reformen fullt ut, og ikke bare å fokusere på det som er negativt, og som på en måte er utslag av en vanskelig prosess for politiet. Det kan vi gjøre noe med, faktisk. Det kan vi ta tak i og prøve å forbedre. Det må vi også benytte anledningen til når vi får en stortingsmelding og får anledning til å diskutere det her. Men det er jo ikke riktig at det ikke er en konkret dialog og tett oppfølging mellom kommunene og politiet ute i distriktene. Eg har ikkje etterlyst «en løpende dialog», eg har etterlyst eit løfte til

at ein ønskjer å byggja landet. Det ein ser, er at dei tre bransjane som bidreg mest til sysselsetjingsauken akkurat no, er bygg og anlegg, industri og forretningsmessig tenesteyting, og akkurat der er det i all hovudsak snakk om at auken er innleigd utanlandsk arbeidskraft som er i Noreg i berre seks månader eller mindre. Spørsmålet mitt er ganske enkelt: Korleis har Framstegspartiet tenkt å få ned talet på innleigd utanlandsk arbeidskraft på korttidsopphald,

Sysselsetting er spennende. Den utfordringen som representanten tar opp med andelen innleid utenlandsk arbeidskraft, var nettopp det som førte til at vi hadde en sysselsettingstopp i 2008. Så falt den som en stein i årene etterpå, etter finanskrisen, og så er den litt på vei opp igjen. Så er det slik at når vi har vekst i økonomien, får vi også fort kapasitetsutfordringer, og da er vi faktisk så heldige i en overgangsfase at vi kan benytte oss av utenlandsk arbeidskraft som har kompetanse, og som kan jobbe i Norge som en følge av EØS-avtalen. Så dette svinger. Men det aller viktigste er å sørge for at flere norske bosatt i Norge kommer inn i arbeidslivet og kommer over fra offentlige ordninger og bidrar til egen inntekt og til landets

da var det ikke elleve av tolv, men tolv av tolv politidistrikt og tillitsvalgte som ikke var fornøyd med reformen. Hva er det Hans Andreas Limi ser, som ikke de som har uniformen på, ser? Takk for spørsmålet. Jeg forholder meg til det vi har av fakta fra politiet, når det gjelder hvordan politiet settes i stand til å håndtere det nye kriminalitetsbildet. Så er det slik – det tror jeg at vi skal ta veldig på alvor, og at representanten Slagsvold Vedum har rett i – at veldig mange der ute er bekymret, og nå snakker jeg om vanlige folk. De ser ikke alt som foregår internt i politiet, og har ikke overblikk over kriminalitetsbildet, men de opplever det som skjer i hverdagen sin. Hvis de ikke opplever at de er trygge er trygge og får forbedringer, og ikke opplever både tilstedeværelse og større politikraft gjennom politireformen, så har vi bommet. Jeg mener det er en av grunnene til at det er viktig å ta en diskusjon nå når denne meldingen kommer fra regjeringen, fordi det alltid er mulig å forbedre reformer underveis i gjennomføringen. Hans Andreas Limi sier at man ikke ser det som skjer internt i politiet, problemet er at store deler av Norges befolkning ikke ser politiet i det hele tatt. Det er problemet. I et oppslag i dagens Aftenposten står det at det er gjennomført 64 000 færre oppdrag nå enn i 2016. Når man skal ringe til operasjonssentralen, får man beskjed om at det ikke er kapasitet til å ta telefonen, at man må ringe på et senere tidspunkt. Kan Fremskrittspartiet leve med det? Kan Fremskrittspartiet leve med det? Kan man leve med at når man ringer til politiet om et innbrudd, om at alvorlige hendelser pågår, er svaret at de ikke har kapasitet, de har ikke tid? De harde fakta og de harde tall er at i 2018 er det nesten 10 pst. færre oppdrag og utrykninger enn i 2016, da reformen ble gjennomført. Det er rett som Fremskrittspartiet og Limi sier, at flere ikke ser hva som skjer internt i politiet, men flere ser ikke politiet i det hele tatt. Er det på tide å begynne å lytte, se og høre og å føre politikraft ut igjen nær der folk bor? Jeg tror jeg har svart to ganger nå at vi gjør nettopp det siste, og det er én grunn til at det er viktig å ta en diskusjon underveis i gjennomføringen av politireformen. Det er ikke riktig at det ikke er mer politikraft ute. I dag er det flere patruljebiler ute enn før politireformen startet. så ensidig som noen ønsker å fremstille det som. Politiet er tilført mange nye årsverk, de har fått store ressurser, så de har alle muligheter til å levere på det som var kravene og forutsetningene for reformen. Husk også at det var en historie i 2011 som bidro til at man besluttet å gjennomføre en politireform. til at man besluttet å gjennomføre en politireform. Det man bl.a. fokuserte på den gangen, og som var noe av kritikken fra Gjørv-kommisjonen, var nettopp politiets operasjonssentraler, som måtte bli langt mer profesjonelle. Det har skjedd. De er tilført kompetanse og flere ansatte. En av grunnene til at Fremskrittspartiet har

Den har vi i regjering prøvd å kompensere for. Derfor har enslige minstepensjonister fått totalt 12 000 kr mer i året. Vi har redusert avkortingen for gifte og samboende, som representerer 8 000 kr i året. Vi har økt fradraget, og vi har gitt konkrete skattelettelser for pensjonistene, så i sum har vi klart å kompensere i hvert fall tilnærmet – 100 pst. for den underreguleringen som har kommet som en konsekvens av at vi også har hatt veldig moderate lønnsoppgjør i disse årene. Ja, vi skulle gjerne gjort mer for pensjonistene, men å si at vi sender regningen til norske pensjonister, er en ganske uhyrlig påstand som jeg håper jeg slipper å få høre gjentatt.

i Norge – mellom dem som kan regne med rask akutt hjelp, og dem som opplever at de statlige nødetatene trekker seg ut av deres lokale samfunn. Grunnleggende samfunnsberedskap har blitt et rasjonaliseringsprosjekt for direktorat og foretak. Jeg vet fra Snåsa at å argumentere for ambulansen sin overfor et foretak føles nesten som å snakke til en vegg. Det Det skapes nye kløfter mellom dem som kan ta digitalisering og moderne infrastruktur for gitt, og de lokalsamfunnene som får beskjed om at strømkabler ikke kan bygges, at telefonledninger blir kuttet, at mobilnettet ikke fungerer, og som bare kan drømme om bredbånd til en akseptabel pris. Det skapes kløfter mellom de områdene der statlige arbeidsplasser eser ut, og de områdene av landet der statlige arbeidsplasser forsvinner, uten at noen tar noe som helst politisk ansvar for det. Det er det vi i Senterpartiet kaller den stille sentraliseringen, den som foregår i hver etat, og der ingen skjeler til de samlede konsekvensene. Reaksjonene i valget handler også om en regjering som slår ut med hendene og mener at sentralisering og ulikhet nærmest er en naturgitt utvikling. Dette utfordrer folks rettferdighetssans. Det utfordrer forståelsen av det norske systemet. Vi er vant til politikere som står opp og tar ansvar for det som blir besluttet, politikere som lytter. Den norske modellen handler om velferd, men den handler også om balanse og jevnbyrdighet mellom by og land. Det er den balansen som over flere år har vært truet av Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. men den handler også om balanse og jevnbyrdighet mellom by og land. Det er den balansen som over flere år har vært truet av Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Valget viser at folk ser at det er mulig med en annen utvikling enn sentralisering av tjenester. Samlebånd og stordrift er gammeldags. Valget viser at folk ser at folkestyret forvitrer ved at stadig mer makt overlates til et ansiktsløst byråkrati både i staten og i og belaster folks hverdag, utfordres den tilliten vi er så stolt av at vi har i det norske samfunnet. Nå står vi overfor nye vegvalg. Under valgkampen var jeg på besøk i Søre Sunnmøre tingrett. De gjør en utmerket jobb. De har ingen problemer med å rekruttere folk. I domstolkommisjonen som regjeringen har satt ned, får de beskjed om at de er for små. En ny sentralisering innenfor rettsvesenet er på gang, men problemet i rettssystemet er ikke små tingretter, det er manglende kapasitet, koordinering og ressurser. Sentralisering kommer ikke til å løse disse problemene. I stedet vil det nok en gang bety at distriktskommuner skal tappes for flere hundre statlige arbeidsplasser. Staten vil igjen trekke seg ut av deler av landet og heretter bli sentralisert til de store byene. Det er flere områder innenfor rettssystemet der sentraliseringen skyter fart. Politiet i Telemark har plutselig bedt ordførerne om å slå sammen forliksråd. Forliksrådene er lavterskel konfliktløsning, og det er lovfestet at hver kommune skal ha et eget forliksråd. Hva man skal oppnå ved å sentralisere disse, er helt ubegripelig. Så har det vært en stor fordel for norske distriktskommuner, som har avgitt areal og naturressurser,

Det betyr nok at vi står overfor en interessant debatt i tida framover. Allerede i trontaledebatten for fem år siden sa Senterpartiet klart ifra at det var nødvendig å se de ulike sentraliseringsreformene fra denne regjeringen i sammenheng. Vi sa at disse reformene hadde én ting til felles – de sentraliserer makt og pulveriserer ansvar, de reduserer nærhet og svekker lokal trygghet og beredskap. Situasjonen fem år etterpå viser at vi fikk rett. Norge må følge opp de klimaforpliktelsene vi har etter Parisavtalen. Alle sektorer må bidra, og vi må sørge for at det blir effektive og reelle kutt, ikke at vi innfører tiltak som bare flytter utslipp til andre land, eller som simpelthen fører til større utslipp globalt. Det kommer til å bli en stor omstilling i det norske samfunnet. Norge må også som en kapitalsterk stat bidra til mer klimafinansiering overfor andre land. Skal klimakampen vinnes, må det store flertallet slutte opp om disse omstillingene. Da må klimaløsningene være sosialt og geografisk rettferdige, og de må være bærekraftige på lang sikt. Derfor har Senterpartiet stilt spørsmål ved økte avgifter, om det i seg sjøl er et godt svar i klimaarbeidet. Vi kan ikke saldere miljøprofil og budsjettbalanse med nye avgifter som rammer uten å ta hensyn til bosted og inntekt. Senterpartiet mener at olje- og gassindustrien fortsatt har en plass i vårt næringsliv. Vi er nødt til å bygge en bro mellom dagens oljenæring og over til CO 2 -fangst og -lagring, bruk av hydrogen og investeringer i fornybar energi som mulige løsninger i klimakampen. Skal vi klare det, må vi også bygge på dagens industri. Vi har bruk for alle gode all vilje til teknologiutvikling og all den kapitalen som den næringen sitter på i dag. Vi trenger en klimapolitikk som bygger opp under, og som virker sammen med, andre viktige samfunnsmål. Vi må ha en klimapolitikk som sikrer bosetting over hele landet og vekst i næringslivet, og som er tilpasset den virkeligheten folk flest forholder seg til. Vi har alle muligheter til å klare dersom grupper i samfunnet føler at de straffes fordi de tjener lite, eller fordi de bor utenfor de store byene. På klimaområdet mer enn på noe annet område er oppskriften på suksess at alle må med. Trontaledebatten er opposisjonens debatt, men i dag vet vi nesten ikke hvordan vi skal møte en regjering med så omfattende indre konflikter som denne regjeringen har. Den Den siste tida har vi til stadighet sett en statsminister som rykker ut og sier at hennes egne regjeringspartier må sette seg ned og snakke med hverandre istedenfor å argumentere mot hverandre. Det er jo nesten en fallitterklæring i seg sjøl. Historien om dagens regjering er historien om fire partier som synes mest opptatt av å holde på egen makt, uansett Utenom en utrolig sentraliseringsiver er det vanskelig å se om det finnes noe stort felles prosjekt eller noen felles retning som forener denne regjeringen. Dette retningsløse prosjektet har derimot fått store negative konsekvenser for veldig mange mennesker. Det har gitt oss en meningsløs regionreform, bl.a. med et Viken som nesten ingen er for. Det har betydd et sterkt angrep på næringsfriheten og kanskje muligens ruin for de pelsdyrbøndene som nå har fått yrkesforbud. Det har betydd sentralisering av tusenvis av statlige arbeidsplasser og en politireform som er helt ute av kurs. Regjeringen synes nesten å ta det for gitt at velgerne skal akseptere at de stadig snakker med to Den såkalte solbergske parlamentarismen er ikke lenger noen sikkerhetsventil, den er ikke lenger noen nødløsning, den ser ut til å ha blitt regelen for regjeringen. Det har gått så langt at man må spørre seg om denne regjeringen har det som trengs for å lede landet. Akkurat nå framstår dagens regjering først og fremst som en samling partier og statsråder som kontinuerlig

For Høgre er det viktig at me har evna til å omstilla oss og ta tak i dei utfordringane som samfunnet har, når både forsking og faglege miljø gjev råd om at me må endra oss. Senterpartiet er ekspert, som me høyrde, på å kalla alle desse reformene og tiltaka som regjeringa har sett i gang for å møta denne utfordringa, for sentralisering. Men regjeringa gjer jo ikkje dette for å endra Noreg. Regjeringa gjer dette fordi Noreg faktisk er endra med ganske store bevegelsar blant innbyggjarane. Eg har ikkje høyrt eitt einaste godt forslag frå Senterpartiet til korleis dei vil motverka desse endringane. Sjølsagt flytter folk på seg. Ungdommer flytter ut og utdanner seg, noen flytter hjem, og noen finner noen å gifte seg med og flytter en annen plass. Det er ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om, planlagte endringer i offentlig sektor, der de gjennomfører strukturreform etter strukturreform, og der det eneste målet er å sentralisere statlige tjenester. Det er det vi snakker om her. Domstolkommisjonen er det siste eksemplet i rekken. Domstolkommisjonen foreslår uten unntak å sentralisere de nye tingrettene til de største byene. Hundrevis av statlige arbeidsplasser skal fjernes fra de ulike fylkene og skal inn til de store byene. Det er det vi snakker om – den planlagte strukturendringen og sentraliseringen som denne regjeringen har gjennomført nå i løpet av seks år, og som Senterpartiet har påpekt hver eneste gang. Vårt svar på det er nærhet. Vi mener at det fortsatt skal være nærhet til folk når det gjelder offentlige tjenester. Og vi mener at når det gjelder kommunereform og regionreform, må det være frivillighet som ligger i

ute på bygdene våre. Senterpartiet valte den gongen å stemma imot. Kvifor ønskjer ikkje Senterpartiet at kommunane sjølve skal få lov til å ta eit større ansvar i arealpolitikken? Noen ganger når jeg får replikker fra Høyre, lurer jeg på om Høyre egentlig forstår hva Senterpartiet snakker om. Det er mulig de ikke gjør det. I valgkampen traff jeg en næringslivsleder fra Møre-kanten, og han sa i Senterpartiet, og grunnen til at jeg er det, er at vi som driver næringsliv ute i distriktene, skjønner at vi er avhengig av offentlig sektor. Offentlig sektor og næringsliv må begge utvikles i vårt område for at det skal fungere godt. Man kan ikke bygge ned offentlig sektor. Det er hans grep om det, og jeg håper man lytter mer til næringslivsledere ute i distriktene når de betoner akkurat det. Når det så gjelder arealpolitikken i distriktene, mener Senterpartiet at kommunene skal ha mer grep om lovverk og slike ting, og vi har fulgt Høyre i veldig mange forslag om akkurat det. Det Trellevik tar fram her, er ett lite forslag der vi hadde litt ulikt syn, men i mange andre saker når det gjelder akkurat dette, har vi faktisk støttet Høyre. Én ting er

Vet Senterpartiet at bøndene har hatt en vesentlig bedre inntektsutvikling under oss enn med Senterpartiet i Landbruksdepartementet? Vet Senterpartiet at det under dem ble lagt ned i snitt 24 små grendeskoler per år, mens det har blitt lagt ned 11 per år under denne regjeringen? Vet Senterpartiet at det ble lagt ned akuttfunksjoner på fire sykehus under de rød-grønne, mot to under oss? Vet Senterpartiet at de la ned seks fødeavdelinger, mot to under denne regjeringen? Eller er dette noe Senterpartiet ikke vet, Eller er dette noe Senterpartiet ikke vet, eller kanskje velger å overse, fordi det passer veldig dårlig inn i historiefortellingen deres, og hadde gjort at slagord som «nær folk», «ta hele Norge i bruk» og «se hele Norge» ville lyde både hult og ganske tvilsomt? Egentlig var det vel mer sentralisering med Senterpartiet i regjering enn med Fremskrittspartiet i regjering. Vi er jo forskjellige personer, så det er ulikheter mellom meg og Trygve Slagsvold Vedum, akkurat som Bård Hoksrud heller ikke er så lik Siv Jensen, i og for seg. Det får vi nå akseptere, at vi har litt ulik form og litt ulik måte å se ut på. Det Senterpartiet har vært opptatt av når det gjelder sentralisering, er den planlagte og systematiske sentraliseringen som denne regjeringen har satt i gang. Det er klart vi alle ser at det skjer endringer i samfunnet. For eksempel har det for landbrukets del vært en enorm produktivitetsvekst de siste 30 årene i alle fall, så det er klart vi ser dette. Men når det gjelder den systematiske, planlagte gjennomgangen av sektor etter sektor der denne regjeringen ønsker sentralisering – politireformen, kommunereformen, Nav-kontorene, skattekontorene, og det en nå gjør innenfor domstolene, med ønsket om sentralisering innenfor rettsstaten – kommer ikke alt dette av seg sjøl. Det er planlagt av Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Jeg må også få si at det faktisk er dobbelt så mange kommuner som har befolkningsnedgang nå – fra 2013 og fram til 2018 – som da vi gikk ut av regjering. Aller først må jeg få gratulere representanten med valget. Jeg vet ikke om det er derfor hun også er kledd litt i rødt. Vi på rød-grønn side kan kanskje gratulere hverandre. SV og Senterpartiet er stort sett enige om distriktspolitikken. Vi står skulder ved skulder i veldig mange saker, men på ett felt er det noe jeg har reagert på veldig lenge, og Vi står skulder ved skulder i veldig mange saker, men på ett felt er det noe jeg har reagert på veldig lenge, og det gjelder transport og Senterpartiets støtte til de store motorveiprosjektene. Dette gir seg ikke minst utslag i spørsmålet om ferjefri E39. Jeg har tatt opp dette spørsmålet flere ganger med Arnstads Senterparti-kolleger, og de har vist forståelse for mitt synspunkt på det, at distriktsveiene vil lide når det gjelder rassikring, midtdelere, bredere veier, gul midtstripe osv. Vil representanten Arnstad være med på å øke den forståelsen og bli med SV på laget for å gi mer penger til distriktsveiene? For det første må jeg få lov til å gjengjelde gratulasjonen. SV gjorde også et veldig godt valg. Det var hyggelig for oss begge.

Jeg tror det er nødvendig at en tenker seg om en gang til når det gjelder E39 over Bjørnafjorden – jeg mener det. Utviklingen og kostnadsøkningene vi har sett i det prosjektet, gjør at det prosjektet må gjennomgås på nytt. Det andre er at vi i dag fremmer forslag om å nedskalere E18 vestover, ut fra Oslo. I Oslo satses det veldig mye på kollektivtrafikk, og det å ha et så gigantisk prosjekt vestover fra Oslo er uheldig
Terje Breivik

en nødvendig og viktig debatt. Som jeg prøvde å si i innlegget mitt, mener jeg at i klimakampen – mer enn på noe annet samfunnsområde – gjelder det å få alle med. Da må en også se på hvordan de enkelte virkemidlene slår ut. Jeg tror Senterpartiet står bak 95 pst. av gjeldende klimapolitikk i Norge. Vi vil oppfylle Parisavtalen, vi vil dra samfunnet i en grønnere retning, men vi vil ikke samtidig skape store sosiale og geografiske skiller. Det er litt av problemet. Jeg synes det er litt synd at vi får en debatt om debatten og en debatt om personer. Det tror jeg ikke vi trenger. Jeg tror vi trenger en debatt om selve virkemidlene framover. Vi fremmer fem forslag her i dag. Venstre står fritt til å støtte dem hvis de finner det for godt.

eller i næringer som gir sikre og forutsigbare inntekter fordi Norge har råderett over egne fiskeressurser og et importvern som er avgjørende viktig for norsk landbruk. Garantien for markedsadgang i EU for norske eksportbedrifter ligger i EØS-avtalen. Det samme gjelder de framforhandlede unntakene som sikrer selvråderett over norske fiskeressurser og et aktivt importvern for norsk landbruk. Kan representanten Arnstad love sine velgere at Senterpartiet ikke setter tusenvis av arbeidsplasser og importvernet for norsk landbruk i spill ved å gå til valg i 2021 på et program som krever reforhandling av EØS-avtalen? Norge er et åpent land. Det har vi vært i mange, mange tiår, både før og etter EØS-avtalen. Men vi er avhengig av gode handelsforbindelser med nabolandene våre – vi eksporterer veldig mange av de varene vi produserer, og det er Senterpartiet opptatt av at vi også skal gjøre i årene framover. Så har Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ulikt syn på Senterpartiet ulikt syn på EØS-avtalen. Senterpartiet ønsker å sikre gode handelsforbindelser, men uten en EØS-avtale. Vi har en frihandelsavtale som ligger i bunnen av dagens EØS-avtale, som sikrer tollfrihet for alle industrivarer, unntatt bearbeidet fisk, og vi mener at den burde være et verktøy for våre handelsforbindelser framover. Problemet med EØS-avtalen er at den pålegger oss krav om å være med i finanstilsyn, om å gå inn i ACER – den legger bindinger på transportpolitikken vår, på arbeidslivet vårt, på energipolitikken vår. Det er ikke bra. Derfor mener Senterpartiet at en bør se etter andre måter å organisere det handelspolitiske samarbeidet med EU på. Vi har jo et godt handelspolitisk samarbeid også i dag med en rekke land andre steder i verden enn i EU, uten at det er et problem. Replikkordskiftet er dermed omme. Vi har en statsminister i Norge som bruker veldig mye av arbeidstiden sin på vedvarende kriseterapi og krisehåndtering. Da er

Når det gjelder klimakrisen, har regjeringen ingen nye løfter å komme med, fortsatt ingen stor samfunnsplan for å nå klimamålene, fortsatt ingen vilje til å imøtekomme kravene fra streikende elever, mens når det gjelder håndtering av samlivskrisen i egen regjering, har vi sett to måneder med krisemøter, ultimatum og milliarder på bordet for å løse sin egen krise.

så lytter ikke mektige mennesker, som Norges statsminister. Status for denne regjeringen er økende utslipp i fjor, manglende innsats for karbonfangst og -lagring, nye oljelisenser i stedet for å redusere oljeavhengigheten og heftig motorveibygging. Mens ungdommene våre streiker, lederne tvinner tommeltotter og klimaforskerne slår nye alarmer, ser vi at utviklingen blir verre. Det gjelder f.eks. regnskogbrannene i Amazonas. Jo mer regnskog som ødelegges, desto kortere tid får vi på oss til å bekjempe klimakrisen. Derfor er det å bevare regnskog et skjebnespørsmål. Men akkurat idet den brasilianske presidenten begynte å føle det internasjonale presset tidligere i høst, ble han reddet av en stor diplomatisk seier, nemlig at EU og EFTA sa ja til å sluttføre forhandlingene om en frihandelsavtale og med det ga fra seg muligheten til å bruke handelsavtalen til å presse fram et vern av regnskogen. Nå har det østerrikske parlamentet bedt regjeringen legge ned veto mot EU-avtalen. Da bør også Stortinget avlyse enigheten i EFTA. Vi må få full åpenhet om dette, og regjeringen må gjenoppta forhandlingene med Brasil, slik at vi ikke får en handelsavtale før vi har nødvendig vern av regnskogen på plass. Det fremmer SV forslag om i dag. Så må det grønne skiftet bli rettferdig, ikke bare fordi rettferdighet i seg selv er en viktig verdi for vårt samfunn, men også fordi det må til hvis det grønne skiftet skal bli noe av. Et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap er utrolig mye bedre rustet til å gjennomføre store endringer enn samfunn med stor ulikhet der folk har liten tillit til hverandre. Dessuten handler grønn økonomi og mer rettferdig økonomi om mye av det samme. Markedet kan ikke få bestemme, for da velger det det som lønner seg på kort sikt, i stedet for det som er nødvendig på lang sikt. Derfor er mer styring over økonomien nødvendig for å sette miljø og mennesker først. Norge trenger en grønn ny Hvis klimaet hadde vært en bank, hadde det vært reddet for lengst. Det er naturlig, synes jeg, å sammenligne hvordan vi som samfunn møter en finanskrise – da er det ingen grenser for hvor mye ressurser som mobiliseres – med den tafatte responsen på klimakrisen. Vi trenger nå en samfunnsplan for å nå klimamålene. En grønn ny deal skal oppnå tre ting: en grønn omstilling som gir raske klimakutt, slik at vi når målene i 2030, som SV mener bør være kutt på 60 pst. en grønn omstilling som utvikler, bevarer og skaper arbeidsplasser, slik at vi når vi faser ut fossil energi, får sterkere industri og flere arbeidsplasser, ikke industridød og arbeidsløshet en grønn omstilling som tar vare på det beste med Norge: små forskjeller og sterke fellesskap Da må vi gjennomføre klimatiltak som også bidrar til rettferdig fordeling, eller kompensere folk med lave inntekter hvis det ikke er mulig. Fordi regjeringen mangler en plan, og fordi vi har en plan, ber vi Stortinget være med på å sette ned en grønn ny deal-kommisjon, det forslaget har vi fremmet i dag, slik at vi kommer i gang med en samfunnsplan for den grønne omstillingen fram mot 2030.

usosiale kutt. Det er interessant å se at det var noen lekkasjer igjen fra denne regjeringen som de ikke tok ut i valgkampen. Det var f.eks. lekkasjen om at de ønsker å gjennomføre kutt i ytelser til ungdommer – i arbeidsavklaringspengene – som kom i dag, og forslaget om å kutte i uføres alderspensjon, som kom i forrige uke. Det er forslag som igjen bygger på den logikken vi har sett prege denne regjeringen, nemlig at mens det som skal til for å få rike mennesker til å yte mer, er at de får mer, så er det som skal til for å få fattige og syke mennesker til å yte mer, at de får mindre. Men fattigdom har aldri gjort noen friske, fattigdom har aldri gitt noen jobb, fattigdom holder folk nede. Derfor kommer disse tiltakene ikke til å bidra til noe annet enn økte forskjeller mer fattigdom. Jeg har lyst til å utfordre Kristelig Folkepartis leder til å ta ordet i denne debatten og si hva Kristelig Folkeparti mener om det nye forslaget som er kommet i dag om ytterligere kutt i arbeidsavklaringspengene. For vi skal huske på at det er bare på grunn av det blå veivalget til Kristelig Folkeparti dette er mulig. Det er fordi det er etablert et flertall for en usosial høyrepolitikk som det egentlig ikke er flertall for i denne sal, dette er mulig. Det er en ulykkelig situasjon, og mange av de som har minst i det norske samfunnet, betaler prisen for det. Vi må gjenreise en politikk som er for de mange i dette landet, ikke for de få på toppen. Det betyr å ta et oppgjør med riggingen av skattesystemet for de rike, og det betyr å ta et oppgjør med den lange rekken av usosiale kutt som rammer dem som har minst. Hvis målet er – og det er det jo – at flere skal delta i arbeidslivet,

med muslimsk bakgrunn kjenner på en utrygghet som ikke er til å leve med for oss som fellesskap. Derfor vil jeg oppfordre regjeringen til å prioritere den handlingsplanen mot islamofobi som statsministeren prisverdig nok har sagt at hun vil gjennomføre. Det er jeg veldig glad for. Det å ha effektiv terrorbekjempelse handler om men det å skape en tydelig følelse av trygghet for folk handler om noe mer. Det handler også om hvordan fellesskapet i det daglige stiller opp for minoriteter som føler seg presset, hvordan vi som samfunn møter konspirasjonsteorier og hat, om slikt blir bekreftet eller avvist, hvordan vi som samfunn behandler mennesker som føler seg utrygge, om de blir slått ring om, eller om de får frykten forsterket. Et regjeringsparti som spiller på konspirasjonsteorier i valgkampen, er en alvorlig ting, synes jeg. Derfor er det viktig at det også blir sagt i denne debatten at det ikke finnes noen snikislamisering i Norge. Derimot har vi sett en «sniknormalisering» av den typen retorikk på borgerlig side, der oppgjøret med det kommer altfor sjeldent. Derfor var det befriende med visepresidentens oppgjør tidligere i høst,

lavinntekt. Det er ikke bra, og det tror jeg at jeg og representanten – fra samme fylke, men fra et annet parti – er helt enige om er en utvikling vi må snu. Utviklingen skyldes imidlertid ikke at denne regjeringen har en helt annen skatte- og avgiftspolitikk enn den SV skulle ønske seg. Det er et faktum at at innvandring er den viktigste begrunnelsen for dette. Det er fordi den største veksten av barn i lavinntektsfamilier er nettopp i innvandrerfamilier. Mange innvandrere har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet enn det befolkningen ellers har. Erkjenner SV at dette er et viktig premiss og kanskje den viktigste faktoren for at

Men hvis vi på kort sikt skal få barna, uavhengig av bakgrunn, ut av fattigdom, må vi gjøre noe med inntektene til disse familiene her og nå, og da er økt barnetrygd det aller viktigste tiltaket. Samtidig som SV nå gir denne begrunnelsen, ønsker de en drastisk økning i antall kvoteflyktninger. De vil fjerne krav til inntekt og botid når det kommer til familiegjenforening, og de vil fjerne reglene for midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Erkjenner SV på noen som helst måte at deres politikk faktisk vil føre til at flere familier vil kjenne på utfordringene ved å leve med vedvarende lavinntekt? Erkjenner man at man ikke kan praktisere – hva skal man si – en slik grenseløs innvandringspolitikk og samtidig ikke godta premisset om at forskjellene vil øke som en

inntil de kommer dit. En integreringspolitikk som virker, handler om ikke å gi opp et eneste nabolag. Det handler om veldig mye av det samme som det å utviske forskjeller i samfunnet vårt ellers handler om. Jeg synes det er interessant at Fremskrittspartiet er så opptatt av ulikhet akkurat når det gjelder en sak der de kan snakke om innvandring. For ellers er det altså sånn at ellers er det altså sånn at denne regjeringen på felt etter felt etter felt fører en politikk som trekker samfunnet i retning av større forskjeller – og Fremskrittspartiet er avslørt som et parti for dem på toppen av det norske samfunnet. Et bærekraftig samfunn forutsetter at vi bruker fellesskapets ressurser på best mulig måte. måte. SV har – prisverdig nok – vært veldig gode til å problematisere norsk økonomis eksponeringer mot olje, og nå snakker alle om behovet for å frikoble utslipp og økonomisk vekst. Men veldig få snakker om behovet for å koble offentlig sektor og velferdsstaten fra oljeinntektene, som i dag ligger på rundt Det er ingen næring som er så lønnsom som oljenæringen, og selv om vi lykkes med å erstatte alle oljearbeidsplasser med andre verdiskapende arbeidsplasser, må vi klare å gjøre mer for mindre for å opprettholde dagens velferdsnivå. SV er imidlertid imot alt av reformer, som pensjonsreform, jernbanereform, Nye veier AS, kommunereform og politireform, og generelt for å utvide de fleste sosiale ytelser uansett hva virkningene blir. Det jeg lurer på, er hvordan SV skal lukke gapet mellom de utgiftene de er for, og de inntektene de er

Men så til alvoret i dette spørsmålet, for det er helt riktig at vi må forberede oss på en framtid – og det gjelder både med representanten Nordby Lundes politikk og med vår – hvor oljeinntektene vil bli mindre. Da må vi for det første stille oss spørsmålet: Hvordan utvikler vi næringer som gjør at industrien og arbeidsplassene ikke forsvinner, men utvikles videre? Vårt svar på det er å komme i gang med arbeidet med en grønn deal. Så må vi spørre oss: Hvordan fordeler vi sånn at velferden kan bestå? For det Høyre aldri nevner, er at framskrivingene også viser at vi skal ha en sterk økning i det private forbruket. Det kan vi heller velge å omfordele til offentlig felles forbruk. Norges store fortrinn knyttet til vår natur og våre naturressurser er en historisk grønn deal, om du vil, nemlig aktiv bruk over hele landet. Mens mange andre land har opplevd at arbeidsplasser har blitt flyttet til lavkostland, har vi i Norge kompensert for dette med aktiv bruk av rike naturressurser og utvikling av verdikjeder. Konflikten rundt vern og bruk kan sette en stopper for dette om for store områder får varig vern. I Oppland har bl.a. Dovrefjell erfart hvordan bulldosere og vern har fjernet gamle veier og truet stølshistorie. I Valdres erfarte bl.a. Øystre Slidre omkamper knyttet til utvidelse av Langsua nasjonalpark, og andre konflikter i regjeringens prosess med supplerende vern. Hvordan mener SV lokale meninger og hensyn skal bli hørt i slike verneprosesser, og hvordan kan dette sikre framtidig verdiskaping og sysselsetting? Det er helt riktig at naturressursene våre har vært og kommer til å være grunnlaget for det vi skal

Det er mye snakk om klimakrisen her i dag – med rette. Det er mindre snakk om at også trusselen mot artsmangfoldet er en miljøkatastrofe, som kan bli skjebnesvanger. Der må også et land som Norge gå foran. Det kommer nok fortsatt, tror jeg, til å være noen uenigheter mellom SV og Senterpartiet om omfanget av vern. Det må vi leve med, det har vi holdt på med før. Men det skal

På Politisk kvarter førre veke sa representanten Lysbakken at SV vil melda Noreg ut av NATO og heller verta med i eit såkalla nordisk forsvarssamarbeid. Sidan Lysbakken systematisk unngjekk å svara på spørsmålet frå programleiaren, gjentek eg det her: Dersom det skulle oppstå ein konflikt med nabolandet Russland, korleis skal Noreg forsvara seg? Jeg svarte på det spørsmålet på radioen, og jeg kan gjerne gjenta det i dag. Utfordringen med deler av den sikkerhetspolitiske debatten i dag er at premisset for hva som er trusselen mot Norge, er feil. Det kommer ikke til å være en invasjon fra Russland, det er ikke det vi skal forberede oss på, men det er fare for at det oppstår mindre kriser, at det oppstår uhell, at det oppstår situasjoner som så kan eskalere. Da er spørsmålet: Hvordan håndterer vi det? Utgangspunktet for norsk sikkerhetspolitikk må være å minimere risikoen for at Norge havner i den typen situasjoner. Da er spørsmålet: Hvordan håndterer vi det? Utgangspunktet for norsk sikkerhetspolitikk må være å minimere risikoen for at Norge havner i den typen situasjoner. Vi mener at en tettere nordisk tilknytning er med på det, mens den politikken som Venstre ulykkeligvis er med på i dag, med å bringe Norge tettere og tettere innpå et USA under Donald Trump, gjøre Norge militært mer og mer avhengig og invitere amerikanerne inn i våre nærområder, faktisk bidrar til det motsatte, til økt spenning. Det er dårlig sikkerhetspolitikk, og det er

Flere skoletimer løser ikke disse utfordringene. Kristelig Folkeparti vil heller jobbe for sosial utjevning ved å få flere foreldre til å engasjere seg i barnas skolegang. Intensjonene om å utjevne forskjeller er gode, men outsourcing av barndommen er like paradoksalt som at SV vil ha sekstimersdag for voksne, men heldagsskole for barn. Er det slik at SV mener at å redusere foreldrenes ansvar for barnas oppdragelse og læring passer inn i deres partipolitikk så lenge det kan begrunnes i kampen mot å utjevne sosiale forskjeller? Jeg har stor respekt for representanten Bekkevold. Derfor synes jeg det er litt leit at han konstruerer stråmenn. Det er ingen partier i norsk politikk som vil at barna skal være på skolen hele dagen. Det vi har foreslått, er å utvide skoledagen med to skoletimer. Det vil for øvrig passe godt sammen med en sekstimersdag for de voksne, men hensikten er altså ikke at barna skal bruke mer tid på skole, men at vi skal omorganisere den tiden vi allerede bruker, fordi barna er på SFO i veldig stor grad, et tilbud som er dyrt og av varierende kvalitet. I tillegg bruker barna veldig mye tid på hjemmelekser. Vi vil ta hjemmeleksetiden og en del av SFO-tiden og legge den inn i skoledagen, slik at det blir tid til mer praktiske fag, at det blir tid til gratis mat, at det blir tid til mer fysisk aktivitet, at det blir tid til mer fysisk aktivitet, at det blir tid til å gjøre lekser på skolen – altså en skole som kan inkludere flere barn. Så Kristelig Folkeparti bør egentlig slutte å konstruere disse stråmennene og heller forklare hvordan de har tenkt å lage en skoledag som får plass til disse nødvendige tingene. Replikkordskiftet er slutt. Noko av det beste med Noreg er fellesskap tufta på samhald og

som utgjer fellesskapet Noreg, som me aldri kan ta for gitt, og som me kontinuerleg må pleia og vidareutvikla. Venstre er Noregs einaste sosialliberale parti. All politikk og alle standpunkt er tufta på ein ideologi der toleranse, mangfald, fridom, fellesskap, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme er retningsgjevande verdiar. Skal fridomen vera reell for alle, må me òg vera fri frå naud, fattigdom og ulikskap, den sosiale dimensjonen som forklarar kvifor Venstre alltid vil kjempa for tidleg innsats, ein sterk offentleg skule og kamp mot barnefattigdom og slik sikra alle, uavhengig av bakgrunn og sosial status hos foreldre og føresette, same utgangspunkt, same fridom – og igjen Sosialliberalismen legg òg til grunn eit menneskesyn som tilseier at dei ein viser tillit, tek ansvar for seg sjølv og andre, noko som igjen forklarar kvifor Venstre alltid vil ha som mål å flytta mest mogleg makt, oppgåver og ressursar så nær borgarane som råd er. Me vil ha sterke fellesskap der folk bur og lever, at alle har fridom til å realisera det gode liv for seg seg sjølv og sine, anten dei bur i distrikta eller i såkalla sentrale strøk. Venstre vil slik alltid stå på barrikadane for lokaldemokrati, maktspreiing, arbeidsplassar og kulturtilbod i både bygd og by. Er det eitt område der fridomen for komande generasjonar – ungane, barnebarna våre – verkeleg er trua, er det på Menneskeskapte klimaendringar er det største problemet verda står andsynes, og sinnet til Greta Thunberg er på sin plass. Vitskapen ho viser til, er korrekt. Ekstremvêr vert meir og meir normalen. Å lukkast med å redusera klimagassutsleppa nok – og raskt nok – er heilt avgjerande. Heldigvis veit me at me har krafta og evna til å snu utviklinga og endra måten me gjer ting på. Venstre er grunnleggjande framtidsoptimistiske. Det fordrar likevel at me tek dei rette vala no, at me sluttar med det som forureinar, utviklar nye løysingar, forsterkar og skapar dei endringane som må til, at me aukar satsinga på forsking og teknologiutvikling, spelar på lag med næringslivet, brukar marknadskreftene medvete til fordel for klimaet. Venstre trur på menneskeskapte klimaløysingar. I vår kom ein alarmerande rapport frå naturpanelet til FN. Reduksjonen i natur- og artsmangfald, som skjer i eit urovekkjande tempo, går ikkje berre ut over det enkelte økosystem, men reduserer òg den imponerande og avgjerande evna artane har til å tilpassa seg og overleva ekstremt ulike vilkår gjennom millionar av

at eit rikt, velorganisert land som Noreg tek ansvar og er ein pådrivar for meir forpliktande samarbeid, ikkje mindre. Skal me førebyggja ufrivillig og nødvendig migrasjon i stor skala, er me nøydde til å lukkast med å redusera klimagassutsleppa raskt nok – «world wide». Samstundes må kampen mot fattigdom og systematisk bistandsinnsats fortsetja og intensiverast. For sosialliberale Venstre stansar ikkje fridomskampen ved landegrensa vår. Eg er difor glad for at Venstre er del av ei regjering og eit samarbeid med rekordsatsing på bistand og tiltak for å løfta fleire ut av fattigdom og naud, og at me har ein statsminister og ei regjering som legg stor tyngde og kraft i ulike internasjonale samanhengar og forum for å bidra til at Globalt ser me at kvinner og barn vert hardast ramma av fattigdom, og at kvinnene ikkje har dei same moglegheitene og rettane som menn. Færre kvinner får gå på skule, dei tener mindre, og dei eig sjeldnare land til å livnæra seg av enn menn. Dei har færre moglegheiter til eiga inntekt, vert ofte utsette for vald i heimen, på arbeidsplassen og i samfunnet elles. Kvinner vert òg hardast råka når det er dårleg tilgang på helsetenester, særleg i samband med graviditet og fødsel. Får kvinner utdanning, jobba, bestemma over eigen kropp og bruka røysta si, vil det verta mindre svolt, mindre fattigdom, mindre vald og meir rettferd. Berre damene får moglegheita, utgjer dei ein stor forskjell, både for seg sjølv og

Det var trass alt Venstre som i si tid tok kampen og innførte prinsippet om at ungar ikkje skal straffast for handlingane til vaksne. Kompleksiteten og ikkje minst tryggleiken til dei involverte i denne saka tilseier likevel at saka vert handtert av regjeringa, ikkje av Stortinget. eg òg opplysa om at regjeringa meir enn gjerne kjem til eit møte den utvida utanrikskomiteen, som er eit lukka møte – til dei som ikkje kjenner til det – og orienterer Stortinget om saka, og det bør etter mi meining vera meir enn godt nok for Stortinget i ei slik sak. Venstre gjorde Når me veit kva innsats, kva saker og kva kandidatar me har lokalt, er det liten tvil om at me sentralt må ta ein stor del av ansvaret for resultatet. Me har ikkje lukkast med å gjera folk trygge nok på Venstre, og på kva Venstre står for, og kor viktig det er med eit slagkraftig, reindyrka sosialliberalt parti i norsk politikk. Eg og Venstre ser i så måte verkeleg fram til arbeidet i Stortinget i haust og vinter, eit arbeid me skal bruka til å heva fridomsfana høgt, ein fridom fri frå fattigdom, naud og ulikskap, ein fridom som gjev alle høve til å leva det gode liv, både på Grünerløkka her i Oslo, på Byrse heime i Ulvik, på Stend i Bergen, i Kiberg i Vardø, ein fridom som ikkje stansar ved landegrensa, ein fridomskamp som bidreg til at verda lukkast med å slik at komande generasjonar har same høve til å nyta – og nytta – naturen som me har gleda av å gjera. Det vert replikkordskifte.

Det må jeg si at jeg ikke helt forstår, men det skal Terje Breivik kanskje få sjansen til å forklare litt nærmere. Det handler jo om den konkrete politikken, og det er tre ting jeg vil konkretisere når det gjelder problemstillingene rundt Venstres deltagelse i regjeringen. Står Venstre, med bakgrunn i det Breivik nå har sagt, virkelig bak forslaget om igjen å kutte i arbeidsavklaringspenger for norsk ungdom? Står de virkelig bak det? Det forstår jeg ikke. Det andre er avkorting i uføretrygden og nei til pensjon fra første krone. Hvordan stemmer dette med innholdet i Breiviks innlegg? Eg skal starta med å vedgå at fyrste gong eg høyrde forslaget om kutt i arbeidsavklaringspengar for ungdom, reagerte eg i ryggmergen på same vis som representanten Kolberg tydelegvis har gjort.

og ikkje får ein varig skjebne i velferdssystemet. Hvis jeg hører helt riktig nå, så hører jeg faktisk at Venstres parlamentariske leder begynner å bruke høyresidens retorikk. Vi må presse folk først – for at de skal strekke seg lenger. Det skal også bli interessant å høre hva Kristelig Folkeparti måtte mene om dette.

ein skjebne gjennom å verta velferdsmottakarar på livstid, men kjem seg inn i det som dei fleste både ynskjer og har som mål i livet: fast, varig arbeid. Dei endringane som ein gjer i arbeidsavklaringsinstituttet for ungdom, gjer at det går pengar til andre tiltak for å sikra arbeidsavklaring

Det må være plagsomt, slik jeg tenker det. Så er det distriktspolitikken. Den andre siden ved dette er jo den voldsomme sentraliseringen som denne regjeringen driver – den voldsomme sentraliseringen. Nå er det altså kraftbeskatningen og domstolene som står for tur. Vil Venstre stille seg bak en slik sentralisering gjennom sitt arbeid i regjeringen, eller kan vi lene oss på at Venstre her vil gå imot det, slik at vi ikke får dette vedtatt i Stortinget i løpet av denne sesjonen – for det ville være en ulykke? Dette er igjen eit spørsmål tufta på rimeleg feil premissar, som Venstre ikkje deler, om ei regjering som driv med ei enorm sentralisering – tvert imot. Eg reknar med at representanten Kolberg har respekt for å motverka dei sterke kreftene, gravitasjonskrafta, som dreg folk og ressursar til dei store byane, er det ikkje nokon kvikkfiks for. Når Venstre har vore ein pådrivar og har støtta ei kommunereform, ei regionreform, er for. Når Venstre har vore ein pådrivar og har støtta ei kommunereform, ei regionreform, er det nettopp for å ha eit argument mot det kanskje sterkaste argumentet mot å desentralisera makt, oppgåver, ressursar og arbeidsplassar ut til kommunane frå staten, nemleg at kommunane har vore altfor små – det har vore altfor små fagmiljø – til at det har vore mogleg. Hadde eg vore representanten Kolberg, ville eg heller ha jubla over at nokon tek den kampen som representanten Kolberg sjølv nødvendigvis må veta ikkje er den enklaste i verda. Regjeringspartia, med støtte frå SV, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt, vedtok den 13. juni eit næringsforbod for pelsdyrnæringa. Fleirtalsregjeringa har i sommar hatt ute på høyring eit forslag til kompensasjonsordning for dei familiane som er ramma av forbodet. Dette vil bety økonomisk ruin for desse familiane. Verdiar som er bygde opp gjennom generasjonar, vert tapte. Mange vil sitja igjen med milliongjeld. Det er desse familiane som betalar prisen for politikken til Venstre. vil gje representanten Terje Breivik moglegheit til å forklara meg, Stortinget og desse pelsdyrbøndene kvifor ein ikkje kan gje dei ei skikkeleg erstatning – ei full økonomisk erstatning for det tapet som næringsforbodet har gjeve dei. Eg får ta det enklaste fyrst: Det håpar eg verkeleg at me kjem til å gjera «at the end of the day», for det fortener dei. Eg har stor respekt for den enkelte pelsdyrbonde, som no – trass i alt – må leggja ned ei næring som til no har vore lovleg. Bakgrunnen for at pelsdyrforbodet no kjem, er velferda til dyra. Av omsyn til velferda til dyra har dette vore nødvendig. Representanten Pollestad veit at noko av det siste me her på huset gjorde før me tok sommarferie og gjekk inn i valkampen, var å vedta ei erstatningsordning som er raus. I ei erstatningsordning som er raus. I den grad dette ikkje treff kvar enkelt godt nok, har me òg gjeve opning for at fylkesmennene kan gå inn og vurdera dei enkelte sakene, slik at ingen skal sitja igjen med eit tap som dei ikkje kan leva med. Fortsatt vet ingen hvordan statsbudsjettet for

I sommer fikk vi se to bevegelser mobilisere stort, nemlig klimastreiken, med ungdom som vil redde kloden, og bompengeopprøret, med voksne som vil forurense gratis. Man kan ha forståelse for begge leirene, men i noen sentrale spørsmål er de uenige. Da kan man ikke gi til begge – da må man velge side. Står Venstre sammen med de klimastreikendes miljøkrav eller med sine samarbeidspartneres politikk for fortsatt høye transportutslipp? Fyrst: Takk for eit veldig godt og viktig spørsmål. Venstre står sjølvsagt saman med dei klimastreikande. Det gjer òg det samarbeidet som Venstre er ein del av. Eg kan for så vidt stadfesta at det kjem til å skje noko med CO2-avgifta på

klimagassutslepp. Gjennombrotet, at me no har fått ein forpliktande opptrappingsplan for CO2-avgifter, er ekstremt viktig i viktig i så måte. Jeg har et spørsmål om den fireårige, syke, norske gutten i Al Hol – en gutt vi alle skulle ønsket at vi ikke hadde trengt å vite noe om, fordi han allerede ble ivaretatt av internasjonal humanitærrett og barns rettigheter. Nå vet vi om ham. Begrunnelsene for hvorfor han ikke blir hjulpet, har fra regjeringspartienes side variert veldig. Begrunnelsene for hvorfor han ikke blir hjulpet, har fra regjeringspartienes side variert veldig. Dette bekymrer meg veldig. Den siste begrunnelsen for hvorfor man i morgen ikke kan stemme for å hjelpe ham, er sikkerhetsrisiko for barnet. Det virker veldig rart, all den tid moren allerede har gitt intervjuer offentlig i norsk presse med tydelige politiske meninger. Så det er allerede en stor sikkerhetsrisiko rundt denne familien. Er representanten Breivik enig i at hovedårsaken til at dette barnet nå ikke blir tatt med til Norge sammen med sin familie, er en politisk uenighet blant regjeringspartiene om hvorvidt barn av norske fremmedkrigere skal kunne komme tilbake til Norge sammen med sin familie? Nei, det er eg djupt usamd i. Grunnen til dette er det eg opplyste om frå talarstolen. For det som Stortinget ikkje vil involvera seg i, reint prinsipielt, men det viktigaste for Venstres del i denne samanhengen er at vi sjølvsagt har engasjert oss tungt i denne saka via våre folk i regjeringa. Eg veit at mine folk i regjeringa jobbar tungt med denne saka. Eg deler sjølvsagt uroa til Miljøpartiet Dei Grøne for skjebnen til guten. Regjeringa har verkeleg gjort tiltak allereie, bl.a. gjeve tilbod om helsehjelp, som har vorte avvist av mora. Eg gjort tiltak allereie, bl.a. gjeve tilbod om helsehjelp, som har vorte avvist av mora. Eg trur eg vil be Miljøpartiet Dei Grøne og representanten Bastholm om å lytta til det eg sjølv har sagt i hovudinnlegget mitt frå talarstolen i Stortinget, kva gjeld tryggleikssituasjonen og

Dette er kjernen i Kristelig Folkepartis politikk, og jeg er glad for at dette også ligger til grunn for denne regjeringens politikk. I sentrum for politikken står familiene, de små fellesskapene, frivilligheten og troen på at samfunnet bygges nedenfra. Barnefattigdom i dagens Norge handler i stor grad om at barn opplever å være utestengt fra sosiale sammenhenger på grunn av familiens økonomiske situasjon. Alle barn bør derfor få mulighet til å oppleve tilhørighet på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Den kristne kulturarven bærer med seg viktige verdier. Menneskeverdets ukrenkelighet, forvalteransvaret og ansvaret for våre medmennesker Samtidig er kristendemokrati noe mer. Det er en idé om at det mest avgjørende i samfunnet ikke er staten eller politikken, men det fellesskapet som opprettholdes av familier, trossamfunn, frivillighet og institusjoner. Derfor er det heller ikke alt som staten skal ta ansvar for alene. Verdier som ærlighet og personlig ansvar er med på å skape et godt samfunn for alle, der de små Kristelig Folkepartis politikk for nyskaping og entreprenørskap har lange historiske røtter. Hans Nielsen Hauge reiste rundt i landet og startet næringsvirksomhet på slutten av 1700-tallet. Han skapte en folkebevegelse av arbeid, kunnskap og nyskaping, og sporene ser vi i dag. Dette er også en viktig del av kulturarven, en arv som har gitt oss slitesterke verdier, og som er fundamentet for

Det handler om utvikling av ny teknologi, mer bredbånd til hele landet, veier og kollektivtransport. Det handler om god kommuneøkonomi, trygghet for gode helsetilbud og skoler der folk bor, og et sterkt og moderne forsvar. Kristelig Folkeparti vil kjempe for tros- og livssynsfrihet for alle. Et samfunn hvor religion og livssyn begrenses, blir Derfor er det viktig å sikre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner menneskers tro og livssyn i et livssynsåpent samfunn. Religion og tro har en stor samfunnsskapende kraft. Det skaper fellesskap, og trossamfunn er viktige kultur- og verdibærere. De gir identitet og tilhørighet og representerer en arena for å drøfte spørsmål om tro, tvil og etikk. Samfunnsfellesskapet er avhengig av verdier og tradisjoner som binder oss sammen. Tros- og livssynssamfunn er vedlikeholdere av den typen fellesverdier. Et fritt samfunn med menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet oppstår og opprettholdes ikke av seg selv. I vår del av verden har den kristne og humanistiske arven og tradisjonen gitt avgjørende bidrag til å forme og opprettholde et sånt samfunn. Vi skal forsvare disse verdiene. I møte med andre religioner og kulturer skal vi ikke tone ned dette fundamentet i frykt for å støte noen. Det blir helt feil. Vi skal være stolte av vår tradisjon, være tolerante samtidig som vi er stolte av de verdiene som har bygd samfunnet. Det er verdier som har bidratt til å gi oss et godt samfunn å leve i. Etter flere tiår der antallet mennesker som sulter i verden, har gått ned, har denne kurven nå snudd. De siste fire årene har stadig flere mennesker havnet i en situasjon med sult og usikkerhet knyttet til om de klarer å skaffe seg nok mat. 820 millioner mennesker i verden har for lite å spise. En fjerdedel av befolkningen i Afrika sør for Sahara er underernært, og ett av tre barn i de fattigste landene er veksthemmet fordi de ikke får nok og næringsrik mat. Dette er en uakseptabel situasjon. Det er en tragedie for enkeltmennesker og for hele samfunn. Uten mat blir det ingen utvikling, uten næring blir det ingen læring i skolen, og mangel på næring er selvfølgelig helt ødeleggende for folks helse. En viktig driver for denne utviklingen er klimaendringene. Under FNs generalforsamling i forrige uke ble det lansert en rapport som viser at uten klimatilpasning vil klimaendringene føre til 30 pst. nedgang i globale avlinger fram mot 2050. Samtidig vil behovet for mat øke med 50 pst. Derfor er jeg glad for at regjeringen og utviklingsminister Ulstein har løftet kampen mot nettopp sult og klimatilpasning opp som høyeste prioritet i utviklingspolitikken til regjeringen. I Kristelig Folkeparti er forvalteransvaret en av de ideologiske bærebjelkene. Klimatrusselen krever full aktivering av forvaltertanken – at vi ikke eier jorden, men forvalter den. Denne sommeren har klimatrusselen stått høyere på den politiske dagsordenen enn noen gang, og den framstår som en av de største utfordringene vi står overfor i vår levetid. Så må vi i den politiske debatten passe oss for å bli så selvkritiske at vi underkommuniserer det Aldri før har det i Norge vært en mer offensiv klimapolitikk enn nå. Erna Solberg leder den mest klimaoffensive regjeringen noen gang i dette landet. Det skulle bare mangle. Noen partier i denne salen og noen organisasjoner og aktivister underkommuniserer det som faktisk er i gang. Klimasaken er for viktig til at det politiske spillet skal få dominere. Her kreves dugnad, felles innsats og klok handling. Vår velstand i dette landet er langt på vei bygd på det som har skapt denne situasjonen, og det skulle bare mangle om vi ikke kjente et ekstra ansvar for å gå foran. Ifølge en fersk rapport fra Norad er over 40 millioner mennesker fanget i slaveri i verden i dag. Blant disse utgjør kvinner og jenter over 70 pst. Hver fjerde slave er et barn. Norad-rapporten som nettopp ble lagt fram, viser at fattigdom, konflikt, korrupsjon, klimaendringer og migrasjon bidrar til at omfanget av slaveri øker. Rapporten beskriver moderne slaveri som en av de mest lønnsomme forbrytelsene i vår tid. Fortjenesten er høy; risikoen for å bli tatt og straffet er liten. Kampen mot straffrihet er derfor en viktig del av kampen mot slaveriet. Det er også sånn som norske myndigheter bl.a. gjør gjennom etiske retningslinjer for oljefondet. Dette er likevel ikke nok. Kampen mot slaveri i vår tid må føres på mange områder. Det gjelder ikke bare innenfor finans, men like mye innenfor næringslivet – og også for oss forbrukere. Jeg er glad for at regjeringen arbeider aktivt for å styrke kampen mot det moderne slaveriet. Å engasjere seg i kampen mot menneskehandel er en viktig del av kampen for menneskeverdet. Folkeparti har over lengre tid arbeidet for hente hjem IS-barn med norsk statsborgerskap, sammen med sine mødre. Blant disse barna er en alvorlig syk fireåring som trenger et helsetilbud som ikke fullt ut kan gis der han befinner seg. Regjeringen har også tilbudt helsehjelp til den syke gutten, uten at tilbudet er blitt tatt imot av moren. For Kristelig Folkeparti er det viktig å finne en løsning for både denne fireåringen og de andre norske barna som lever under helt umenneskelige forhold. Dette er norske barn som vi må gi en helt annen framtid enn det de utsettes for i leiren de befinner seg i. Det er derfor maktpåliggende for Kristelig Folkeparti å bruke vår posisjon i regjering for å få til en løsning nå. Vi kommer ikke til å stemme for forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet i dag – ikke fordi vi ikke er for innholdet i forslagene. Dette handler om mange ting,

og det er vel heller ingen hemmelighet at det er rundt de store byene den siste tredjedelen da skal være. Dette er en oppskrift på reinspikka sentralisering, som vil svekke en av grunnpilarene i vår rettsstat. Alle skal og må ha tilgang til en rett i sitt nærområde, og en velfungerende rettsstat er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Kristelig Folkeparti var da de satt i opposisjon, imot

Fra Kristelig Folkepartis side ser vi den viktige funksjonen som de tingrettene som i dag er foreslått nedlagt i kommisjonens forslag, har for rettssikkerheten i landet. Vi mener også at de drives økonomisk forsvarlig. Vi mener at de også klarer å rekruttere på en god måte og fungerer godt. Ikke minst vil et sånt forslag, som jeg vil kalle dramatisk,

Regjeringen har jo kuttet i domstolenes økonomi gjennom ABE-reformen og satt domstolene i en presset situasjon allerede i dag, bl.a. ved å kutte dommerårsverk. Sorenskrivere som går av med pensjon, blir ikke erstattet. Vi ser allerede i dag at domstolenes ledelse blir underlagt større domstoler. Allerede i dag foregår noe av det som dette utvalget påpeker. Bare de store domstolene får være med i det som heter «Digitale domstoler», og når de små domstolene kommer med sine ytringer,

konklusjonen direkte overraskende. Samtidig vil jeg igjen understreke at dette ikke er regjeringens forslag. Dette er et forslag fra et utvalg. Representanten Fasteraune har pekt på helt klare svakheter ved dette, og jeg har også gitt uttrykk for et syn som gjør at dette må få en grundig behandling og ikke nødvendigvis i samsvar med det som utvalget her har foreslått.

Representanten snakket så varmt og aktivt om Kristelig Folkepartis tanker rundt situasjonen angående de norske barna i Syria. Hvorfor ønsker da ikke representanten å støtte Arbeiderpartiets forslag om en utredning i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen rundt barna og norske statsborgere? Kristelig Folkeparti er sterkt engasjert når det gjelder fireåringen som har vært omtalt i media, for å få dette barnet hjem, sammen med mor og søster. Vi er opptatt av å få alle norske barn hjem, sammen med mødrene, for at barna skal kunne få en situasjon hvor de kan tas vare på og unngå radikalisering, og at mødrene kan stilles strafferettslig ansvarlig for det de har vært med på. Vi tror dette er en sak som ikke egner seg for avgjørelse i Stortinget, sånn som Miljøpartiet De Grønne har foreslått. Når det gjelder forslaget fra Arbeiderpartiet om en redegjørelse, ønsker vi gjerne en redegjørelse for Stortinget, men da må det skje i et lukket forum, sånn som f.eks. den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, for her er det sikkerhetsmessige og strategiske forhold som vi bør beholde unntatt offentlighet. Så Kristelig Folkeparti vil støtte et sånt forslag og åpner opp for at Stortinget kan få en redegjørelse på de

kjent gjerningsmann henlegges. En stor grunn til dette er en uvilje fra høyreregjeringen mot å lytte til fagfolk, samtidig som reformen over år er underfinansiert. Forliket som er inngått i Stortinget, er uten tvil brutt av denne regjeringen. Høyre og Fremskrittspartiet sier at omtrent 90 pst. av reformen er en suksess. Det må forstås som at det gjenstår bare litt småplukk før man er i mål. Men fra Kristelig Folkeparti har det vært dørgende stille rundt dette en stund nå. Deler Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Høyre og Fremskrittspartiets oppfatning av gjennomføringen av politireformen? La meg bare starte med å minne om at også Arbeiderpartiet var enig i behovet for en reform, og har støttet politireformen her i Stortinget. Det handlet om at vi så at beredskapen måtte styrkes, politiet måtte organiseres på andre måter, i tillegg til at politietaten måtte tilføres ekstra midler, noe denne regjeringen har vist at de har gjort ved å styrke politiet med omtrent 2 800 årsverk siden 2013. Så er det sånn at det kriminalitetsbildet som er i dag, er komplisert. Det betyr nye oppgaver, nye spesialiserte oppgaver som folk i politiet må utdannes til. Samtidig vil jeg også si at vi ikke er i mål med denne reformen. Det er helt klart åpenbare svakheter, som har vært pekt på i ulike undersøkelser. Vi ønsker å jobbe videre med det, også med hensyn til en melding til Stortinget, sånn at vi får muligheten til å diskutere dette. Så løpet er ikke ferdig, men det måtte gjøres diskutere dette. Så løpet er ikke ferdig, men det måtte gjøres noe. Kristelig Folkeparti har slagordet «Sammen for et varmere samfunn», og i lang tid har Kristelig Folkeparti og SV delt slagordet og stått sammen i kampen for et varmere samfunn og mot regjeringens usosiale kuttpolitikk. I dag kan vi lese om Ingrid som forteller at hvis hun skulle ha mistet 60 000 kr, måtte hun ha vurdert å flytte hjem til foreldrene eller leve på nudler. Jeg lurer da på om representanten tror at syke folk blir friske av å bli fattigere når de får arbeidsavklaringspenger, og jeg ønsker å få vite om Kristelig Folkeparti virkelig støtter dette kuttet, eller om dette er noe partiet har blitt tvunget til på grunn av samarbeidet med høyresiden. Jeg er veldig glad for at SV har adoptert Kristelig folkepartis slagord «Sammen for et varmere samfunn» – det synes vi er veldig bra. Så velkommen etter! Når det gjelder forslaget som ble presentert i dag, må vi jo se litt bak forslaget: Hva handler dette om? Det er bl.a. kommet fram på grunn av et forslag fra et sysselsettingsutvalg som så at det måtte gjøres endringer i AAP-ordningen, fordi det førte til at mange kom i en inneklemt situasjon. 70 pst. av disse unge uføre har psykiske utfordringer. Det krever tettere oppfølging og mer arbeid fra Nav for å kunne se hvem av disse vi kan få ut i arbeidslivet. Derfor er det viktig at pengene som nå brukes, brukes for å få de unge mer arbeidsklare. Så er det noen som aldri vil komme ut i arbeid – det må vi ta konsekvensen av – men vi må styrke Nav-kompetansen og styrke inkluderingskompetansen i næringslivet, slik at vi kan forberede dem på en bedre måte enn det vi har gjort i dag. Man sier at sannheten er det første offer i krig, og

Det jeg reagerer på i de to siste innleggene, både fra representanten Breivik og fra representanten Grøvan, er at man har endret veldig historien om hvorfor ikke disse barna hjelpes. Jeg ønsker at det skal være en tydelighet og en ærlighet om at årsaken til at man ikke allerede – egentlig før sommeren – har hentet hjem barna og deres foreldre, stort sett mødre, som nå etterforskes for tilslutning til terrororganisasjonen IS, årsaken til at man ikke allerede – egentlig før sommeren – har hentet hjem barna og deres foreldre, stort sett mødre, som nå etterforskes for tilslutning til terrororganisasjonen IS, er en politisk uenighet mellom partiene i regjeringen om hvorvidt disse kvinnene skal få lov til å komme inn igjen til Norge. Regjeringen har jo vist at den har et stort engasjement for disse norske barna – og jeg synes det er fint En har allerede hentet hjem fem foreldreløse barn, noe som ble gjort på forsommeren. Når vi har vært negative til behandlingen i Stortinget, handler det om at Stortinget for det første ikke kan drive saksbehandling. For det andre tror vi av sikkerhetsmessige og strategiske hensyn

vi i Kristelig Folkeparti jobber hardt for å få en rask løsning, for det haster. Replikkordskiftet er dermed avslutta. Vi har lagt bak oss et lokalvalg. To verdier mener jeg sto sentralt for veldig mange velgere i år. Den første er kampen for levende, sterke lokalsamfunn med trygge nærmiljø å vokse opp i, jobbe i og bli gammel i uansett hvor i landet man bor. Den andre kampen er global og handler om klima- og naturkrisen. Det er den jeg skal snakke om først, for se rundt deg: Over hele verden vokser den grønne bevegelsen. For den nye EU-presidenten er kampen mot klimaendringer en hovedsak. I USA krever stadig større deler av Kongressen en ny radikal klimapolitikk, og mange delstater tar nå klimaledelse. I Norge gjorde vi i De Grønne i år vårt beste valg noensinne, og det samme skjedde denne uken i Østerrike. Stadig oftere og stadig flere steder har visjonære politikere nå klart å mobilisere og vinne valg på ærlig og forpliktende miljøpolitikk. miljøpolitikk. Det er ikke så rart, for klima- og naturkrisen har aldri vært mer alvorlig, og den har aldri vært oss nærmere. Den viktigste kraften i den globale miljøbevegelsen er barn og unge. Forrige fredag deltok 7 millioner mennesker i klimastreik – på samme dag, for samme sak, de fleste fra samme generasjon. Og de har samme budskap til verdens ledere: Vær modig, få opp tempoet!

for det har vi ikke. Hvis vi vil gi ungdommen håp, må vi gjøre det ved å filleriste vår egen sendrektighet: Gi de unge håp ved å vise at man setter deres frihet, trygghet og velferd først. Dropp dyre, brede motorveier og avgiftsletter som øker utslippene. Forsvar Gi de unge håp ved å gå ut av komfortsonen. Ta politisk ledelse og forplikt dere til den politikken som trengs, den som kutter utslipp og sparer natur og matjord – ikke den politikken vi helst skulle ønske vi hadde tid og råd til. En del politikere, fra Høyre til Rødt, hevder at det ikke finnes demokratisk grunnlag for å gjennomføre den politikken som trengs. I stedet for å forplikte seg til nye tiltak advarer de mot opprør og gule vester hvis man nå skynder seg for mye. Men problemet i dag er jo ikke at vi skynder oss, problemet er at det går altfor sakte. Hver dag vi politikere snakker offentlig, er vi også med på å forme den folkelige opinionen. Vi kan velge å fokusere på at dette kan bli veldig vondt, skummelt og vanskelig, eller vi kan velge å bruke den tilliten vi har fått, til å snakke om hva som må gjøres, argumentere for det og dermed bygge støtten for det som tar vare på våre barns framtid. Kjærligheten til barna er en av de sterkeste drivkreftene i mennesket. Jeg er helt sikker på at den er sterkere hos de aller fleste enn kortsiktig egoisme og til og med gamle vaner. Det er klart folk er villige til å endre, til å betale mer for bensin og for flyturer, hvis de ser at det er nødvendig for å redde framtiden til egne barn, og særlig hvis en i tillegg kan vise dem at det satses på de grønne alternativene. God miljøpolitikk gir ofte også bedre liv her og nå, som renere luft og rene fjorder, bedre helse og bedre framkommelighet. Både energisparing og elbiler lønner seg på sikt for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi må hjelpe folk over kneiken. De gule vestene i Frankrike kom av vedvarende høy sosial ulikhet og stor avstand mellom folk og den politiske eliten. Det er et eksempel på hva som skjer hvis en lar et land splittes, og lar ulikhetene øke og øke. Kampen mot sosial ulikhet er viktig i seg selv, men de gule vestene er ikke et argument mot flate avgifter eller annen klimapolitikk i dagens Norge. Jeg tror politikere flest undervurderer hva I valg etter valg har politikere gitt løfter, men svart med å bryte dem. Allerede i 1990 sa Stortinget at utslippene skulle ned. I dag er de høyere enn i 1990. Problemet er ikke at velgerne ikke bryr seg om framtiden, problemet er at politikerne har levert på noe helt annet. I tillegg til kampen mot klima- og naturkrisen sa jeg at valget har handlet om kampen for levende sunne, sterke lokalsamfunn. lokalsamfunn. På samme måte som mange på bygda stemte mot sentralisering og svekkede tjenester i lokalsamfunnet sitt, stemte også innbyggere i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Molde for bedre, rausere og renere lokalsamfunn der de bor. Bygdefolket og byfolket har ikke stemt motsatt av hverandre i dette valget, de har stemt på de samme grunnverdiene. I distriktene er regjeringens sentraliseringspolitikk en viktig trussel mot lokalsamfunnene. I byene er det regjeringens samferdselspolitikk – og vi kan legge til boligpolitikk – som truer oppvekstmiljø, inkludering og helse, bl.a. fordi en insisterer på å fortsette en dyr og bilbasert byutvikling som gir kø, dårlig luft og dårlig framkommelighet. Solberg-regjeringen tvangssammenslår kommuner og legger ned politidistrikter, fødestuer og utdanningstilbud for å spare penger. Pengene de håper å spare, vil de bruke på gigantiske motorveier, som ferjefri E39 på Vestlandet, utvidelse av E6 rundt Trondheim og E18 i Oslo-regionen. For en brøkdel av den prisen kan vi løfte opp vedlikehold, sikkerhet og klimatilpasning på veiene samtidig som vi sparer natur og matjord. Den siste måneden har Erna Solberg og hennes regjering plutselig skapt usikkerhet til og med om nullvekstmålet for biltrafikk inn til byene. Byvelgernes respons var tydelig: Høyre og Fremskrittspartiet ble kastet på gangen av velgerne i alle Norges største byer, mens Miljøpartiet De Grønne nå sitter i styringsposisjon eller forhandler i de samme byene. Alle fornuftige, langsiktige argumenter taler for å holde fast på nullvekstmålet og helst skjerpe det. Forutsigbarhet her er viktig for all annen byutvikling i storbyene. Derfor kommer vi i De Grønne i år til å foreslå at Stortinget lovfester dette målet. Det Det store definerende prosjektet i vårt århundre er å fase ut produksjonen og bruken av fossil energi og sikre overgangen til en rettferdig og ren grønn økonomi innenfor planetens tålegrense. Aldri før har det vært sterkere argumenter for å starte utfasing av norsk petroleumsvirksomhet og stanse åpning av nye felt på norsk sokkel – og stadig flere blir enige med oss om det. det. Så klart kan vi gjøre det samtidig som vi tar vare på menneskene, fellesskapet og kompetansen i norsk industri, og så klart kan vi skape nye arbeidsplasser, styrke et variert næringsliv og minske sosial ulikhet samtidig som vi kutter utslipp. Det handler om hvordan vi gjør det. Det betyr nok at vi må øke skattene på de største inntektene og formuene og senke skattene for dem som har minst. Vi må beskytte den norske modellen i arbeidslivet og styrke sosiale ordninger samtidig som vi gjennomfører en storstilt grønn omstilling med en aktiv næringspolitikk, og ved å bruke offentlig eierskap og offentlige innkjøp smart og innovativt. Vi i De Grønne vil bruke de neste månedene på å snakke mest mulig med både næringsliv og fagbevegelse for å utvikle ideer og samarbeid som får dette til på en mest mulig forutsigbar og inspirerende måte. Jeg vil avslutte med en annen sak: I Al Hol-leiren i Syria sitter en norsk gutt på fire år som risikerer å dø dersom han ikke får helsehjelp nå. nå. Som salen vet, har jeg derfor fremmet et forslag om at regjeringen sørger for raskest mulig å hente fireåringen til Norge. For meg handler denne saken om å forsvare våre egne rettsprinsipper, også når det krever noe av oss. Gutten blir snart fem år og veier nå mindre enn datteren min på ett år og ni måneder. Internasjonal humanitærrett forplikter oss til å hjelpe dem. I humanitærretten stadfestes internasjonale regler i krig, som at syke personer i konflikt har krav på helsehjelp, og at familier i størst mulig grad skal holdes sammen. Barns rettigheter og prinsippet om barnets beste i vår egen grunnlov forsterker denne forpliktelsen. Barn har krav på en særlig beskyttelse, og norske barn er Norges ansvar uansett. Jeg ber Stortinget ganske enkelt om å holde fast på våre egne rettsprinsipper – som vi ellers bruker å forsvare – også i denne saken.

Eg vil difor gje Une Bastholm anledning til, frå Stortingets talarstol, å ta avstand frå denne typen retorikk, og eg håpar at representanten vil gjere nettopp det og ikkje berre kome med ei solbergsk beklaging der ho seier at ho ikkje ville ha brukt akkurat dei orda. Akkurat det siste vil jeg i hvert fall ikke gjøre, og jeg har ingen problemer med – det er veldig naturlig for meg – å ta avstand fra akkurat den enkeltuttalelsen, som var fra akkurat den enkeltuttalelsen, som var en Twitter-melding fra et medlem og en folkevalgt i Miljøpartiet De Grønne. Han fjernet den Twitter-meldingen veldig fort, for to uker siden. Han angrer og har vært tydelig på det, og han ser at det var helt feil. Så jeg opplever den saken som avsluttet. Jeg vil også si at jeg mener at alle mennesker må kunne gjøre feil, og jeg mener at alle politikere, i alle partier, har et ansvar for en debatt hvor vi fokuserer på sakene, og hvor vi har en ærlig debatt hvor vi har en ærlig debatt og tar vare på alle parter i en diskusjon, men også tør å være tydelige nok til at det forplikter. Alle parti har eksempel på enkeltmedlemer som har teke for mykje Møllers tran og uttalt seg litt dumt. Men denne aggressive haldninga mot folk i olja er det ikkje første gong vi ser frå Miljøpartiet Dei Grøne, og det er mange som føler seg både svartmåla og stigmatisert. Difor er det grunn til å lure på om denne utsegna frå denne MDG-medlemen berre er

og hvorvidt industrien knyttet til oljen i dag kan være nyttig videre framover. Veldig mye av den industrien vil helt åpenbart være nyttig, veldig mye av de 170 000 arbeidsplassene er tilgrensende industri som i dag leverer til oljen, og vi som politikere må i en omstilling sørge for at de arbeidsplassene etterspørres av noe annet dersom det ikke skal komme fra oljen. Det er det vi legger i en styrt, planmessig og ansvarlig utfasing av oljen. Det er ikke å skru igjen oljekranene over natten, slik noen hevder, men rett og slett å begynne å planlegge for hvordan den overgangen til en ren økonomi skal skje.

klarer ikke å se noen problematiske sider ved at det vil kreve store omstillinger å få til å lykkes med å begrense klimagassutslippene. Vitenskapen – som Thunberg også peker på – forteller oss jo at Norge, som et rikt land, må kutte 80 pst. innen 2030. Men Miljøpartiet De Grønne går i sitt partiprogram inn for et kutt på bare 60 pst. Hvorfor er de ikke enige med Greta Thunberg? Hvorfor vil de ikke kutte 80 pst. hvis dette er så enkelt?
Først: Velkommen tilbake til Stortinget til representanten Bru. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet sammen i energi- og miljøkomiteen. Jeg mener at vi kommer til å se en ganske stor endring av det norske samfunnet. Jeg tror at f.eks. mange av vanene våre kommer til å måtte bli endret. Det jeg tar opp, er en bekymring over at vi har en veldig tendens til å fokusere mye på det som blir utfordringer. Jeg mener at mener at klimadebatten bærer veldig mye preg av at istedenfor å ville snakke om tiltak som oppleves forpliktende å snakke om – særlig fra regjeringspartiene – ønsker man en debatt som tegner opp et bilde om f.eks. 80 pst., noe som ingen partier i Norge foreslår, og man bruker mye taletid på å forklare hvor vanskelig det kunne ha vært. Hvis man ser på hva som skal til for å kutte Det er det vi i vårt alternative statsbudsjett klarer å vise går an med de tiltakene som i dag er lovlige, som vi har tilgjengelig, og som staten egentlig bare er nødt til å begynne å ta i bruk for å få til en omstilling, som også kan bidra til veldig mye positivt for det norske samfunnet. Men da

Men det er bare 11 år til vi når 2030! Selv med et kutt på 60 pst. vil det kreve enorme omstillinger. Hvorfor sier de f.eks. ikke at da skal vi avvikle oljeindustrien i løpet av 11 år istedenfor 15? Jeg vil for det første medlemmer av partier som i dag sliter med i det hele tatt å ha nok virkemidler til å kutte de utslippene Norge har forpliktet seg til internasjonalt, å bruke mest energi på å påvirke partiet sitt internt for å sikre at vi får til en omstilling som i hvert fall kan ta oss mer på rett vei enn vi er i dag. For det er et faktum at selv om vi har en liste med klimatiltak fra regjeringen nå, har vi utslippene. Det er det største problemet, det er der den store uenigheten står. Det er to store utslippssektorer i Norge. Det er transport, og det er olje og gass. Vi kan velge å se helt bort fra olje- og gassektoren, men vi er fortsatt nødt til å sikre en omstilling av transportsektoren raskest mulig. Da er det veldig rart at man har gitt mer avgiftslettelser til fossile biler siden Erna Solberg kom i regjering, enn man har gitt til nullutslippsbiler. Og det er veldig rart at man velger å gjøre flybilletter billigere på veldig mange strekninger, f.eks. alle strekningene internt i Europa.

er mer enn det dobbeltes når det er kø sammenliknet med når det er flyt i trafikken. For lav kapasitet på deler av veinettet rundt og forbi våre byer bidrar dessverre til mye kø og økte utslipp. Anerkjenner representanten Bastholm at en bensin- eller dieselbil som kjører med god flyt og uten stopp, gir vesentlig lavere utslipp, og slik sett er bedre for både klimaet og miljøet enn om den samme bilen stamper i kø med stadig start og

Det responderer veldig fort på de tiltakene som regjeringen gjør ved f.eks. å gjøre det billigere å kjøpe nye, fossile biler. Det er et kjempeproblem, fordi det låser inn utslippene for veldig mange år framover – og lenge etter at vi eventuelt får en stopp på nybilsalget av fossile biler i 2025. Og til veiene: Vi bruker faktisk i vårt alternative statsbudsjett mer penger på vedlikehold av veier, rassikring og klimatilpasninger av veiene enn det regjeringen gjør. Dette handler om hvordan man ønsker å investere i veinettet. Det er klart at veldig mange er avhengige av å bruke bil i hverdagen. De trenger at veiene er trygge, ikke at de er bredest mulig. I talen sin var representanten Bastholm inne på hvor viktig oljepolitikken er

noe som innebærer en stans i åpning av nye olje- og gassfelt samt en utfasing av petroleumsvirksomheten i løpet av 15 år. Etter lokalvalget har Une Bastholm åpnet for forhandlinger om dette oljeultimatumet, og hennes vararepresentant, Per Espen Stoknes, mener at partiet skal gå vekk fra sitt nåværende oljestandpunkt. Jeg mener derfor det er behov for en avklaring av hva som er Miljøpartiet De Grønnes standpunkt. Vil Miljøpartiet De Grønne stoppe all oljeleting nå Vil Miljøpartiet De Grønne stoppe all oljeleting nå og utfase all petroleumsvirksomhet i løpet av 15 år? Kan Bastholm garantere at Miljøpartiet De Grønne ikke vil sitte i eller støtte en regjering som åpner nye olje- og gassfelt, og som ikke setter en sluttdato for norsk petroleumsvirksomhet? Det skal ikke være noen tvil om at Miljøpartiet De Grønne ønsker å fase ut oljenæringen samtidig som vi bygger opp en grønnere industri og et grønt næringsliv som kan erstatte de arbeidsplassene og de inntektene den gir til staten. staten. Jeg har gitt et intervju hvor jeg prøvde å forklare at vi ennå ikke har startet prosessen om hva slags krav vi skal ha, hvorvidt vi skal ha krav, og hvor absolutte de kravene skal være for å sitte i en regjering i 2021. Men jeg kan bekrefte at for Miljøpartiet De Grønne

Vi i Rødt gjorde et kjempevalg i bl.a. Sandnessjøen og Dønna, midt i episenteret for stormen skapt av distriktsopprøret og bunadsgeriljaen, mens regjeringspartiene er i fritt fall, for de tar ikke inn over seg folks fortvilelse over å fratas muligheten til å leve trygge liv i distriktene, eller harmen ute blant folk over at de får stadig mindre tilbake av de store verdiene som hentes ut fra havet, fra fossefallene, fra jorda og naturen vår. Vi har ingen høyrebølge i Norge, men vi har en protestbølge mot økende forskjeller og mot politisk handlingslammelse. Fra Stortinget skal Rødt gjøre alt vi kan for å motarbeide regjeringens forskjellspolitikk, og nye røde flertall i stadig flere kommuner vil gi motstand nedenfra landet rundt. Det virker dessverre enklere å dra regjeringen baklengs inn i fuglekassa enn å få dem til å legge om kursen, men kampen for et politisk skifte er godt i gang. Så er det to ting som gjør meg oppriktig Det første er faren for klimakrise. Vi har dårlig tid i kampen mot farlige klimaendringer. På elleve år skal vi minst halvere utslippene. Det er ikke for sent heldigvis, vi kan lykkes, men da må vi føre en sosialt rettferdig klimapolitikk. Det er det flere grunner Vi kan ikke føre en klimapolitikk der pisk og gulrot blir ujevnt fordelt. Det er urettferdig. Vi må sikre at de sterkeste ryggene tar den tyngste børa. Vi må sørge for at folk i distriktene, de som jobber i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regningen. Det vil ikke være rettferdig, for det er ikke der hovedansvaret for klimaproblemene ligger. Det handler også om å unngå unødvendig splittelse. I den globale klimakampen er krav om rettferdighet en selvfølge for de aller fleste. Ingen kan regne med at de fattige landene skal kutte mye hvis ikke de rike landene går foran og bidrar mest. På samme måte er det også her hjemme. Jeg tror folk landet rundt er villig til å gi mye for klimaet hvis de opplever at byrdene ved omstillingen rammer rettferdig, og at de på toppen ikke kan betale seg unna og bare fortsette som før. De som rammes hardest når bruk av fossilbil blir dyrere, må oppleve at alternativene blir både billigere og bedre. De som jobber i oljeindustrien, må oppleve at vi er minst like opptatt av å skaffe dem en ny jobb de kan gå til, som vi er av å fase ut den de allerede har. Dette er ikke første gangen Norge står i harde debatter om veivalg som skaper splid og uenighet. Veldig få framskritt har kommet av seg selv, om det så gjelder kvinners rettigheter eller arbeidsfolks kamp. Forskjellen denne gangen, selv om vi får håp fra klimastreikerne, er er at vi ikke har tid til å vente på at en ny generasjon tar over. Da kommer vi ikke i mål i tide, derfor trengs det handlekraft mot klimakrisen nå. Det andre som bekymrer meg, er de økende klasseskillene. Senest i forrige uke kom Kapitals liste over de 400 rikeste, som viser at stadig mer makt og rikdom samles hos dem på toppen, mens store grupper er i ferd med å sakke akterut. Regjeringens egne tall viser at én av tre husholdninger har dårligere råd nå enn da Erna Solberg overtok som statsminister, og her er altså ikke regjeringen i stand til å bestemme seg for hva de faktisk vil. Bør forskjellene ned, eller holder det at de blir på dagens nivå? For to år siden sa regjeringen at de ville hindre at forskjellene økte. I fjor sa regjeringen at de ville redusere forskjellene. I årets trontale sier regjeringen at de «vil beholde et samfunn med små forskjeller». Men forskjellene i Norge er ikke små, de er altfor store, og de øker. I disse VM-tider vil jeg derfor si at vi har en regjering som ikke engang stiller til start i kampen mot Og når de en sjelden gang gjør det, spiller de skittent spill, som i vår da de la fram en stortingsmelding om ulikhet, og Siv Jensen la skylden for økt ulikhet på innvandrerne. Det endte med rødt kort fra landets fremste forsker på ulikhet, Rolf Aaberge, som sa at den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste.

for den bunner i påstander fra elitehold om at ulikheter er naturlige og ikke kan forandres uten at det ender i en enorm katastrofe. Det samme ser vi også i Norge. Da Rødt foreslo et opplegg for dynastiskatt i fjor høst, advarte høyresiden og NHO om masseoppsigelser og krise. Og gang på at vi ikke har problem med ulikhet i Norge, vi må tåle litt ulikhet skal vi ha et samfunn med frihet og verdiskaping. Dette er helt feil. Dagens ulikheter er ikke små, de er ikke naturlige, de er ikke nødvendige – disse klasseskillene er skapt av mennesker og kan også forandres av mennesker. Når jeg sier det, blir kanskje enkelte i salen provosert og vil kalle det for både absurd og virkelighetsfjernt, og det må dere gjerne gjøre. Også de demokratiske frihetene som vi i dag tar for gitt, som stemmerett for de fattige og stemmerett for kvinner, ble en gang avvist som nærmest farlige ideer og påfunn fra f.eks. Stortingets talerstol og latterliggjort av makthaverne som også den gang så på seg selv som demokratiske og frihetselskende. Så her inngår dere i så fall i en lang, men kanskje ikke så veldig stolt og ærerik tradisjon. Den gode nyheten er at landet vårt står foran historiske muligheter. Å få løst klimakrisen krever en politisk dugnad vi knapt har sett maken til. Vi kan bygge landet på ny, mer rettferdig og miljøvennlig. Vi kan fornye samfunnet vårt og skape den grønne norske modellen, som bygger videre på det beste fra arbeiderbevegelsens tradisjon, og som får ned både ulikhet og utslipp – en modell som utvikler industrien og tar vare på naturen. Og den fremmer forslag fra vår side i dagens trontaledebatt om at Stortinget derfor ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030 og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og miljøhensyn. Her må også partene i arbeidslivet med. Den danske regjeringen har erklært en ambisiøs og sosialt balansert og rettferdig klimainnsats. Nå er det tid for at vi viser handlekraft overfor klimakrisen og ruster den norske modellen for framtiden. Jeg tar med det opp Rødts

gjennom EØS-avtalen, hvordan i alle dager mener representanten Moxnes at Norge skal komme bedre ut? Lærdommen fra brexit er at vi aldri bør bli medlem av EU. Det er knapt mulig å komme seg ut av den unionen. Nå er vi heldigvis ikke medlem. Vi har en EØS-avtale som skaper stor motstand ute i industrien ikke minst fordi mange ser at EØS-avtalen gir import av høyrepolitikk fra Brussel, og at det også fører til økt grobunn for sosial dumping og undergraving av norske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Det er mye av bakgrunnen for at mange i fagbevegelsen er mot avtalen. Vi ønsker en vanlig handelsavtale med EU. Meg bekjent solgte Norge varer til land i EU også før EØS-avtalen. Vi hadde til og med tollfrihet på samtlige industrivarer til EU, og vi hadde stor eksport av ferdigvarer og ikke minst råvarer til EU. Så lenge EU har bruk for aluminium, olje, gass og fisk – våre varer – vil de også ha interesse av å handle med oss, også uten en

vekst, overskudd og teknologi. Det er teknologiutvikling som i all hovedsak har tatt mye av de miljøproblemene vi tidligere har hatt. Vi har et system som er basert på økonomisk vekst, som gir oss gode velferdsordninger Det systemet ønsker representanten Moxnes å bytte ut med et annet gjennomprøvd system – som har vist seg ikke å fungere, som har satt mange land i krise. Hvordan mener representanten Moxnes at dette systemet skal øke teknologiutvikling, dersom det ikke fungerer? Man skulle tro at representanten Engen-Helgheim snakket om den norske modellen

at man gir mest mulig makt til noen ytterst få eiere som kun vil maksimere profitt for seg selv – er ikke løsningen verken på en klimakrise eller en ulikhetskrise. Vi vil prioritere en sterk stat, ikke minst for å få opp nye næringer hvor det kanskje kan være vanskelig å få lønnsomhet neste år, men hvor man kan få lønnsomhet om ti–tjue år. Da må staten inn og bygge opp nye næringer, løse det som gjelder klimautslippene våre, og sikre folk nye

disse nasjonene aldri er særlig mye å skryte av. Hvordan forventer Moxnes nå at et slikt system i Norge skulle være med på å bidra til en løsning, når vi trenger vekst, teknologi og overskudd for nettopp å satse på å løse de utfordringene man står overfor? Det har aldri vist seg at de landene som har testet dette, har hatt stort fokus på klima og miljø.
Systemet vi har i dag, har som grunnleggende problem at det er basert på evig økonomisk vekst på en klode som har begrensede ressurser og begrenset tåleevne økologisk. Å forene et slikt system – med evig økonomisk vekst til fordel for den eiende eliten, som er noen ytterst få prosent på toppen – med et samfunn som er innenfor det naturen tåler av av påvirkninger, er den store motsigelsen som Fremskrittspartiet ikke har noe som helst svar på. Vi fikk f.eks. løst problemet med hull i ozonlaget gjennom tydelige politiske vedtak om å forby bestemte gasser, noe som gjorde det mulig å få slutt på at hullet i ozonlaget stadig ble utvidet. At det er politisk styring som trengs, er helt åpenbart – ikke en tro på at markedet vil løse problemet, for markedet styres av en liten elite som vil ha mest mulig til seg selv, og ikke av langsiktige økologiske hensyn. Jeg har tro på at det er det gjennomprøvde systemet som vi har, med all den erfaringen vi har rundt omkring i Europa og utenfor Europa, vi bør basere videre politikk på. på. Hvis man ser at markedsøkonomien fungerer, at den gir oss den veksten og det overskuddet som vi trenger for å kunne satse på teknologi som også kan løse miljøutfordringene, ville jeg satset mer på det enn på å bytte ut systemet med et annet som ikke fungerer. Kan representanten Moxnes komme med et eksempel på hvor planøkonomien har fungert for å løse store utfordringer, f.eks. bidratt til ny teknologi som kan løse miljøproblemer? For det første: Kapitalismen gir oss full fart mot klimakrise, økte utslipp og ingen løsning på de enorme problemene verden står overfor. Det er åpenbart ikke svaret å fortsette med det systemet som primært gir berikelse for en liten elite. ser for det andre at veldig mye innovasjon og utvikling av ny teknologi – også det som er klimavennlig – skjer ved at staten går foran med store investeringer og sørger for ny industri, ny teknologi. Vi ser at innovasjon innenfor helsevesenet skjer i våre felles offentlige sykehus, ikke gjennom private, kommersielle løsninger, og at også vitenskapelige framskritt i stor grad skjer på de offentlig finansierte og universitetene og institusjonene for høyere utdanning. Vi ser at vi i fellesskap kan utvikle veldig mye ny teknologi og nye løsninger, men da må målet med det være å få nye løsninger – ikke å sikre rikdom for de ytterst

som etterpå begynte å jobbe i industrien i Larvik. Det som preget den fasen, var sjølproletariserte folk som måtte stige ned til arbeiderne for å fortelle arbeiderne hva som var til det beste for arbeiderne. Når jeg kom til å tenke på det nå, var det fordi Moxnes står her og sier at det er et stort opprør blant arbeidsfolk mot EØS-avtalen. Jeg er medlem av Fellesforbundet. jeg at flertallet av medlemmene ser betydningen av at de f.eks. kan jobbe mot eksportmarkedet. Så jeg vil spørre Moxnes: Kan han fortelle meg om et eneste fagforbund der flertallet av medlemmene – og jeg spør om medlemmene – er mot EØS-avtalen? I Transportarbeiderforbundet var det flertall mot Transportarbeiderforbundet var det flertall mot EØS-avtalen, og det er mange på grunnplanet i Fellesforbundet som er mot avtalen, ikke minst ute på byggeplassene. Hvis en tar turen dit og snakker med dem og spør hva som har skjedd de siste 15 årene når det gjelder sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og organisasjonsgrad, er det alvorlig, det som skjer, og det er bakgrunnen for at mange vender seg mot EØS-avtalen, også i Fellesforbundet. Det kommer et landsmøte om en uke, og da da får vi se hvordan representanten Andersens ord står seg. Men det viktige er hvorvidt man tar på alvor det som er årsaken til at EØS-motstanden vokser: at mange ønsker at man skal ha mer suverenitet og mer styring over norske naturressurser, og at man sier nei til ACER, som fagbevegelsen gjorde, mens Arbeiderpartiet på Stortinget dessverre sa ja sammen med de borgerlige. Dette er bakgrunnen for at motstanden vokser mot en avtale som dessverre gir import av høyrepolitikk fra Brussel.

er at vi mister fokus på at vi i dette landet har en regjering som er høyreorientert, som innfører mangelfulle tiltak når det gjelder sosial dumping. Det er regjeringa i Norge som er problemet. Det er ikke EØS-avtalen som pålegger oss det. Tvert imot er det slik at den bevegelsen som Moxnes er en del av, som bekjenner seg til Marx, ser ut til ikke å ha fått med seg at det Marx sa, sa, var ikke: Arbeidere i andre land, foren eder. Det var: Arbeidere i alle land, foren eder! Jeg har ingen tro på at vi kan rydde opp i sosial dumping uten internasjonalt samarbeid. Jeg tror ikke denne Marx ville ment at det å sette den frie bevegelighet av kapital, varer, tjenester og arbeid over landegrensene over andre hensyn ville vært et fornuftig prinsipp for arbeiderpartier – med både stor og liten a. Det er det som er kjernen i EU. Det er markedsliberalisme satt i system og til og med grunnlovfestet. Det er kjernen i EU-systemet som vi er en del av gjennom EØS-avtalen. Det er forunderlig at Arbeiderpartiet, som setter arbeidsfolks interesser foran, omfavner et system som er til stor gunst for de store selskapene i EU, for deres makt og myndighet over hele samfunn, men til ugunst for arbeidsfolk som må konkurrere mot hverandre i et grenseløst marked, hvor de som kan by lavest lønn, gjerne vinner konkurransen mot de andre. Det er det omvendte, mener jeg, av ekte solidaritet over landegrensene. Replikkordskiftet er omme. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at selv under litt opphetede replikkordskifter skal man titulere presidenten og ikke snakke direkte til hverandre, men snakke via presidenten. Vår viktigaste felles utfordring i åra framover er å byggje sterke og berekraftige velferdssamfunn. Skal vi

for at private bedrifter skaper det overskotet, ei av dei viktigaste utfordringane i åra som kjem. Skal vi få til det, må vi få ned transportkostnadene, anten det er for folk til og frå arbeid, ved forstørring av bu- og arbeidsmarknadsregionar eller ved å korte ned reisetida for norsk næringsliv. Difor er satsinga på samferdsel ei av dei viktigaste satsingane til dei borgarlege partia og har vore det gjennom seks samanhengande år. Det er eit arbeid som skal fortsetje også dei neste åra. Investeringane i samferdsel er auka med 75 pst. sidan 2013. Vedlikehaldsetterslepet på det norske riksvegnettet har gått ned seks år på rad etter å ha gått opp samanhengande kvart år i fleire tiår. Norsk jernbane er inne i sin største sidan vi ferdigstilte Nordlandsbanen i 1962. Enormt mange positive bidrag bidreg også til at folk no flyttar seg raskare og betre inn mot dei store byområda gjennom enorm tilrettelegging for kollektivsatsing, anten det er på jernbane, eller det er gjennom regjeringa sitt milliardbidrag til dei største byane for å utvikle og byggje ut kollektivtilbodet. Teknologiutviklinga går i eit formidabelt tempo. Det er krevjande å få politikken til å følgje etter raskt nok – anten det er snakk om dronar, sjølvkøyrande køyretøy eller andre teknologiar som er på trappene. Men på nokre område klarer vi også aktivt å bidra til at teknologiutviklinga gjev knoppskyting og nye, lønsame bedrifter i Noreg. Når vi f.eks. bruker den klimautfordringa vi har i dette landet, til

gjennomført store, strukturelle reformer i samferdselssektoren, med to klare ambisjonar: Den eine er å få meir infrastruktur for kvar investerte krone. Den andre er å få pendlarreisa til folk til og frå jobb til å fungere betre. Vi begynner no å sjå resultata av reformene, reformer som opposisjonen var grundig motstandarar av då dei kom: etableringa av Nye vegar, som vart latterleggjord, og som no sparer skattebetalarane for titals milliardar kroner i investeringar og auka samfunnsnytte for tilsvarande, reforma av jernbanesektoren, som opposisjonen rasar over den dag i dag, men som vi ser at vi med dei to første anbodsrundane sparar høvesvis 3 og 5 mrd. kr over ein tiårsperiode.

som handlar om å redusere klimagassutsleppa våre, ikkje ved å plage folk, men gjennom å få i gang ny teknologi som også utviklar lønsame bedrifter. Difor skal regjeringa fortsetje å byggje landet, difor skal vi fortsetje å reformere, vi skal fortsetje å investere. Med det legg vi grunnlaget for vekst og verdiskaping i heile landet. Det blir replikkordskifte. I trontaledebatten så langt er I trontaledebatten så langt er det blitt sagt at vår jobb er å løse folks hverdagsproblemer. Det er jeg enig i. Eller enda mer presist: Jeg vil si jobben vår er å gjøre hverdagen til folk litt og litt enklere. Da kan ikke jeg tenke meg noe mer fornuftig å gjøre enn å sørge for at folk kommer seg på jobb hver dag. Og jeg vil legge til: Folk skal komme seg på jobb og hjem igjen hver dag. Sånn er det ikke for togpendlerne i Oslo-området. Det er noe tull nesten hver eneste dag. Det er forsinkelser, det er kanselleringer, og togpendlerne fortviler. Spesielt ille er det på Østfoldbanen, der det er forsinkelser og tull svært, svært ofte. Hvor lenge skal togpendlerne finne seg i dette, og hva er samferdselsministerens plan for å ordne opp i dette? Eg er einig med representanten Myrli i at dei resultata vi har hatt på Østfoldbanen dei siste åra, ikkje er gode nok, og det skuldast eigentleg – viss vi skal vere ærlege – manglande vedlikehald og manglande investeringar gjennom fleire tiår.

og vedlikehald. Det er regjeringas klare ambisjon at vi skal få til det i åra framover. Så har vi styrkt kapasiteten. Vi har styrkt kapasiteten på Østfoldbanen så mykje at det i seg sjølv er ei utfordring for oss, for viss vi får problem éin gong, forplantar problema seg vidare. Men vi må utnytte den kapasiteten vi har, best mogleg. Det skal vi fortsetje å gjere til det beste for togpendlarane, også på Østfoldbanen. Det er veldig bra at

éin. Den måten å gjere det på gjer altså at vi samtidig som vi gjev bonus for å sørgje for smidige overgangar, så toga går sånn at passasjerane kan vere fornøgde frå dag éin, sparar milliardar av kroner som vi kan reinvestere i infrastruktur, i staden for å betale det gamle statsmonopolet mest mogleg for å operere. Dei 8 mrd. kr vi frigjer, kan vi reinvestere i norsk jernbane, auke punktlegheita, betre og ikkje minst setje inn fleire togavgangar, slik denne regjeringa har gjort gjennom fleire år.

Vi hører historier om sjåfører som må bo og spise i lastebilene. Med slike lønns- og arbeidsvilkår er det umulig for norske sjåfører å konkurrere. Statsråden sa i sitt innlegg at han var opptatt av nye lønnsomme arbeidsplasser. Jeg leser – underforstått – nye norske, lønnsomme arbeidsplasser. arbeidsplasser. Mener statsråden at det er Posten Norges oppgave å bruke dårlige lønns- og arbeidsvilkår for å konkurrere ut andre norske transportører? Svaret på det er nei. Det er ikkje oppgåva til Posten Noreg å gjere det. Men det er oppgåva til Posten Noreg å opptre som eit kommersielt selskap med dei tenestene som Stortinget har fastsett at Bring skal vere med å konkurrere om i marknaden. Det gjer at selskapet sjølv har gjort vurderingar, og for at dei skal vere konkurransedyktige også på ein del transportar, har dei valt å etablere seg utanfor Noreg. Eg meiner at det er fornuftig eigarskapspolitikk å ikkje blande seg inn i alle desse typane vurderingar som selskapet sjølv gjer. Vår felles oppgåve er å sørgje for konkurransevilkår som gjer at flest mogleg bedrifter faktisk

og at ledere i det heleide statlige selskapet Bring, når de kommenterer lønns- og arbeidsvilkår utad, sier at disse sjåførene får 25 000 kr i lønn – underforstått at de er fornøyd med vilkårene som disse sjåførene har? Det er mulig at statsråden som eier ikke skal gå inn i alle detaljer, men han må jo ha registrert hva som er konsekvensen, og hva som skjer i den praktiske hverdagen.

som Senterpartiet naturlegvis gladeleg overser for å prøve å gjere dette til ein politisk debatt det ikkje er grunnlag for. Det handlar altså om at vi eig eit selskap – har eit selskap – som konkurrerer i ein marknad, og som meiner at det må vere konkurransedyktig på internasjonal transport, og difor har valt ei slik etablering. Viss dette selskapet primært opererte i Noreg med måtte dei ha følgt dei løns- og arbeidsvilkåra vi har i Noreg. Det har vi eit regelverk som sikrar.
Statsråden har blitt indignert etter at plattforma for det rød-grønne Viken ble klar. Han uttaler til Dagsavisen i dag at Viken nå kan sette hele Oslopakke 3 i fare. Statsråden må være klar over at det nettopp var regjeringa sjøl som ikke lyttet til lokal enighet. Hadde de gjort det, hadde denne situasjonen aldri oppstått. Dessuten må kanskje statsråden veie sine ord godt når han nå må registrere at den politiske ledelsen i to regioner – på rundt to millioner mennesker – mener at den omfattende utbygginga av Vestkorridoren til 40 mrd. kr er fullstendig feil miljømessig og ønsker en klar nedskalering. Vil statsråden i det hele tatt tenke seg å bruke et minst mulig flertall i Stortinget, kanskje på slutten av sin regjeringstid, til å tvinge gjennom denne E18-utbygginga mot de to regionenes syn, eller ikke? Det er veldig sjeldan eg er indignert, og det har eg heller ikkje vore i denne saka. Men eg har prøvd å klargjere kva potensielle konsekvensar fleirtalsplattforma i Viken kan ha for eit viktig vegprosjekt – både for heile det sentrale austlandsområdet, og også for ein viktig stamveg gjennom Noreg, som er viktig for store delar av norsk næringsliv. Det har eg vore veldig tydeleg på. Det er ikkje slik som fleirtalet i Viken synest å tru, at dette er eit isolert prosjekt som er kopla frå alt anna. Oslopakke 3 har vore ei skjør politisk einigheit. Ei realisering av E18-prosjektet var ein føresetnad for ho. Det har vorte kravd inn bompengar for å delfinansiere E18, og gjennom Oslopakke 3 er det tenkt at det også skal bidra til å finansiere E18 vidare. er grunnlaget for ein byvekstavtale som gjer at regjeringa bidreg med milliardar av kroner til Oslo. Difor har eg sagt at det som det politiske fleirtalet potensielt sett i spel, dessverre er større enn E18. Det har eg lyst til å gjere dei merksame på før dei gjer vedtak. Statsråden nevnte ikke rassikring med ett ord i sitt innlegg, og det er

I mai kuttet regjeringen 180 mill. kr til rassikring, som de igjen puttet inn i valgkampen. Arbeiderpartiet foreslo 400 mill. kr mer enn regjeringen dette året. Det er beregnet at det nå mangler 44 mrd. kr. Hvordan mener statsråden vi kan gi tryggheten tilbake til folk når rassikring ikke er

sikre. Det gjer at vi må gjere nye vurderingar av korleis vi brukar desse ressursane mest mogleg effektivt for å sikre vegnettet vårt, infrastrukturen vår, også i åra framover. Det kan Arbeidarpartiet leggje til grunn at denne regjeringa har tenkt å følgje opp både i samferdselssektoren og i mange andre sektorar. Det handlar om evna vår til faktisk å justere planane når vi ser at verkelegheita endrar seg. Det skal vi klare å handtere i dei komande budsjetta, og dette vert naturlegvis også eit tema i samarbeidet med fylkeskommunane når vi no arbeidar med å rullere Nasjonal transportplan. Dermed er replikkordskiftet omme.

og dei som har lite. Difor har eg lyst til å seia at ein byggjer ikkje landet gjennom nedleggingar, ein byggjer det gjennom vekst og verdiskaping i alle lokalsamfunn. Ein utviklar ikkje moglegheitene til folk gjennom ein kutt- og kravpolitikk, ein gjer det gjennom å følgja opp, stilla opp og skapa sterke fellesskap rundt kvar enkelt i dette landet. Me er nøydde til både å redusera klimautslepp og å redusera forskjellane mellom folk, uansett kven dei er, og uansett kor dei bur. Her går skiljelinene mellom Arbeidarpartiet på den eine sida og høgrepartia på den andre. Me er av og for heilt vanlege folk, heilt vanlege lønsmottakarar over heile landet, mens dei gjev store milliardkutt i skattane til dei rikaste blant oss. Me i Arbeidarpartiet viser òg i prioriteringane våre kva det er som er viktig: at folk har ein jobb å gå til, som gjev dei ei løn å leva av. I salen i dag har me òg eit forslag som vedkjem ein av. I salen i dag har me òg eit forslag som vedkjem ein million nordmenn, nemleg opptening av pensjon frå den første krona. Me søkjer gjennomslag for løysingane våre. No, etter lokalvalet, betyr det òg at ordførarane våre, lokalpolitikarane våre, kjem til å jobba for faste, heile stillingar i kvar enkelt kommune og kvart enkelt fylke. Mange av ordførarane våre har òg skrive klimakontraktar og gjeve klare løfte om endringar som dei vil ha i kommunen sin for å bidra til å få utsleppa ned. Allereie i løpet av dei siste vekene før Stortinget tredde saman igjen, har både Arbeidarpartiet og høgreregjeringa vist fram korta sine i nokre saker som er viktige for folk. Mens høgrepartia vil kutta i skjermingstillegget for uføre pensjonistar, er det noko som ikkje vil få Arbeidarpartiets støtte. Me treng sosiale ordningar for våre gamle, særleg dei som har opplevd å få livet mot seg, og som treng at fellesskapet stiller opp. Høgreregjeringa viser òg korta sine i trontalen – det er vel litt av sjølve poenget med trontalen – og eg vert bekymra når dei i trontalen varslar at dei kanskje ikkje er klare for å fremja ei sak for Stortinget om fullskala CO 2 -handtering før i 2021. Dette er ikkje det næringane ber om dei er tydelege på at viss ikkje avklaringane kjem i løpet av det neste året, kjem avklaringane for seint. Då kan Noreg gå glipp av dei moglegheitene som ligg i dette i industriutviklinga, i kompetansebygginga, i konkurransedugleiken og arbeidsplassane som dette inneber – i tillegg til at me heller ikkje på dette området tek leiartrøya. Me byggjer ikkje landet ved å snakka om klimautslepp eller ved å snakka om me byggjer det ved å skapa industriar og arbeidsplassar som får klimautsleppa ned, og det er Arbeidarpartiet klar for å gjera. Nyleg kom òg rapporten frå kraftskatteutvalet. Han skal ut på høyring, han skal diskuterast politisk, og han skal behandlast etter kvart. Men allereie no er det grunnlag for å seia at for oss i Arbeidarpartiet at for oss i Arbeidarpartiet er det avgjerande at lokalsamfunn som stiller naturressursane sine til disposisjon for utvikling og verdiskaping, sjølvsagt òg må få hausta av dei verdiane. Dei må få sin del av dei pengane som dette skaper, særleg når dei er villige til å ta ulempene som kraftutvikling òg kan gje. Me som har vakse opp i kommunar der vasskraft har betyding, veit kor mykje det har å seia at den rettferda vert slått fast.

eller for marknadskrefter. Det blir replikkordskifte. Representanten Tajik snakket varmt og godt om hvor viktig det er at flere får bidra og være med, og en av de viktige testene på det er hvor mange mennesker som står i jobb. Representanten Tajik brukte selv – i et replikkordskifte med representanten Trond Helleland – 2008 som et referansepunkt for om sysselsettingsgraden har gått opp eller ned. Helt siden tusenårsskiftet har sysselsettingsandelen i Norge gått svakt nedover på grunn av at flere bli eldre. 2008 var et unntaksår, det er et faktum.

Eg er einig i at sysselsetjingsdelen har gått svakt oppover dei siste åra, men eg deler ikkje synet til representanten Asheim på at 2008 ikkje er eit relevant samanlikningsgrunnlag. Det var eit tidspunkt der økonomien i landet gjekk godt. No er me tilbake i ein situasjon der økonomien i landet går godt. Då må ein kunna forventa at ein større del av befolkninga er i jobb, altså at ein bruker dei gode tidene til å skapa rom for at fleire personar som kan vera i jobb, faktisk er i jobb. Eg støttar meg òg til det Finansdepartementet og Noregs Bank gjev uttrykk for begge to, nemleg at den underliggjande produktivitetsveksten er berekna til å liggja ganske mykje lågare enn før finanskrisa, at han faktisk er nær sagt halvert. halvert. Eg reknar med at representanten skal følgja opp med eit nytt spørsmål, så eg er nysgjerrig på om han er einig med Finansdepartementet og Noregs Bank i akkurat dette. Når det gjelder produktivitetsveksten, er det nettopp en av grunnene til at vi tar alle de grepene vi tar for å øke den. Men jeg føler ikke at jeg fikk svar på spørsmålet, for 2008 er altså et unntaksår når det gjelder sysselsettingsandelen. Det er et unntaksår, det sier stort sett alle

Det er mitt syn at det er relevant, for det var eit tidspunkt då økonomien gjekk godt. Når me òg slår fast at økonomien går godt no, er det naturleg å forventa at ein klarer å få fleire i jobb. Det får høgreregjeringa ikkje til. Det eg òg er opptatt av, er å sjå kva som er trendane akkurat no. Kva er trendane og utviklingstrekka? Utviklingstrekka er dessverre godt beskrivne av Finansdepartementet og Noregs Bank når dei slår fast at ein ligg mykje lågare enn før finanskrisa, og at ein nær sagt har halvert produktivitetsveksten. Dette skulle eg ønskja at høgreregjeringa tok innover seg, men eg berre registrerer at måten dei har møtt desse spørsmåla på – både Trond Helleland og Henrik Asheim – viser at dei ikkje synest dette er alvorleg. Det synest

endringa mot venstre Arbeidarpartiet no tek, vil me oppleva – i tillegg til det som vart sagt – at ein går til angrep på velferdsprofitørar, og at ein er oppteken av å rekommunalisera fleire og fleire tenester. Det må mange i Noreg sjå fram til at Arbeidarpartiet skal gjennomføra. Spørsmålet mitt går på pensjon. Representanten snakka om vanlege lønsmottakarar. Dei får òg pensjon. Ein er imot at dei som Ein er imot at dei som leverer tenestene, skal få innskotspensjon. Ein vil tilbake til ytingspensjon. Eg lurer på om talskvinna på området kan forklara kvifor det er greitt at 1,4 millionar vanlege lønsmottakarar skal ha innskotspensjon , men ikkje dei som leverer tenester til
Det at Arbeidarpartiet i mange kommunar har vist seg å vera ein føretrekt samarbeidspartnar, slik at ein har klart å etablera eit fellesskap på tvers av parti, der me kan føra ein politikk for vanlege folk, for lønsmottakarar, er eg glad for å stadfesta, sjølv om me ikkje oppnådde det valresultatet me håpa på og strekte oss etter. Når det gjeld velferdsprofitørar, slik representanten her viser til, er Arbeidarpartiet oppteke av at felles velferd i størst mogleg grad skal vera på felles hender. Det handlar òg om at me ikkje ønskjer eit frislepp av private, kommersielle aktørar som kan sko seg på vanlege folks skattepengar. Det er det som vil vera realiteten i politikken til Høgre og Framstegspartiet, slik dei sjølv beskriv han i sin eigen plattform. Dei seier at ein skal sjå til det dei gjer i Sverige. til det dei gjer i Sverige. Der har dei valt å ha ein fri etableringsrett for private aktørar innanfor eldreomsorga. Det ønskjer ikkje Arbeidarpartiet.

Landbruket er den viktigste distriktsnæringen, og vi ser at stadig flere har blitt tvunget til å legge ned arbeidsplassen sin på grunn av rovdyrproblematikken. Særlig så vi det etter blodbadet i Nord-Østerdalen i fjor. I år er det samme på gang igjen, og mange er veldig hardt rammet. Regjeringens rovdyrpolitikk er en politikk for nedleggelse. De siste årene har vi hatt en kraftig økning av ulvestammen, og den spres over stadig nye kommuner i beiteprioriterte områder. Vi er nødt til å gjøre noe med dette. Derfor har Senterpartiet foreslått stående fellingstillatelse på ulven som herjer i Trøndelag og i Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral. Vil Arbeiderpartiet støtte dette forslaget ? Og: Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for å hindre at flere distriktsarbeidsplasser legges ned på grunn av dette Me er

Når det gjeld spørsmålet frå representanten om rovdyrpolitikken, vil me sjølvsagt ha kontakt med Senterpartiet om det. Men det som er viktig for oss, er at ein klarer å ha ei balansert tilnærming til dette spørsmålet. Det opplever me at regjeringa ikkje har. Og det gjer at det er viktig for Arbeidarpartiet å ta opp denne saka på vegner av dei som opplever rovdyrproblematikken på nært hald. Replikkordskiftet er omme. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at taletiden i Stortinget ikke er veiledende, den er absolutt. Det gjelder også under replikkordskiftene. Norge er

Vi tar vare på dem som sliter, ikke bare over offentlige budsjetter, men vi hjelper naboen vår med å bære de tunge varene inn i leiligheten, og det er stadig flere – og særlig menn – som stiller opp og vinker inn når noen skal lukeparkere. Dette landet har ikke blitt til av seg selv, eller blitt til over natten. Det har blitt slik gjennom generasjoner. Vi har alltid visst, helt siden vi var et langt fattigere jordbruks- og fiskesamfunn, at man må så før man kan høste, at det må skapes før man kan dele. Når Høyre er så opptatt av å skape et bærekraftig velferdssamfunn, handler det i bunn og grunn om å ivareta denne norske tradisjonen. Skal vi ha et velferdssamfunn som fordeler verdiene rettferdig i landet vårt, må vi også ha verdier å fordele. De verdiene må skapes, og derfor må vi har verdiskaping. Det betyr at det må skapes arbeidsplasser over hele landet. Da må vi ha forpliktende handelsavtaler med våre naboland gjennom f.eks. EØS, vi må ha et skattesystem som gjør at Norge tiltrekker seg verdiskaping, ikke presser den ut av landet. Vi må bygge landet sammen med vei- og jernbanesatsinger, slik at man kan bo overalt. Vi må ha et utdanningssystem som gjør at flere unge fullfører videregående skole og blir selvhjulpne. Og vi må sørge for at flere av dem som står utenfor arbeidslivet, kommer inn i arbeidslivet. Vi hører i denne debatten at det ene opposisjonspartiet etter det andre sier at kommunevalget var en beskjed om at flertallet i Norge ønsker en ny kurs. Men – og dette blir svært aktuelt frem mot 2021 – et flertall for hva? Vi vet hva de i fellesskap er mot, og det er oss, men hva er de for? Både SV, Senterpartiet og Rødt vil melde Norge ut av den viktige EØS-avtalen. Samtlige partier vil øke skattene, noen av dem dramatisk. Både SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil dramatisk kutte i veibyggingen i Norge. De er enige om å avlyse noe av det viktigste vi gjør for en bedre skole, nemlig kompetansekrav, opptakskrav til lærerutdanningen, og fraværsgrensen skal bort. De er konsekvente motstandere av endringer som bidrar til fundamentet i den norske modellen; det skal alltid lønne seg å jobbe i Norge. Kontrastene er store.

Hvis det er ett land som vet hvor viktig det er å ta vare på naturen og skånsomt høste av den, så er det vårt. Klima- og miljøsaken er en av våre største utfordringer fremover. Hvis noen vet hvor viktig naturen er, så er det nettopp nordmenn – aldri gjennom å verne, forby eller stoppe utvikling. Vi har skånsomt høstet og ivaretatt naturen vår for fremtiden og fremtidens generasjoner. Norge kan bidra internasjonalt gjennom å levere strøm til Europa, eller gjennom å bruke kompetansen og kunnskapen vi har til å skape nye teknologiske løsninger. Høyre er partiet som ikke mener at det kun handler om individuelle valg, men strukturelle endringer for å løse klimaproblemene. Senterpartiet er det eneste partiet i Stortinget som stemte mot vår forpliktende klimaavtale med EU. SV og Miljøpartiet De Grønne ser ut til å være mest opptatt av å avvikle, regulere eller å hindre næringene våre, ikke å omstille og satse på dem i en ny tid. Vi er et land som alltid har vist omsorg og tatt vare på dem som trenger det. Høyre var det partiet som åpnet privat sektor på 1980-tallet med lukkelov og konkurranse innenfor etermediene. Nå handler vår nye kamp om de offentlig finansierte tjenestene valgfrihet og makt over eget liv, særlig i en sårbar situasjon. Vi skal bruke alle gode krefter, og de skal få slippe til. Vi skal ikke stenge døren for halve samfunnet når hele folket skal løftes. 2021 blir et valg om veien videre for Norge, og om alternativer i politikken. Det blir også en viktig avgjørelse for om Norge skal fortsette å være verdens beste land å bo i.

Norge. Derfor vil jeg ha et svar fra Høyres finanspolitiske talsperson: Hva er årsaken til dette spektakulære løftebruddet? For det første er det helt riktig at vi må sørge for at Norge har flere ben å stå på. Derfor må vi ha en næringspolitikk som skaper nye bedrifter, og derfor er vi uenige med Arbeiderpartiet i f.eks. forslagene om økte skatter og avgifter for næringslivet og flere reguleringer. Det er verdt å minne om at denne regjeringen strammet inn handlingsregelen, fra 4 pst. til 3 pst. Vi har ligget under 3 pst. i oljepengebruk hvert eneste år. Hvis Arbeiderpartiets problem er at vi er for avhengige av oljepenger, har de et langt større problem. problem. De foreslo senest i revidert nasjonalbudsjett å bruke mer oljepenger enn det regjeringen la opp til. Hvis vi skal klare å gjøre den omstillingen, handler det ikke om hvor mange kroner det er på det enkelte budsjett, men om å investere for den omstillingen som er helt nødvendig for å skape nye næringer. næringer. Jeg mener det er helt åpenbart at den ikke-sosialistiske siden og den ikke-sosialistiske regjeringen har en helt annen politikk for å skape arbeidsplasser og investeringer enn det den rød-grønne siden samlet sett har, med alle de eksemplene på uenighet mellom partiene som jeg brukte tid på også i mitt innlegg. Det er riktig: Dette handler om hvordan pengene skal investeres. Da kan vi ta to andre sentrale løftebrudd som Flertallet i denne salen ga regjeringen kritikk for den manglende oppfølgingen på beredskapsområdet. Et tredje konkret løfte som ble gitt før høyreregjeringen tiltrådte, var at sykehusene skulle styrkes med 12 mrd. kr. Også de konkrete løftene har blitt brutt på tydeligst mulig måte. Da må spørsmålet bli: Når man bryter de sentrale løftene – ett etter er det da feilprioriteringer i budsjettarbeidet på Stortinget som er årsaken, eller er det regjeringen som ikke klarer å følge opp de lovnadene de gir? For å begynne med beredskap: Det er en av de virkelig store utfordringene vi har. Vi ser at regjeringen nå bygger et nytt beredskapssenter – Arbeiderpartiet har vært noe uklare i det spørsmålet – og det kommer nye helikoptre. Vi har også en egen beredskapsminister, som sørger for å holde dette sammen. men bare ser på tallet og ikke på målet, nemlig at ventetidene går ned og flere får behandling – resultatene kommer for mindre penger enn vi trodde det kom til å koste – blir det dyrt når man skal styre landet på et eller annet tidspunkt. Derfor tror jeg at valget i 2021 også kommer til å handle om dette: økonomisk ansvarlighet og det å sørge for å få mer ut av de pengene vi bevilger, i stedet for bare å se på beløp og

Regjeringen må jo ha en idé om hva som monner i den andre enden, når de oppnevner sine utvalg. Gjennomgangsmelodien er «robust», «attraktive fagmiljøer», og konklusjonene er «færre, større, bedre». Kristelig Folkeparti markerer – senest her i dag – sitt syn på sentralisering, bl.a. av tingrettene. Som jeg også sa i replikken til representanten Grøvan, foreslås det store endringer i dagens tingsrettsstruktur. Mitt spørsmål er: Vil Høyre, når denne saken kommer til Stortinget, love at halvparten av landets tingretter ikke blir stengt for godt, og stemme mot en slik rasering av rettsstaten? La meg begynne med å si at det ikke er slik at denne regjeringen har forandret Norge. Norge er forandret, og når Norge er forandret, må man noen ganger også gjøre endringer i forvaltningen av landet vårt eller i måten vi løser ting på. Jeg tror det farligste som kan skje et land som Norge – en liten og åpen konkurransenasjon i en stor verden – er stillstand, hvor man sier at alt var bedre før. Det er ikke å stå stille; det er Så til spørsmålet om tingrettene: Det er et ekspertutvalg som har foreslått dette. Vi har ikke konkludert på hvordan det skal videreføres. Det må regjeringen diskutere. Men det er verdt å minne om at en av dem som ikke har støttet akkurat den løsningen, men som har påpekt viktigheten av tunge fagmiljøer innenfor domstolene, er barneombudet, som sier at det er viktig at man har solide fagmiljøer der. Hva som blir resultatet av dette, kan selvfølgelig ikke jeg stå og love nå, for vi har ikke behandlet det i Høyre. Vi har bare fått en rapport. Men det er klart at man også må lytte til de kreftene som sier at for svake fagmiljøer i domstolene kan gå ut over menneskers rettssikkerhet. Det var interessant å høyre innlegget til representanten Asheim. Han sa at det må strukturelle endringar til for å handtere klimakrisa, og at klima- og miljøtrusselen er den største i vår tid, men det var lite konkret om kva ein skal gjere. Noko eg har utfordra Høgre på tidlegare, er strukturelle problem når det gjeld pengar. Kvar skal pengane investerast i dette samfunnet? Viss vi skal klare å få til det store, grøne skiftet, må vi jo investere i det store, grøne skiftet. Men måten vi har lagt opp skattesystemet på osv., gjer at det i dag faktisk er meir gunstig å investere pengar i eigedom enn i i det nye i staden for å plassere pengar i eigedom. Kvifor er det da gunstigare å investere i eigedom enn i industri og andre næringar under dei blå-blå? Dette var en helt ny måte å argumentere for boligskatt for vanlige folk folk på, ved å si at dette handler om industripolitikk. Det gjør det selvfølgelig ikke. Når det gjelder investeringer i sekundærboliger, har jo denne regjeringen endret på det, sammenliknet med den rød-grønne regjeringen, som SV – så vidt jeg husker – hadde finansministeren i.

Jeg tror de aller fleste har det som den store investeringen i sitt liv. Derfor skal ikke det være et skatteobjekt, sett med Høyres øyne. Det skal derimot sørge for at for dem som vurderer å investere i eiendom som en investering, så skattlegges det nå likt med andre investeringer. Replikkordskiftet er omme. Norge er et fantastisk land med noen enorme muligheter. Det har ikke kommet av seg selv. Norge er bygd gjennom generasjoner, gjennom at hardtarbeidende og

gjennom at vi har hatt en offentlig sektor som steg for steg har blitt bygd ut for å legge til rette for gode tjenester i hele Norge, og gjennom at vi har hatt framsynte politikere som har vært opptatt av å sikre nasjonalt eierskap og kontroll over naturressursene. Med dagens politiske flertall

og tidvis også umulig konkurransesituasjon å forholde seg til. En ser en stat som i store områder av landet trekker seg tilbake, og en ser et stortingsflertall som gir fra seg suverenitet, som gir EU makt over vitale deler av norsk energipolitikk og norsk Det er behov for en utvikling som går i en annen retning. Det politikerne som var framsynte på starten av 1900-tallet klarte å sikre den gangen Norge fortsatt ikke var blitt en energinasjon – ja, det er et flertall i energinasjonen Norge i dag i ferd med å skusle vekk. Det er utrolig viktig å ta lærdom av historien og hva det har bidratt til for Norge når det gjelder å sikre en energi- og industripolitikk som sørger for at vi bruker de rike naturressursene vi har – bruker den rikelige tilgangen på fornybar kraft og strøm – til å bygge arbeidsplasser i Norge, til å bygge industrisamfunn rundt i vårt langstrakte land, istedenfor å sende det ut som en ren råvare til utlandet. Til den diskusjonen som er om nye utenlandskabler – jeg registrerte jo at regjeringen behendig nok sørget for at NVEs konsesjonsbehandling angående NorthConnect-kabelen ikke skulle bli en del av valgkampen i år, men skulle komme rett i etterkant: Dette er altså en ren eksportkabel, som vil legge til rette for eksport av mer strøm enn det samlede strømforbruket i noen av de største industrisamfunnene i Norge til sammen. Det er en svært uklok politikk, som vil bidra både til økt strømpris for folk og næringsliv i Norge og til å skuffe arbeidsplasser ut.

samfunn. Derfor er det viktig at en bidrar til at regjeringen kommer til denne salen og gir en redegjørelse for de områder som gjelder energipolitikken og EU, både når det gjelder energimarkedspakkene, og når det gjelder ESAs angrep – og nye angrep – på systemet med heimfall. Så har jeg registrert at flere politikere så langt i debatten har forsøkt å gi en beskrivelse av hva som skjer i norsk fagbevegelse når det gjelder EØS. Vel, det som skjer, er at ledelsen i det største forbundet i privat sektor har tatt initiativ til at en skal få en offentlig utredning av handlingsrommet i EØS-avtalen og alternativ til EØS-avtalen. Det er i hvert fall det minste Stortinget må kunne være med på å slutte seg til.

Å si at EØS-avtalen lett kan erstattes med en handelsavtale, må være mangel på forståelse av hva den er, for uten denne avtalen, som sikrer markedsadgang for våre varer, og som også er med og sikrer samarbeid innen miljø, forskning og kompetanse, vil ikke Elkem kunne drive industri i Norge. Jeg har to spørsmål: Tar denne bedriftslederen feil? Når vi ser kaoset rundt brexit og Storbritannia, tør virkelig Senterpartiet da sette i gang en prosess som vil true arbeidsplasser og bosetting i Distrikts-Norge? Norge har gjennom mange tiår, lenge før EØS-avtalen, hatt et velfungerende handelssamarbeid med andre land. Norge er en åpen økonomi som er avhengig av handel med andre land. Hvis en holder fisk utenfor, har vi hatt tollfri adgang til EU-markedet for fisk utenfor, har vi hatt tollfri adgang til EU-markedet for alle industrivarer siden slutten av 1970-tallet. Selvsagt skal et framtidig handelssamarbeid bygge på at vi skal ha god markedsadgang, men vi må også sørge for det bl.a. lederen av det største forbundet i privat sektor er opptatt av, som organiserer noen av de ansatte i bedriftene som representanten Ebbesen viser til:

alternativ. Det er interessant å høyra Gjelsvik fyrst snakka om å seia nei til alle røyrleidningar og etterpå seia at me skal ha god marknadstilgang. Det er i så fall litt selektivt kva tid ein skal ha marknadstilgang og ikkje. Når me har naturgjevne fordelar i Noreg og kan produsera rein og god kraft, synest nokre av oss det er greitt at me òg deler med andre sånn at dei kan sleppa å produsera mitt går òg på energipolitikken. Då Stortinget behandla energimeldinga, las eg at Senterpartiet i lag med Miljøpartiet Dei Grøne, SV og Arbeidarpartiet, som er partia dei ofte samarbeider med, var einige om at dei ville be regjeringa sørgja for at «dagens avgifter på gradvis økes». Dette er me i Framstegspartiet sterkt ueinige i. Me meiner at folk i heile landet treng bil og skal kunna ha råd til å køyra bil. Mitt spørsmål til Senterpartiet er: Meiner ein framleis det ein meinte den gongen, at ein gradvis skal auka utgiftene for dei som køyrer bil, i heile Noreg? Når det gjelder kraft og eksport av kraft, er det helt riktig at Senterpartiet er uenig i at det er fornuftig å eksportere kraft som en ren råvare ut av er mye viktigere å bruke det som har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og industrireising i Norge – tilgang til kraft til en konkurransedyktig pris – i Norge. Det samlede kraftoverskuddet i Norge innebærer ca. 0,4 pst. av kraftbehovet i Europa. Istedenfor å satse på å eksportere det, bør vi satse på å bruke det til arbeidsplasser i Norge. Til det som går på avgifter:

Er ein einig i eigen merknad om at ein gradvis skal auka desse avgiftene, eller har ein no kome på nye og betre tankar og meiner, likeins med Framstegspartiet, at folk i heile landet treng bil og då må kunna ha lågare avgifter? Jeg beklager at jeg plasserte rojale titler på representanten Njåstad, men det han derimot ikke kan komme seg unna, er at han representerer et flertall i denne salen som hvert år legger fram forslag og vedtar statsbudsjett.

det jeg synes er utrolig viktig – bærekraftig velferdssamfunn i den forstand at det handler om å forvalte ressursene til det beste for dem som bor her i dag, men også i et generasjonsperspektiv, at vi har et forvalteransvar overfor neste generasjon, ikke bare når det gjelder penger, men skaperverket, det å ta vare på miljøet, sånn at neste generasjon får like muligheter. Men begrepet «velferdssamfunn» viser noe mer enn at vi bare snakker om en stat. Vi snakker om et velferdssamfunn. Hele kjernen i Kristelig Folkepartis ideologi handler om å bygge samfunnet nedenfra, det handler om å bygge familiene, de små fellesskapene, frivilligheten, lokalsamfunnene. lokalsamfunnene. Derfor er en av de viktige satsingene som denne regjeringa gjør, å sikre flere barn mulighet til å ha en trygg og god oppvekst. Vi vet at dersom de vokser opp i trygge, gode familier, er sjansen for det større. Derfor styrker vi familiene. Neste år skal vi øke barnetrygden med 3 600 kr for barn mellom 0 og 6 år. Vi styrker satsingen på foreldrestøtte og samlivskurs,

elev. Sammen med kompetanseløftet mener jeg at skolen blir enda bedre, og mulighetene for å kunne lykkes blir mye bedre. Å bekjempe fattigdom handler om å skape jobber. Noe av det jeg synes har vært fantastisk de siste årene, er at det er blitt skapt 40 000 nye jobber, de aller fleste i privat sektor. Det betyr noe for dem som har vært utenfor, som nå har mulighet til å kunne få sin egen inntekt, men det betyr også noe i et generasjonsperspektiv, for vi vet at budsjettene kommer til å være mer og mer krevende i årene framover, og det at det skapes nye arbeidsplasser, er helt vesentlig for at vi også kan fordele. For Kristelig Folkeparti er også det at vi er hele mennesker, avgjørende. Derfor er det alltid en satsing på frivillighet, på kultur, på tro og livssyn.

så glad i. Derfor har vi også lagt fram et nytt forslag til lovverk som sikrer en god finansiering av trossamfunnene, og som også gir en avklaring når det gjelder eierskap til Opplysningsvesenets fond. Når det gjelder dette 200 år gamle litt mystiske fondet, har vi et forslag der vi sier – og håper Stortinget slutter seg til – at verdiene i fondet skal komme kirkene til gode, skal bidra til at vi endelig får et løft når det gjelder vedlikehold, sikring og istandsetting av de flotte kirkene rundt om i landet. Når vi snakker om et bærekraftig velferdssamfunn, har vi også det globale ansvaret, for klima og miljø er noe av det som er kjernen i bærekraften. Når bistandsbudsjettet kommer nå på mandag, vil en se,

blir replikkordskifte. Barn som sviktes av sine aller nærmeste, fortjener et samfunn og politikere som gir alt for at disse barna skal få et bedre liv. Men det går knapt en uke uten medieoppslag om de skrikende behovene for flere folk i barnevernet. Fagfolk er bekymret og har stadfestet det i

Dette var Kristelig Folkeparti enig i – før de kom i regjering. Nå er de del av en regjering som er imot dette. Hvordan vil statsråden forklare folk – de som nå gjør opprør – at Kristelig Folkeparti valgte makt og regjering foran en skikkelig opprusting av barnevernet? Takk for et viktig spørsmål. Barnevernet er ekstremt viktig, som representanten sier, for å hjelpe de ungene som dessverre ikke fortjener. Derfor har vi styrket barnevernet. Det gjennomføres enormt mye arbeid på feltet, og Stortinget har de siste årene også vedtatt mange endringer som kommer til å tre i kraft de neste årene: Jeg er spesielt opptatt av kompetanse, styrking av kompetanse. For 2019 2019 bruker vi 90 mill. kr til kompetanseheving, som jeg mener er viktig. Men jeg er enig med representanten Trettebergstuen i at bemanning er viktig. Derfor er jeg veldig glad for at det siden 2013 og fram til 2018 har vært en økning på 1 300 ansatte i barnevernet. Det er et stort løft. Og barnevernet styres kommunalt, slik at det er kommunene som har gjort det løftet, fordi vi har tro på at de Og hvis jeg ikke husker helt feil, er det en økning på 27 pst., altså et kraftig løft som kommunene har kunnet gjøre, takket være en god kommuneøkonomi fra denne regjeringen. Statsråden skyver her ansvaret fra seg og over på kommunene. Det syns jeg er merkelig, med det opprøret som nå er der ute. Det at de ansatte i barnevernet sier så tydelig

og fase inn ideelle og statlige, var Kristelig Folkeparti enig i dette. Da vi foreslo en kvalitetsreform for barnevernet, var det noe som Kristelig Folkeparti støttet. Ingen av de tre punktene støtter dagens regjering. Vi var på linje; Kristelig Folkeparti har skiftet kurs. Mener da statsråden at det var feil at Kristelig Folkeparti støttet Arbeiderpartiets tre punkter for et

tiltak på skolen? Dette vet kommunene best, og jeg tror det er viktig at de fortsatt har det ansvaret. Men vi holder på politikken. Vi har gjennom budsjettforlikene de siste seks årene vært med og styrket barnevernet. Det har betydd mye for de mest sårbare ungene. Når det gjelder ideelle aktører, er regjeringsplattformen, hvis en leser den, også tydelig på nettopp det, Jeg er i gang med å følge opp det som var et anmodningsvedtak fra Stortinget – som Kristelig Folkeparti også sto bak – som jeg tror vil både styrke kvaliteten og bedre det tilbudet som ungene får. Kristelig Folkeparti i opposisjon var altså for øremerkede penger til flere stillinger i barnevernet. Dagens høyreregjering er imot. Kristelig Folkeparti i opposisjon var med Arbeiderpartiet på at de kommersielle kreftene skal fases ut, og at de statlige og ideelle kreftene skal ta over plassene. Ingenting av dette har dagens regjering gjort. Hva synes egentlig statsråden om Kristelig Folkeparti og hans eget gjennomslag i regjeringen for de svakeste barnas beste? Dette er feil. For det første er det som jeg sa, at når det gjelder ideelle aktører, er vi i gang med det arbeidet og følger opp det anmodningsvedtaket. Jeg har svart Stortinget om det før. Dette var en viktig prioritering for Kristelig Folkeparti, fordi vi tror at det ikke bare er det offentlige som har gode løsninger, vi tror også på ideelle. Derfor har vi vært med på å styrke den sektoren, og det jobber vi videre med. Når det gjelder øremerking,

Kommunene sitter tettere på, og det er ikke alltid sånn at det er én ekstra i barnevernet som er det beste tiltaket. Det kan være andre typer ordninger, og det må kommunene få lov til å styre selv. Det er

I tillegg har det kommet en rekke offentlige rapporter og utredninger som peker på manglende organisering og mye kvalitativ problematikk. 28 pst. av befolkningen sier nå at de ikke har tillit til det norske barnevernet. Det har jeg. Men teoriene om hva som er galt, om alt som ikke fungerer, og om løsningene, er veldig mange.

Jeg tror dessverre at verken statsråden, departementet eller noen andre har nok oversikt eller taket på alle utfordringer i barnevernet. Det kommer nok gode forslag i ny barnevernslov. Ja, kompetanseheving kommer til å hjelpe på noe, men er det nok for å få gode folk til å bli stående i en jobb som bl.a. får så mye hets? Fosterhjemsproblematikken er et kapittel for seg. Vi har jo ikke engang lovregulert fosterhjem og fosterfamilier. Parallelt med at det nå avdekkes altfor mange graverende saker av media og i rapporter, er det mange kommuner som gjør godt og nyskapende arbeid innenfor barnevernsarbeidet sitt. Hvordan kan statsråden sørge for at vi får avdekket alt – alt som er bra, og alt som ikke fungerer – og virkelig få satt barnevernets utfordringer og behov på dagsordenen? Mange tar til orde for en barnevernskommisjon, en uavhengig gransking, som samlet ser på alle sider ved dette komplekse saksområdet. Hva tenker statsråden om å vurdere en slik kommisjon? Mitt utgangspunkt er nok det samme som Barneombudets, som kommenterte det spørsmålet, at vi vet veldig mye om utfordringene, og vi er i gang med målrettede tiltak på de feltene og for de utfordringene vi ser. Sånn sett tror jeg en kommisjon kan forsinke arbeidet og ikke nødvendigvis være det vi trenger akkurat nå. Jeg er glad for representantens spørsmål og innretningen på dem, for det handler om hvordan vi som politikere kan være med på å bygge opp tilliten til de ansatte. Vi vet at det å jobbe i barnevernet må være en av de mest krevende jobbene. Man jobber med spørsmål som er så viktige for familiers liv og for ungers liv, og vi vet at det krevende dilemmaer de står i. Derfor er kanskje noe av det viktigste budskapet å sende ut at de aller fleste sakene barnevernet jobber med, heldigvis er frivillige tiltak, der barnevernet er inne og hjelper familier. Det er bare i ytterst få tilfeller at man må gå til det skritt å bruke enten tvang eller omsorgsovertakelse. Dette har vi et veldig stort fokus på, og jeg lover representanten at det skal komme mange saker de neste årene.

så stor tro på mirakler at han også tror at kutt i inntekt vil gjøre de syke friske? Først vil jeg berolige representanten med at eksemplet han viser til, ikke vil få kutt, for dette vil gjelde nye tilfeller. Så vil jeg presisere veldig tydelig – og det brukte jeg også mye av mitt innlegg på – at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for ekstremt mye god politikk, som betyr veldig mye for dem som har dårlig råd. Så vil jeg presisere veldig tydelig – og det brukte jeg også mye av mitt innlegg på – at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for ekstremt mye god politikk, som betyr veldig mye for dem som har dårlig råd. Det budsjettet som kommer på mandag, vil bety en stor forskjell i veldig mange menneskers liv. Det vil bety en styrking for familier – og ikke minst for de familiene som har dårlig råd. Et eksempel på det, og der jeg vet at vi er enige, er økningen i barnetrygden for i år – og ikke minst 3 600 nye kroner for neste år. Når det gjelder arbeidsavklaringspenger for unge, mener jeg at det Siden 2000 har økningen på AAP og uføre vært på 50 pst., og vi vet at bare én av fem kommer ut i arbeid fra AAP. Da må vi ta noen grep. Nå styrker vi oppfølgingen, så dette er ikke et kutt. Det er en vridning fra stønad over på tiltak, slik at enda flere unge mennesker skal komme seg ut i jobb. Replikkordskiftet er omme. Arbeiderpartiet er på parti med alle her i landet som ønsker frihet, likeverd og

omme. Arbeiderpartiet er på parti med alle her i landet som ønsker frihet, likeverd og det å kunne bevege seg mot egne mål. Ønsker ikke alle det egentlig? Norge er fortsatt et godt land å bo i for de aller fleste, men noen begynner å dra fra, og noen blir stående igjen. For hvor du bor, utdanningsnivået til foreldrene dine og den familieøkonomien du vokser opp med, er fortsatt avgjørende for helsen din og for hvor lenge du får være frisk og leve. I Norge øker forskjellene mellom dem med god og dem med dårlig helse. Det er urettferdig at de som har dårligst levekår, også må oppleve mer sykdom, smerte, lidelse og tidligere død. Det tåler vi ikke i et land som er så godt å bo i. Flere eldre gir også mange flere gode leveår for veldig mange, men mange opplever sykdom og ofte flere sykdommer når helsen først begynner å skrante. Da kongen vår, som var her i går og åpnet Stortinget, besøkte Malvik kommune og vår fantastiske ordfører, Ingrid Aune, uttalte han at alderdom er rikdom og sykdom. Og det er ganske godt sagt. Flere eldre betyr mer livsglede, men flere eldre vil også trenge helsetjenesten vår – at den er god nok, og at den er tilgjengelig nok. Fastlegeordningen er selve grunnmuren i vår felles helsetjeneste. Fastlegene ser den enkelte, gir behandling og råd og er koblingen videre til spesialisert behandling. Men fastlegeordningen er i krise, og den har vært det lenge – selv om helseministeren bevilger seg mer tid og vil vente og se. Halvparten av kommunene våre sliter med å rekruttere fastleger. Arbeiderpartiet mener at det allerede i og i 2019-budsjettet, var behov for strakstiltak for å sikre denne ordningen som sikrer alle tilgang til legetjenesten, og for å rekruttere flere leger inn i ordningen, sånn at de legene som er der, kan få kuttet lengden på sin pasientliste og holder seg i tjenesten. Nå søker altfor mange fastleger seg yrke. Imens etablerer kommersielle selskaper seg med legetjenester i kommune etter kommune. En nå-og-da-lege for dem som kan betale, er det Høyres løsning på fastlegekrisen? Høyreregjeringen har i sin plattform et mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Hva betyr det? Betyr det at sykehusene våre ikke er bærekraftige? Er det derfor de må kutte i budsjettene – for det må Nå legges budsjettene for neste år for sykehusene våre, og der jeg bor, må lokalsykehusene kutte 100 mill. kr – 64 årsverk – innen 1. april neste år. På Sørlandet må sykehusene kutte 178 mill. kr. Og ved Sykehuset Telemark må de betale for pasienter utenfor sykehuset – som er i hendene til private behandlere på grunn av privatiseringsreformen til helseministeren. Ambulansebaser legges ned i distriktene. Er det det regjeringen mener med et bærekraftig velferdssamfunn – lenger å vente på ambulansen? Hvis du blir syk, skal du stole på at fellesskapet stiller opp. Hvis fellesskapet ikke stiller opp, vil en del kunne betale selv, og det virker det som at høyrepartiene mener er helt fint – det bekymrer dem ikke. Men det betyr at mange vil falle utenfor, og det bekymrer Arbeiderpartiet, fordi sosial urettferdighet alltid har bekymret Arbeiderpartiet. Et bærekraftig velferdssamfunn er et samfunn for alle, ikke bare for dem som har råd. Helt til slutt – trygghet for å få helsehjelp når det haster aller mest: Krisen i luftambulansen er fortsatt Daglig rapporteres det om utmeldte fly og svekket beredskap. Forsikringene fra helseministeren til Stortinget var ikke verdt noen ting. Tre måneder etter at ny operatør har tatt over, kan man ikke lenger kalle dette oppstartsproblemer. Det blir replikkordskifte. Arbeiderpartiet har lovt og lovt ting, nærmest strødd om seg med lovnader i det siste, både i budsjett og

gratis offentlig tannhelsetjeneste, gratis SFO og skolemat vil koste mer enn dette. Regnestykket går altså ikke opp. Hvis alle løftene skal innfris, må skattene faktisk opp et sted mellom 25 og 30 mrd. kr – ikke fra dag én, men når løftene er fullt innfridd. Mener Arbeiderpartiet at det er ansvarlig politikk med en så stor skatteøkning og det å sende en så stor skatteregning til bedriftene, når det vi trenger framover, er å skape flere jobber i privat sektor rundt om i hele landet – nye, smarte, grønne, trygge jobber som skal sikre velferden framover? Arbeiderpartiet leverer sine alternative budsjett i balanse. Det har vært budsjetter som har satset på de viktigste tingene i folks liv – en trygg og tilgjengelig helsetjeneste, en velferdsstat og en offensiv næringspolitikk som gjør at vi kan etablere en ny næring i distriktene som gir inntekter. Representanten Agdestein og jeg kommer fra samme valgkrets. Vi kommer fra samme fylke også, men fylket har endret seg. Jeg leser Trønder-Avisa, og der ser jeg at hver gang regjeringen foreslår sentraliseringer, er representanten Agdestein imot. Representanten Agdestein har også vært veldig bekymret for fastlegeordningen, som jeg vektla i mitt innlegg. Så jeg er

utvalget som har sett på skatteinntektene for kraftbransjen, at det ikke er regjeringens politikk allerede nå å avklare at man vil gå videre med det. Det skal bli spennende å følge. Men situasjonen for Agdesteins uttalelser lokalt har vært den samme når det har gjeldt sentraliseringen av Nord universitet, og også når det har gjeldt budsjettet for lokalsykehusene i Trøndelag. Den

Ullevål – som har advart på det kraftigste. Tidligere administrerende direktør ved Ullevål sykehus, tidligere Arbeiderparti-statsråd Tove Strand, har vært en av de tydeligste stemmene for å utrede Ullevål som alternativ, i kombinasjon med å få Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen, ta unna kapasitet på Ahus og droppe de gigaplanene en har på på Gaustad. I det nye bystyret i Oslo er det flertall mot planene om å legge ned Ullevål sykehus. Vil Arbeiderpartiet nå støtte et forslag om å utrede Ullevål sykehus som alternativ for framtiden? Jeg forhandler ikke om byrådsmakt i Oslo. Det hadde vært morsomt, men jeg er dessverre ikke invitert i så måte. Når det er snakk om Oslo universitetssykehus-prosessen, handler jo den om man – for de neste 30 årene – skal se for seg tre akuttsykehus i Oslo eller fire. Vi mener at man i hovedstadsregionen er ekstra forpliktet til å bygge med sikte på å bruke ressursene best mulig, og den mest begrensede ressursen helsetjenesten har i dag, er tilgang på dyktige fagfolk. fagfolk. Hvis Senterpartiet ønsker at man skal ha et fjerde nytt sykehus i Oslo innenfor Ring 1, 2 eller 3 – jeg sier alltid feil når jeg prøver meg på det – vil det åpenbart ha konsekvenser for alle sykehus i resten av landet og deres tilgang på spesialister. For oss i Arbeiderpartiet haster det å få bygd Aker sykehus, og derfor bør det være framdrift i prosjektet.

et fagmiljø – traumemiljøet – som advarer på det sterkeste mot å bli splittet opp, og samtidig om muligheten til å kunne utvikle Aker som et lokalsykehus for hele Groruddalen og stoppe de gigantiske planene på Gaustad, som en både økonomisk og faglig har sterke motforestillinger mot, og som kan ramme sykehustilbudet andre steder i Helse

iver etter å få bygget flest mulig akuttsykehus i en by hvor man har muligheter til å høste større synergier av å samle regionale funksjoner, slik alle andre regionale helseregioner har gjort. Jeg skal prøve å utfordre representanten Gjelsvik på ett resonnement. Rammen for helsetjenesten i Norge – uansett hvem helseministeren er – er de faglige kravene til behandling. De skal være like gode overalt. Når traumemiljøet er så tydelig på hva de trenger for å drive nasjonalt traumesenter i det nye universitetssykehuset i Oslo, forventer jeg at Helse Sør-Øst utreder det videre, med de premissene for å bygge Dirigenten må minne om taletiden. Replikkordskiftet er omme. I forrige uke besøkte en del av oss som holder til her i salen, Svalbard. Det er

Isbreer som har ligget i mange tusen år, smelter. Permafrosten tiner, husene flytter seg, og ikke engang fjellene står like støtt. Det går ras, og de vurderer å flytte en hel bydel for å håndtere endringene. Fire grader varmere er det blitt på Svalbard – fire grader. Det gjør noe med deg å se det på nært hold, se at det allerede har skjedd, og å oppleve frykten folk der må leve med fordi klimaendringene har ført til ras og skred ikke bare fordi det er svindyrt å forhindre at det skjer igjen, men fordi det tar liv. Her på fastlandet har vi vanskelig for å ta inn over oss hvordan en varmere verden vil se ut. Men vi vet hvordan det så ut da det var kaldere. Da Norge var fire grader kaldere, var vi dekket av et to kilometer tykt lag med is. Det er det fire grader betyr. Norge endrer seg på Vi har én måned kortere skisesong nå enn da de eldste her i salen vokste opp – så alle de røverhistoriene jeg har hørt om hvor mye snø det var, og hvor tøft det var å kave seg til og fra folkeskolen, er nesten sanne. For snøen forsvinner; det var mer før. Det skjer akkurat nå, i dag, og vi får ikke stoppet det. Det er for sent. Om vi bevilger hele statsbudsjettet til klimatiltak, får vi ikke tilbake snøen. Det har allerede skjedd. Men vi lever ikke først og fremst av snø. Vi er en havnasjon, en nasjon som har levd ved og av havet i generasjoner. Det er en del av sjelen vår, identiteten vår, og det gir oss enorme inntekter. I forrige uke lanserte IPCC sin rapport om klima og havet, og der kan vi – igjen – lese at havet blir varmere, surere og mister oksygen. Det truer naturmangfoldet og norske inntekter. I Stillehavet gjør de seg klare for den ultimate utfordringen. De har livnært seg av havet – alltid – og nå er havet i ferd med å sluke øyene de bor på. Kiribati er et slikt sted. Kiribati har kjøpt en øy. Tygg litt på det: Et land har kjøpt et annet land fordi de er i ferd med å drukne. Klimaendringene gir også økt sikkerhetsrisiko. De kan bidra til borgerkrig og flyktningstrømmer eller gi grunnlag for vold og terrorisme.

Det er altså mennesker som allerede er i en sårbar situasjon, som rammes hardest av klimaendringene, ikke vi – vi lever i et av verdens rikeste og roligste land, klimaendringene fører ikke til krig eller masseflukt hos oss. Skal vi da, som oljeproduserende land, tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv? Jeg noterer meg at de som roper høyest i sosiale medier, svarer et iskaldt ja. Jeg tror ikke på egoisme. Jeg tror på å stå sammen med andre land. Vårt ansvar forsterkes av at vi er et land som har tjent oss styrtrike på fossil energi. Det er imidlertid ingen motsetning mellom en sunn planet og en sunn økonomi, men vi må forandre måten vi lever på, for å bevare livskvaliteten til folk. Det er grunnen til at denne regjeringen har gjort mye mer enn noen annen regjering på klimafeltet. Det er grunnen til at mitt gamle blågrå parti nå er blitt blågrønt. Det er grunnen til at regjeringen trapper opp innsatsen for hvert eneste år, men det holder ikke. Vi vil mer – mye mer. Jeg vil kunne se min egen datter i øynene når hun vokser opp og forstår hva jeg jobber med. Jeg vil kunne fortelle henne at jeg har gjort alt i min makt for å ta vare på landet hun skal vokse opp i. For det er ingen trussel – ingen trussel – som er større for barna våre enn klimaendringene. Det er ikke rart de tar til gatene for å få oss til å skjønne det. Vi har bare én planet – vi kan ikke gjøre som Kiribati og kjøpe en ny. Denne krisen definerer vår tid. Hvordan vi håndterer den, definerer oss. Vi skal kjempe i Norge, Vi skal kjempe i Norge, vi skal kjempe til lands og til vanns, vi skal kjempe med mot og styrke, vi skal forsvare kysten vår, naturen vår og planeten vår. Tiden er inne for å være modig. Det blir replikkordskifte. Det har vært interessant å høre Høyres representanter i denne debatten. De er fornøyd med egen innsats, beskriver ting og har ingen nye ambisjoner verken på arbeid, helse eller – nå sist – på klima. Samtidig ser vi at ulikhetene vokser i Norge. I Stavanger, min hjemby, er min påstand at Høyre tapte valget nettopp fordi de sviktet lokalt i bekjempelsen av den økte barnefattigdommen og de økende forskjellene. Derfor har jeg et litt prinsipielt spørsmål. spørsmål. Høyres logikk er tydeligvis at de rike motiveres av å få mer, de kan få skattekutt i milliardklassen, mens de som har minst, motiveres av å få mindre, nå sist med dette massive kuttet i minstelønnen til unge på arbeidsavklaringspenger: Kan representanten fra Høyre forklare hvordan denne logikken henger sammen?

I motsetning til venstresiden mener vi i Høyre at veien ut av fattigdom er gjennom arbeid og ikke gjennom trygd. Det er altfor mange mennesker som står utenfor arbeidslivet, og derfor har vi tatt grep både for å lansere en integreringsdugnad og for å få flere i jobb. Likevel er situasjonen den i Norge i dag at det vel er rundt 100 000 barn som vokser opp i familier med lave inntekter, og barn føler dette på kroppen på en helt annen måte enn det vi voksne gjør. Det er derfor vi har innført tiltak som f.eks. aktivitetskort, tredoblet pengene til nasjonal tilskuddsordning og økt bostøtten, og satser, tror jeg – hvis jeg husker dette riktig – rundt 180 mill. kr på barnefattigdom i 2019 alene. Ja, det er jo blitt klart i denne debatten at det er nettopp Høyre som har fått gjennomslag i regjeringas politikk på dette. Mitt spørsmål handler om dette med motivasjon. Hvorfor er det slik at de som har minst i dette landet, skal motiveres av å få mindre, mens de som har mest i dette landet, skal motiveres av å få mer? Denne regjeringa har jo bidratt med feil medisin for å løse de utfordringene som representanten peker på. Når en kutter i minstelønna og avkorter uføretillegget og er imot å innføre pensjon fra første krone, har ikke det hjulpet på de utfordringene som også representanten er med og trekker opp. Men jeg ønsker å stille et spørsmål om klima. Klimaendringene er jo også urettferdige, og skal en bekjempe klimaendringene, må en også bekjempe ulikhetene. Er representanten enig i det?

det grønne skiftet, er vi nødt til å ha tiltak som gjør at det ikke rammer dem økonomisk. Det må være en situasjon som gjør at du kan leve et vanlig liv. Det trenger ikke å være vondt og vanskelig å drive klimapolitikk. Vi trenger ikke å legge opp til at det blir en vanskeligere hverdag for folk flest. Jeg tror vi er nødt til å klare å kombinere det og ha to tanker i hodet

har ikke vært representert i disse utvalgene. Av 23 medlemmer i kraftskatteutvalget og Domstolkommisjonen er 20 fra større byer – ikke én kraftkommune er representert, og ikke én nedleggingstruet domstol er representert. Mitt spørsmål til representanten er om Høyre mener at det er problematisk med en sånn sammensetning av offentlige utvalg, og om regjeringen i framtiden bør endre sammensettingen og sikre distriktsrepresentasjon i utvalg, særlig når resultatet har stor betydning for distriktene. Når det gjelder kraftskatteutvalget, er det, som representanten sier, et forslag som er lagt fram, og så må vi vurdere det. Men kommunene skal ikke frarøves inntekter. Det har også vår parlamentariske leder snakket om tidligere i dag, så det ganske stor ro. Det som jeg synes er litt fascinerende når jeg hører Senterpartiet i denne salen, er hvordan Senterpartiet alltid er imot alt. Senterpartiet er imot klima, imot kabler, imot energisamarbeid, imot kvotesamarbeid, imot ting som kutter utslipp, imot å bruke avgifter for å styrke klimaet, og – som det eneste partiet i Stortinget – imot en klimaavtale med EU. De er imot styrkingen av politiet, imot styrkingen av kommunene og imot at Norge skal samarbeide med andre land. Det begynner å bli veldig mye

hvor han gikk inn for å kutte norske utslipp av klimagasser med 90–95 pst. innen midten av dette århundret. Dette skulle ifølge klima- og miljøministeren gjøres uten kvotekjøp. Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsperson, Terje Halleland, var raskt ute og kunne ikke forstå hvor Elvestuen hadde dette fra, og kort tid etter gikk også statsministeren ut og skjøt ned målsettingene fra Elvestuen. Mitt spørsmål til Westgaard-Halle er: Er representanten mest enig med klima- og miljøministeren eller statsministeren i Først vil jeg takke representanten for et svært godt spørsmål og muligheten til å oppklare eventuell uklarhet. Jeg tror vi kommer til å bli så godt som utslippsfrie i Norge innen 2050. Granavolden-plattformen er tydelig på at utslippene skal reduseres med 90–95 pst. innen 2050. Det vi derimot ikke vet, er hvordan kvotesystemet ser ut om 30 år, eller om det i det hele tatt er kvoter igjen. Derfor må det planlegges for å få til dette innenlands. Jeg tror både Erna, Ola og Terje kommer til å nyte pensjonstilværelsen i et nesten utslippsfritt Norge i 2050. Replikkordskiftet er omme. Et av Venstres hovedærender i politikken er å sikre alle barn en trygg og

Ungene er vår førsteprioritet. De skal ta over etter oss, de skal finne klokere svar enn det vi har i dag på de utfordringene vi står overfor. Barna våre er framtiden, og vi skylder dem et best mulig utgangspunkt. Det får de gjennom god utdanning og det å være inkludert i gode fellesskap. Det var Venstre som innførte folkeskolen, der rik og fattig skulle sitte ved siden av hverandre på skolebenken og lære det samme. I dag går alle barn i Norge på skolen, men forskjellene er større på to andre arenaer som har blitt viktigere og viktigere og bedre og bedre, nemlig barnehage og SFO eller aktivitetsskole. Det avhenger i stor grad av økonomi. Alle barn fortjener like muligheter. De skal ha frihet til å velge sin egen vei, og hvilke sjanser de får i livet, skal ikke avhenge av hvem foreldrene er, eller hva de tjener. Da tidlig. Kampen mot barnefattigdom og utenforskap er en frihetskamp. Venstres mål er at alle som vil, skal kunne ha barnet sitt i barnehage og på SFO eller aktivitetsskole. Ingen barn skal holdes hjemme fordi foreldrene ikke har råd til å bruke disse viktige tilbudene. Barnehage funker, og den funker spesielt bra for unger som ikke snakker norsk hjemme, eller som har foreldre med dårlig råd. I barnehagen lærer ungene språk, sosiale ferdigheter og motorikk, og de rustes bedre for skolen – og gratis kjernetid funker. For fem år siden var ett av fire minoritetsspråklige barn i barnehagealder uten barnehageplass. I 2017 var det færre enn én av fem. Nå har det gått to år til, og vi har sørget for at enda flere skal få tilbud om gratis kjernetid, altså 20 timer gratis i barnehagen hver uke.

senest bekreftet av Jonas Gahr Støre i replikkordskiftet tidligere i dag. Der fikk vi nok en gang se Arbeiderpartiets frykt for målrettede sosiale ordninger, på tross av at disse ordningene beviselig har hatt positiv effekt for de ungene som har blitt omfattet av dem. Flere går i barnehage, og med det vil også flere av de mest utsatte barna lykkes bedre i skolen og i livet videre. Jeg frykter at dersom Arbeiderpartiet kommer til makta, vil

I dag er det ingen regler for hvilken pris kommunene kan ta for SFO, og mange plasser betaler man dobbelt så mye for noen timer i SFO enn det man gjør i barnehage. Det betyr at for de familiene som har dårlig råd, blir det umulig å gi seks-sju-åtte-åringene det gode og viktige tilbudet. Der får de leke med andre unger, der får de mat, der kan de gjøre lekser og delta i organiserte aktiviteter. Jeg vil ha en SFO som er for alle, et trygt sted å være, og der barn kan kjenne på mestring og fellesskap. Det skal bygge opp under lærelyst og være en god ramme rundt skoledagen. Derfor er jeg veldig glad for at Venstre har fått gjennomslag for at det skal lages en nasjonal rammeplan for SFO – selvsagt med lokale tilpasninger – og at vi i høstens statsbudsjett starter på veien mot det som er Venstres mål, nemlig gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn fra familier med lav inntekt. Venstres oppvekstløft er en historisk satsing for de ungene som trenger det aller mest. Grunnlaget Grunnlaget for dette løftet er universelle ordninger som er tilgjengelig for alle, det har jeg lyst til å understreke. Alle har lovfestet rett til skole, alle har lovfestet rett til barnehage og SFO, og staten tar allerede en stor del av regningen for absolutt alle barn. Det Venstre gjør, er enten å redusere eller å fjerne egenandelen for dem som har minst. Det er sosialt, det er liberalt, og det er også økonomisk bærekraftig. Derfor er Venstre på lag med

Administrasjonssjefen i Lom kommune sier bl.a. til avisen Fjuken i dag: «Desse ordningane har det vore grunnleggjande politisk semje om i over 100 år, og har fungert godt i distrikts- og omfordelingspolitikk både med tanke på busetjing, næringsutvikling og verdiskaping. Det er 175 kommunar som nå risikerer å miste denne grunnleggjande føresetnaden for tenesteyting og

Nå er jeg egentlig tilhenger av at vi ikke forhåndskonkluderer på rapporter som legges fram, og bare lanserer det i et replikkordskifte her i Stortinget, men at vi faktisk går grundig igjennom den typen rapporter, ser på forslagene og tar det alvorlig. Jeg skjønner veldig godt at de kommunene som i dag er avhengig av disse inntektene, frykter hva som skal skje. Det er kommuner som absolutt føler at de trenger en slags kompensasjon for at de har bidratt til å gi oss energi. Samtidig har jeg forstått at en del av begrunnelsen for disse endringene bl.a. er at vi har et skatteregime i dag som hindrer innovasjon, og som hindrer at vi f.eks. utnytter disse kraftanleggene og får mer kraft igjen for de investeringene som faktisk er gjort. Det er viktig at vi greier å ta inn over oss disse nyansene også, at vi greier å finne løsninger som både sikrer inntekter til kommuner som som gir oss ren kraft, og også sikrer ren kraft i framtiden. Her kommer et tredje viktig tema. Jeg registrerer at Venstre liker å framstille seg som et sosialliberalt parti. I prinsippet skal da Venstre stå for en aktiv stat og for frihet for den enkelte. Men i dag ser vi mer og mer konturene av et Venstre som i en markedsliberal høyreregjering i praksis jobber mot omfordeling, trass i at de økonomiske forskjellene øker. Mitt spørsmål handler om studiestøtte og studentboliger, tiltak som er veldig viktige for utdanning for alle. Ser Venstre at stipendkuttet som de har medansvar for, gjør utdanningen mindre fleksibel og kan ramme sårbare studentgrupper? Og når studentboliger er så fundamentalt for å sikre like muligheter for å studere og køene er lange, hvorfor nøyer Venstre seg med å bygge under halvparten av de lovte studentboligene i 2019? Nok en gang takker jeg for anledningen til å få løftet tema. Jeg må bare innrømme at noe av det jeg er mest stolt over at Venstre har vært med på gjennom de seks årene vi har hatt innflytelse over statsbudsjettene, er at vi har fått et historisk stort løft for studentene. I løpet av de åtte rød-grønne årene hadde vi tre partier som satt sammen i regjering som alle var enige om at vi trengte å øke studiestøtten, men som aldri greide å få det til. Etter at Venstre kom til makta, har vi greid å få til elleve måneders studiestøtte – et løfte vi ga til studentene før vi gikk inn i regjering, og som vi faktisk greier å innfri. Det er egentlig første gang vi har fått til et skikkelig løft for studentøkonomien siden Kristin Clemet var statsråd. Studentboliger har vi også en historisk sett sterk satsing på – en mye sterkere utbygging enn da Arbeiderpartiet satt i regjering. Utfordringen vår nå er å sikre at samskipnadene faktisk får bygd de boligene som vi har satt av penger til. Vi er selvsagt klare for å bevilge mer dersom de greier å få opp farta både på planlegging og

Et annet eksempel er at Venstre, sammen med de andre regjeringspartiene, stemte ned Arbeiderpartiets forslag om en levekårsundersøkelse for studenter. Det er mange år siden sist vi gjennomførte dette, og vi trenger et oppdatert og godt grunnlag for en målrettet politikk for å bedre studentenes levekår, studiesituasjon og gjennomføring av høyere utdanning. Så mitt spørsmål til representanten Melby er: Hva er egentlig Venstres plan for å sikre like muligheter for høyere utdanning i Norge? Jeg må starte med å si at jeg ikke kjenner meg igjen i virkelighetsbeskrivelsen til representanten Sandberg, verken når det gjelder måten hun stempler regjeringen på, eller den jobben vi gjør for studenter og for studentpolitikken. Det som har vært studentenes tydeligste krav i alle år jeg har vært aktiv politiker, har vært å øke studiestøtten, få elleve måneders studiestøtte, og få opp farta på og få opp farta på studentboliger. Begge de kravene har regjeringen innfridd – og vel så det. Så tok hun opp et veldig viktig tema som handler om studenters psykiske helse. Det er også et tema som regjeringen har – og jeg vet at statsråden har det – stor oppmerksomhet på, og man har gjennomført en rekke tiltak. Jeg tror faktisk ikke at det første vi trenger nå, er enda en ny undersøkelse som forteller oss hvordan situasjonen er, men at vi trenger tiltak som styrker samskipnadenes rolle, som styrker kommunehelsetjenesten der disse studentene faktisk bor, som gjør at de får hjelp når de trenger det, der de trenger det. Nå på mandag hadde utdanningskomiteen høring om SVs forslag om å sette en stopper for nedleggelsen av lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Venstres egen minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, har avvist ethvert forsøk fra en rekke representanter i denne sal på å få henne på banen i sakens anledning, og hun har gjentatt nesten til det kjedsommelige at dette er opp til styrene å bestemme. Er representanten Guri Melby enig med sin egen minister, som under dekke av styrenes autonomi sier at vi skal overlate til styrerom å fatte statlige – ja, nasjonale – vedtak som kan rasere lokalsamfunn og svekke regioner? Takk for spørsmålet. De siste årene har jeg brukt mye tid på å reise til skoler rundt omkring i hele landet, og det er ingen tvil om at det å utdanne nok og gode lærere, å få dem til alle kommuner i hele landet, er en av de største utfordringene vi står overfor. Det er en utfordring som vi jobber systematisk med. Vi har bl.a. opprettet flere studieplasser innenfor lærerutdanning, og vi gir f.eks. mange goder til dem som ønsker å studere i Nord-Norge. Det har gitt resultater, i og med at vi har rekordhøy søkning til lærerutdanningen, noe som vil gi oss bedre tilgang på kvalifiserte lærere i tiden framover. Når det gjelder Nord universitet, er jeg helt på linje med min egen statsråd:

Det kommer ikke flere i jobb. Tvert imot har Erna Solbergs regjering satt rekord i antall uføre. Klimakrisa øker i styrke, uten at satsingen på klimaforskning og klimatiltak gjør det. Utdanning og kompetanse kan løse mange av de største utfordringene Norge står overfor, men i 2017 manglet Norge 1 000 grunnskolelærere, og mangelen øker i årene framover. Allerede i dag mangler Norge nesten 6 000 sykepleiere, ifølge Nav, og behovet vil bare øke i årene framover. At regjeringa samtidig lar være å satse på flere studieplasser og lar tusenvis av kvalifiserte søkere stå i kø, er et samfunnsproblem. Det er derfor Arbeiderpartiet har foreslått flere studieplasser i våre alternative statsbudsjetter over flere år, med særlig vekt på yrker som er viktige for velferdsstaten. Dersom Norge skal være en kunnskapsbasert økonomi og vinne på kompetanse foran pris, må vi sette flere i stand til å studere, gi dem tid til å studere og kvalitet mens de gjør det. Det haster særlig med å sikre elevene mange nok lærere i årene framover. I dag utdannes det for få grunnskolelærere, særlig for barnetrinnet, gjennomføringen i lærerutdanningen er for lav, og det er store utfordringer med å rekruttere og beholde nye lærere rundt om i landet. Dette er en utfordring for de elevene som i praksis møter lærermangelen i klasserommet, og som opplever at det er flere ukvalifiserte lærere foran tavla.

Skal elevene våre få den best mulige undervisningen i klasserommet, må de ha kvalifiserte lærere. Det burde være en tydelig målsetting for alle dem som er opptatt av å heve kvaliteten for elevene våre, å få slutt på at framtidas lærere er blant de studentene som bruker aller minst tid på studiene sine. Dessverre har regjeringa misbrukt sjansen – når lærerutdanningen øker fra fire til fem år – til å fylle den med mer innhold, mer studieintensitet og mer praksis.

inntak som favoriserer elever med gode karakterer, ikke de elevene som har behov for å kunne velge friere. For det andre er det fordi dette velger fylkene best selv. Ulike ordninger fungerer i ulike fylker. Oslo, Hedmark, Telemark og Troms er forskjellige og vet best hva som gagner elevene der. Troms er f.eks. et fylke som er 50 ganger så stort som Oslo, med en tredjedel av elevene. Å tvinge de to fylkene til å ha nøyaktig samme er ikke bare virkelighetsfjernt, det viser hvor lite regjeringa forstår av Norge utenfor regjeringskvartalet. Dersom det er sånn at Høyre vil tvinge alle fylker og alle folkevalgte til å gjennomføre samme løsning ved å sende ut et dekret fra et kontor i Oslo, kan de bare legge festtalene om skolevalg betyr i realiteten et ufritt skolevalg for de fleste. I distriktsfylkene utgjør det en direkte trussel mot en desentralisert skolestruktur, og det betyr at flere elever ikke får plass i sitt nærmiljø. Da Høyre argumenterte for regionreformen og for å tvangssammenslå fylker, var det bl.a. med begrunnelsen om mer makt og ansvar til regionene. Da er det paradoksalt at noe av det første som skjer, er at man skal tvinge alle fylkene til å styre sånn Høyre vil, og ikke sånn som lokalpolitikerne i regionen Eg melde meg til teneste i Stortinget for å betra arbeidslivet i Noreg, for å gjera noko med innleigeproblemet i arbeidslivet og med utsiktene til unge fagarbeidarar, som meg sjølv, i arbeidslivet. Eg ville gjerne bruka taletida i dag på dei store utfordringane som er i arbeidslivet, men då eg i dag tidleg såg eg at det igjen må verta budsjettkutt, arbeidsavklaringsordninga og velferd som får mine fem tilmålte minutt. Regjeringas velferdskutt har for alvor vorte sett i system. Kvar haust ventar me på nye kutt for enkeltgrupper i samfunnet. Regjeringa har i fleire år ført ein politikk mot det dei kallar ein berekraftig velferdsstat. Det har stort sett handla om velferdskutt. Ei lang rekke kutt er i har stort sett handla om velferdskutt. Ei lang rekke kutt er i enkeltpostar på statsbudsjettet, men det er òg store generelle kutt, som ABE-reforma. Totalt sett har dette medført drastiske endringar i velferdstilbodet til befolkninga. Noko av det siste i denne rekka er at regjeringa meiner at uføre og sjuke folk som vert alderspensjonistar, har for mykje pengar å rutta med. Så det er no eit kutt som står for tur. Dette heng berre ikkje på greip. Ifølgje regjeringas bakvende logikk skal det aldri lønna seg å verta sjuk og ufør. Det betyr i praksis at ein alltid, uansett, skal vera den som har aller, aller minst. Bak retorikken om at det skal lønna seg å jobba, rettferdiggjer regjeringa kutt etter kutt etter kutt. Det finst inga forsking som seier at ein kjem fortare i jobb eller at ein vert fortare frisk om ein får mindre. Dette er ein oppdikta motivasjon, som regjeringa har funne på. Eit av dei mest alvorlege kutta som er gjennomført, er i ordninga med arbeidsavklaringspengar. Resultata har verkeleg begynt å visa seg no. Folk har vorte sett under forsørgjaransvar av ektefellen sin. Dei er overførte til kommunane sine sosialbudsjett, og Dei er overførte til kommunane sine sosialbudsjett, og folk står i karantene i eitt år utan vidare avklaring. Alt dette verkar heilt motsett av intensjonen og det som er målet, nemleg raskare avklaring og å få fleire ut i jobb. I dag vakna me opp til ein budsjettlekkasje om endå større kutt for den same gruppa. Og dette er ikkje berre litt. Det er snakk om 68 000 kr i året i kutt av ei allereie låg inntekt. Regjeringa meiner at dei som er under 25 år, skal kunna leva av 130 000 kr på eit år, som skal dekkja både utgiftene dei har til medisinar og levekostnader. Dei har heller ikkje moglegheit til å jobba. Tusenvis av personar er ramma. Folk vert førte ut i ingenting, utan å vera klare for arbeidslivet, utan å vera klarerte for uføretrygd, utan å ha nokre som helst verktøy for å kunna betra situasjonen sjølve. Dette er velferdsstaten Noreg i dag. Ja, han er nesten ikkje verd å kalla ein velferdsstat lenger, for det sikkerheitsnettet som ein gong tok vare på folk i ein vanskeleg situasjon i livet, er ikkje der lenger. Viss du vert sjuk no, får du servert ein tidsfrist for å verta frisk – tre år får du til rådvelde i eit seigt Nav og eit helsevesen med lange køar og ventelister. For at me skal få fleire folk inn i arbeidslivet, må me investera i dei. Me må sørgja for at det offentlege yter den tenesta som skal til for at folk skal kunna jobba, på ein måte som faktisk fungerer for folk. Den politikken som regjeringa har ført no i fleire år, og som berre ser ut til å eskalera, fungerer ikkje. Regjeringa klarer ikkje å gjera noko med talet på uføre. Fleire tusen menneske er førte ut i fattigdom som følgje av kutt i arbeidsavklaringspengar. Kan nokon frå Høgre svara meg på kor den forskinga eller den eksperten er eksperten er som beviseleg seier at det å gjera folk fattigare eller å setja dei i karantene fører til at dei vert fortare friske eller kjem i jobb? Det føles nødvendig, som første taler etter siste taler, annonsere at velferdsstaten fortsatt er her. Den eksisterer. Vi lever i den hver dag, og den tjener oss godt. Det har aldri vært velferdsstatens mål at det skal lønne seg å falle ut av arbeid. Det har vært velferdsstatens mål at det skal være et sikkerhetsnett, og det er det. Vi vet hvor vi skal. Vi skal inn i en mer komplisert framtid der kompetanse blir viktigere. Vi skal inn i en framtid der de ekstraordinære inntektene blir lavere og det blir viktigere å skape lønnsomme arbeidsplasser. Vi skal inn i en framtid der vi må redusere utslippene, men samtidig trygge velferden. Vi skal inn i en framtid der vi ikke kan være oss selv nok. De mulighetene vi har til å bidra til det grønne skiftet, må vi benytte og dele med andre. Og for en fra Askøy er det umulig å la være å si: Vi må få en framtid der alt vann i dette landet er trygt. Vi er faktisk på rett vei. Arbeidsledigheten er på et bunnivå. Sysselsettingsgraden har økt. Tajik: Den har økt. Det er helt rett at i 2008 hadde vi den høyeste sysselsettingsgraden vi noen gang hadde hatt. Så falt den. Selv da Hadia Tajik var kulturminister, falt den. Og så falt den og falt den. Men siden 2016 har den reist seg igjen og er på vei opp. Det er første gangen den har reist seg på den måten siden før finanskrisen i 2008. Så vi kan være stolte av at stadig flere kommer i arbeid. Dagpengeutbetalingene har, det siste året det har blitt telt, sunket med 3 mrd. kr, og lønnsutbetalingene har steget med 58 mrd. kr. Færre får trygd, og flere får lønn. Frafallet i utdanningen har gått ned, og dermed økes vår felles kunnskaps- og kompetansebase. Denne kompetansebasen er framtidens verdiskaping og velferd, og den styrkes gjennom en økt satsing på forskning. Fossile utslipp er på vei ned. I august i år brukte vi nær 24 millioner liter mindre drivstoff enn i fjor, til lands, til vanns og i luften, eller – om man vil – over 80 millioner liter mindre enn det vi gjorde i august det siste året med rød-grønn regjering. Det skyldes ikke bare elbiler. Utslippene fra sjøsektoren faller også, bl.a. på grunn av en unik satsing på utslippsfrie ferger. Det går rett vei, men ambisjonene skal selvsagt være større for framtiden, og de har vi lagt fram her. Det går rett vei, men likevel ber man om en ny kurs. Jeg vil si: I stedet for å endre kurs må man kjøre på – eller sette seil, for å bruke et mer klimavennlig bilde. I oljesektoren har man foreslått en av de største omstillingene vi har sett. Noen sier vi bør ha oljeskam, jeg mener vi bør ha oljestolthet – stolthet stolthet over de verdiene, den velferden og den jobben oljearbeiderne gjør, ikke skam. Som alternativ til denne politiske retningen gis til tider det jeg vil kalle en Harry Potter-aktig politisk tilnærming: Man tror at dersom man finner noe man ikke er fornøyd med, peker på det og sier den magiske besvergelsen «regjeringen!», vil det på magisk vis forsvinne. Men slik er ikke virkeligheten.

Men de fleste forslagene som er kommet fra opposisjonen på dette området de siste to årene, har ikke dreid seg om å øke rommet for investeringer i bedriftene eller gjøre det mer attraktivt å komme i arbeid. Nei, de fleste forslagene har gått ut på å redusere investeringsevnen gjennom høyere skatter, å gjøre det lettere å stå utenfor arbeid, og å fortelle oss hva vi ikke skal leve av – om det nå er havbruk, gruvedrift, oljeleting, gassutvinning og nå sist også vindkraft. Alt dette ville ha gitt høyere utslipp, lavere inntekter og mindre velferd og en redusert kunnskapsbase. Man peker på problemet, men gir ingen løsning eller kur som er verre enn sykdommen. Senterpartiets oppførsel i denne salen er nå som om de forsøker å overta logoen til en organisasjon som heter MOT – mot, Men jeg skal love at organisasjonen MOT er langt mer konstruktiv i sin tilnærming til sin virksomhet enn det Senterpartiet er. På mitt område, fiskeri, har vi opplevd noe ganske underlig i det siste, der den fiskeripolitiske talspersonen for Senterpartiet nå to ganger har forsøkt å komme med konkrete forslag og alternativer. Et av dem har han tilbakevist selv, og det andre har hans partikollega, som er leder av næringskomiteen, tilbakevist for ham. Tryllestaven ble hevet, men besvergelsen slo tilbake mot besvergeren. Vi må fortsette omstillingen

vann. Representanten Henriksen mente at det manglet gnist i regjeringen. Er det én ting som jeg er uenig med ham i, er det vel det. Gnist er det i hvert fall mye av! Igjen har vi en debatt i Stortinget hvor det aller meste fra opposisjonen handler om hvor forferdelig trist og leit alt er i dette landet. landet. Som tidligere landbruks- og matminister opplevde jeg da jeg reiste rundt i distriktene og rundt omkring i hele landet at det var fantastisk mange herlige mennesker som hadde tro på det de drev på med, og som syntes at det var flott og fantastisk å få lov til å drive ute i distriktene. Det går heldigvis godt i norsk økonomi. Arbeidsstyrken vokser, sysselsettingsandelen øker, og fire av fem nye sysselsatte har kommet i privat sektor. Det har blitt 42 000 flere sysselsatte i privat sektor, hvor verdiene skapes. Mange av disse arbeidsplassene hører til i oljerelaterte næringer, og dette vil jeg komme tilbake til. Svært mange i Norge er avhengige av bilen for å komme seg til jobb, hente og levere i barnehage og gjøre innkjøp til seg og familien. Det er ikke alle steder det finnes et velfungerende kollektivtilbud, og det er heller ikke alle som har en arbeidstid som gjør at man kan benytte seg av det hvis det finnes. Jeg er derfor glad for at vi har Dette gjør at flere har mulighet til å kjøpe seg en ny, driftssikker og mer miljøvennlig bil. CO 2 -utslippet fra nye biler ligger nå på et snitt på ca. 60 gram, ned fra 123 gram i 2013. Lavere avgifter virker. Gulrot er svaret, ikke pisk. Bilavgiftene er fortsatt for høye i Norge. Jeg vil fortsette kampen for å kutte dem ytterligere. Eiendomsskatten er usosial. Den tar ikke hensyn til inntekt, gjeldsbelastning eller livssituasjon. Vi vet at norske kommuner har et effektiviseringspotensial som er ganske stort. Når eiendomsskatt på boliger i snitt ikke utgjør mer enn 1,6 pst. av kommunenes inntekter, burde det være rikelig rom for kutt. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å senke eiendomsskatten, først til 5 promille fra 2020 og videre til 4 promille i 2021. Vi har fortsatt en vei å gå, og det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet ønsker å Når stortingsflertallet har sendt en tydelig beskjed om at vi ønsker lavere eiendomsskatt for folk, er det provoserende å se at rød-grønne lokalpolitikere i bl.a. Oslo og Trondheim motarbeider Stortingets intensjon ved å senke bunnfradraget. Dette framstår særlig utrolig i Oslo, som ville gått med 2,7 mrd. kr i overskudd selv uten eiendomsskatten. Ved å senke bunnfradraget sender man regningen til dem som har minst fra før.

tar til orde for å legge ned oljenæringen, som både sysselsetter omtrent 200 000 mennesker, og som gir enorme inntekter til staten. Dette er penger vi bruker til velferd. Det eneste som vil skje ved å legge ned næringen, er massearbeidsledighet og mindre velferd. Men ikke nok med det, andre og langt mindre demokratiske land enn Norge vil øke oljeproduksjonen, og dermed vil verdens utslipp gå opp. Er det virkelig noen her som tror at Russland og Saudi-Arabia vil kutte sin oljeproduksjon bare fordi vi gjør det? Utslippene fra bransjen i Norge er omtrent halvparten av de globale utslippene fra utenlandsk petroleumsvirksomhet. Jeg vil utfordre de politikerne som ønsker å avslutte det norske oljeeventyret, med følgende spørsmål: Hvilke såkalte grønne arbeidsplasser kan både sikre velferden på kort og lang sikt i Norge og samtidig sørge for at verdens totale utslipp går ned? Ekstra spesielt er det da at Senterpartiet av alle vil samarbeide med de partiene som skal legge ned oljenæringen. Vi vet at mange av gårdsbrukene rundt omkring i landet ikke er bærekraftige i seg selv per i dag, og at de som driver disse, er helt avhengige av andre inntekter. Det er god grunn til å anta at mange av disse henter inntektene sine fra oljerelatert næring, som de rød-grønne altså skal legge ned. Det vil føre til en rasering av Distrikts-Norge. Man kan jo lure på om Senterpartiet nå synes det er greit at mange av de mindre gårdsbrukene legges ned, og at de som har drevet familiegårder i generasjoner, flytter fra disse og inn til byene for å gå på Nav. Olje- og gassvirksomhet i Norge er vår viktigste næring. Til alle dem som nå bruker en Facebook-ramme hvor det står «Stolt Oljearbeider», og til alle andre i bransjen vil jeg si: Dere har min fulle støtte, og tusen takk for den viktige jobben dere gjør. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Representanten snakket varmt om tiden da han var landbruksminister. Det var også da han var med på å legge grunnlaget for den saken vi behandlet i vår om nedleggelse av pelsdyrnæringen. Arbeiderpartiet var enig med Fremskrittspartiet om å styre avviklingen av men én ting vi var grunnleggende uenig med Fremskrittspartiet om, handler om hvordan man skal behandle mennesker som må bære konsekvensen av politikk vedtatt i denne salen. Siden det har vært en debatt, også fra representanter fra Kan representanten Hoksrud på vegne av denne koalisjonen garantere at ingen familier skal kunne havne i økonomisk ruin som følge av en for dårlig kompensasjonsordning? For det første har jeg lyst til å si at dette er viktig, og at de som er innenfor pelsdyrnæringen, er mennesker som er i en vanskelig situasjon. Jeg har ikke tenkt å stå her og garantere, men jeg regner med at representanten fra Senterpartiet, som er enig med Fremskrittspartiet i utgangspunktet,

for de menneskene som nå mister muligheten til å kunne fortsette å drive med pelsdyrhold. Jeg representerer Arbeiderpartiet. Jeg tror representanten vet det veldig godt. Men jeg lurer på: Når man går så høyt på banen – da må man jo kunne kalle det krokodilletårer når man går ut og raser mot hvordan disse menneskene nå blir behandlet – burde man også kunne stå opp slik at man faktisk får gjennomslag politisk, og ikke bare springe rundt og fortelle oss at dette er grusomt. Ja, det er forferdelig at familier skal bli ruinert på grunn av politikk vi vedtar her i Stortinget. Jeg vil spørre på nytt: Hva er det Fremskrittspartiet nå har fått til siden man tar opp denne saken på nytt? Hva vil komme av tiltak som vil sikre at man ikke vil se at disse familiene blir ruinert? Jeg var så giret på og regnet med at det var Senterpartiet at jeg bare dro på. Sånn hender det av og til at det er. Men Arbeiderpartiet har jo ønsket dette som Fremskrittspartiet ikke ønsket. Vi har ikke ønsket å legge ned denne næringen, men vi er opptatt av å finne gode løsninger, og det jobber vi med. Jeg ser at vår næringspolitiske talsperson er veldig opptatt av å sikre at man får på plass en god ordning som ivaretar dem som har drevet innenfor denne næringen, på en god måte.

sa at grunnen til at regjeringa ikkje hadde brukt 12 mrd. kr på sjukehus, som ein hadde lovt i ein valkamp, var at regjeringa nådde målet med 9 mrd. kr. Då er spørsmålet kva målet er, og om representanten og Framstegspartiet er einig i dette. For i Helse Møre og Romsdal er iallfall målet no å kutta 85 mill. kr årleg. Det har ført til vedtak om å kutta anestesiberedskapen i Kristiansund, ein skal slå saman sengepostar i Molde og Ålesund, det har kome forslag om ein einmannsambulanse i Geiranger Så spørsmålet til representanten er om Framstegspartiet aksepterer desse kutta og om han er einig i dette. Tusen takk for spørsmålet. Fremskrittspartiet har ikke satt noe beløp, som representanten tar opp når det gjelder Høyre. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal sikre gode helsetjenester til alle innbyggerne våre i hele landet. hele landet. Derfor er vi opptatt av og jobber for å styrke helsebudsjettene for å få en god sykehusøkonomi og gode tjenester. Og det aller viktigste er faktisk å sikre tjenester til alle innbyggerne. Så er det jo morsomt at et parti som har lagt ned flere fødeavdelinger og flere fødestuer, nå i opposisjon plutselig ønsker å bruke mer penger enn enn de gjorde da de satt i posisjon og la ned disse tjenestene. Det passer veldig bra med den litt joviale stemningen her. Det er kanskje nettopp denne joviale og smilende, fartsglade representanten som lettest markedsfører de liberale ideene med motorveier, høyere fart – helst 110 km/t, 130 km/t – vannscootere, snøscootere, liberalisert motorferdsel i utmark og vann osv. Har ikke representanten på noen måte tatt inn over seg at motorveier framfor jernbane, høy fart og dermed høyt energiforbruk kommer i konflikt med to av de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor, og som har fått hvert sitt vitenskapelige panel i FN – klimapanelet og naturpanelet? Skal denne representanten virkelig ikke ta inn over seg disse spørsmålene, men heller satse på fortsatt tut og kjør, med mer fart og spenning for de få, og at alt skal

virkelig røre representanten Nævra å se at her gjør man ting som ivaretar det han står for, samtidig som det ivaretar det jeg er opptatt av, nemlig trafikksikkerheten, sørge for sikre, trygge veier, sørge for at folk kommer raskt og effektivt fram, at vi har tog som går og kommer når de skal – ikke sånn som det var de åtte årene med en rød-grønn regjering. Da var det masse forsinkelser, masse problemer med jernbanen. Nå har vi kjempetrøkk, og det er altså 75 pst. mer til samferdsel. Det betyr at da kommer jernbanen til å gå, og vi får skikkelig gode motorveier som er trafikksikre og gode for folk. Kan jeg få fem replikker til? Der var replikkordskiftet omme.

I Norge tenker vi på demokrati som trygt og godt og innrammet gjennom maktfordelingsprinsippet, et ansvarlig partisystem og et konstruktivt og demokratisk sivilsamfunn. Jeg vil understreke partienes betydning. Partiene ivaretar en kvalitetssikring av helhetlig politikk og kandidatvalg. En del av vårt oppdrag er selvsagt å fremme våre egne partier, være lure og selge budskap på en slik måte at de går hjem. Men vi skal være både statskvinner og statsmenn, og det

må man ofre litt partistrategi, men det har vært tradisjon å ta en for laget i slike saker som pensjonsforlik, skatteforlik og rovdyrforlik, for å nevne noen eksempler. Resultatet blir også best på den måten. På mitt felt burde det f.eks. ha vært et bredt forlik både om kommunereform og regionreform, iallfall blant alle dem som mente at noe burde gjøres. Jeg kjenner meg litt urolig for at den tradisjonen til landets beste er i ferd med å bli historie. Det synes iallfall jeg er trist og ikke i tråd med den helhetlige oppgaven vi som medlemmer i landets nasjonalforsamling er satt til å skjøtte. Jeg forventer ikke at de som kjemper for revolusjon, skal se seg tjent med brede forlik, men jeg forventer f.eks. at Arbeiderpartiet, som et ansvarlig styringsparti gjennom mange år, ikke kaster denne

også her i landet. I forrige måned tok Human-Etisk Forbund til orde for en offentlig utredning om spørsmålet. Min partileder var raskt ute med å avvise dette. I stedet for å diskutere om leger skal hjelpe folk til å ta sitt eget liv, må vi snakke mer om en verdig alderdom, og om hvordan vi skal slå ring om menneskeverdet også når livet er på sitt vanskeligste. Vi forstår at et menneske med store smerter og ingen utsikter til bedring kan tenke at det hadde vært befriende å få en sprøyte som satte punktum. Men idet et samfunn sier ja til dette, endrer noe seg dramatisk i synet på menneskeliv og menneskeverd. En offentlig utredning ville fort være første steg i retning av en legalisering av dødshjelp. Dette er et verdivalg av prinsipiell og samfunnsendrende karakter, og vi trenger ikke en slik utredning med mindre samfunnet har bestemt seg for å åpne den slusen. Det vil Kristelig Folkeparti med klar stemme kjempe imot. Å åpne for aktiv dødshjelp vil ta samfunnet vårt i feil retning. Dersom aktiv dødshjelp skal være et tilbud fra helsevesenet, innebærer det at helsepersonell skal vurdere når et liv ikke lenger ikke lenger er verdt å leve, og dødshjelp kan innvilges. Spørsmålet for den enkelte blir fort: Når er mitt liv ikke lenger verdifullt? Kristelig Folkeparti ønsker ikke et samfunn som skiller mellom verdifulle liv og andre liv. Menneskeverdet er absolutt. Saken med barn av mødre som har sluttet seg til IS, er et slikt spørsmål som er verdibasert. Det er komplisert, men er det etter Kristelig Folkepartis syn utvilsomt det etisk riktige å hente barna, som endatil har norsk statsborgerskap, hjem, sammen med mødrene, og straffeforfølge mødrene i Norge. Det siste jeg vil si noe om, er proposisjonen om tilbakekalling av statsborgerskap. Der er Kristelig Folkeparti glad for at det er en skikkelig barn og barnebarn ikke skal lide for foreldrenes feilgrep, og at rettssikkerheten og forholdsmessighetens vurdering ligger solid til grunn. Det blir replikkordskifte. Barnefattigdommen i Norge har økt hvert eneste år siden 2013. Det gjelder både for replikkordskifte. Barnefattigdommen i Norge har økt hvert eneste år siden 2013. Det gjelder både for unger i husholdninger med vedvarende lavinntekt og for unger i husholdninger med lavinntekt det siste året. Samtidig melder kommunene at utgiftene øker mer enn inntektene, og at man har begynt med harde prioriteringer og kuttforslag. Med sånne forutsetninger er det vanskelig å prioritere penger til f.eks. billigere SFO, økt søskenmoderasjon, skolemat og billigere fritidstilbud – som alle er viktige kommunale bidrag for å gjøre hverdagen bedre for familiene med dårligst råd. Deler Kristelig Folkeparti bekymringen for at dårlig kommuneøkonomi går ut over ordninger som kunne ha hjulpet fattige unger? Bekymringene
– alle skal ha like muligheter i samfunnet vårt. En ser ganske klart at i familier der de voksne ikke kan gå ut i jobb, lider barna. Derfor må man se på ordninger. Til kommuneøkonomien: Det er klart – det er det samme som med familieøkonomien – at det kan være en begrensende faktor. Da må man se på se på helheten. Det gjelder å prioritere. Kristelig Folkeparti vil være en garantist for at man skal prioritere penger til dem som trenger det mest. Jeg hører at representanten Bransdal snakker om at det viktigste er å sørge for at foreldre er i jobb. Det er Arbeiderpartiet helt enig i, det er det aller i tillegg til å sørge for at kommuneøkonomien er bra, sånn at kommunene kan tilby universell velferd for alle. Men Kristelig Folkeparti i regjering har vært med på en rekke usosiale kutt, bl.a. i AAP, noe som ikke har fått flere i jobb, men som heller har ført flere over på sosialhjelp eller uførhet. Kommuneøkonomien er heller ikke et unntak. Mange steder i landet utgjør f.eks. frivilligsentralene et viktig gratistilbud for barn og unge – nettopp i den målgruppen som vi snakker om her. Men nå får over 70 pst. av frivilligsentralene gradvis mindre å rutte med framover. Bekymrer det Kristelig Folkeparti at dette vil gå ut over barn og unge i en allerede vanskelig situasjon? Vi som politikere er satt i en situasjon der vi lager ordninger for dem som ikke har så høye stemmer at de kan rope ut for seg selv. Representanten tar fram en del ordninger som er klart bekymringsfulle, og som vi som politikere skal ha fokus på. Frivilligsentralene er en av dem. Der gis det et godt tilbud. Tilskuddet har økt kraftig de senere årene. Det er stor enighet om at man skal ha mindre øremerkede tilskudd. Nå er det en overgangsordning, og det gjelder at man faktisk prioriterer der ute. Er det dårlige eller feil kriterier når det gjelder

det. Det var så god stemning her i sted, så jeg håper det er greit at jeg drar på med litt ros, siden jeg er opposisjonspolitiker. Aller først vil jeg gi ros til representanten Bransdal fordi hun peker på de store, flotte og fine forlikene vi har hatt i Norge. Hun minner oss om det. Så vil jeg rose Kristelig Folkeparti for at de alltid har vært med på veldig mange av viktige forlikene vi har hatt for å løfte distriktspolitikken. Og sist, men ikke minst, vil jeg rose Kristelig Folkeparti for at de her i dag klart har slått fast at de ikke vil støtte den ekspertrapporten som kom, om å legge ned to av tre tingretter. Hva så da med den andre ekspertrapporten som har kommet denne uka, som er enda mer distriktsfiendtlig, nemlig den fra kraftskatteutvalget, som vil rasere 157 kraftkommuners økonomi? Hva mener Kristelig Folkeparti og ikke minst representanten Brandsdal, som er kommunalpolitisk talsperson, og som har vært ordfører i 18 år, tror jeg, i kraftkommunen Vennesla? Det fortjener også ros. Hva mener Bransdal og Kristelig Folkeparti – vil de ikke støtte den rapporten? Presidenten minner igjen om at taletiden i replikkordskiftet er 1 minutt. Først må jeg si at det er en ekspertrapport. Det er ikke regjeringens politikk. Det skal diskuteres. Kristelig Folkeparti har på et tidlig tidspunkt vært veldig tydelig på og sagt at rapporten i den formen den foreligger, støttes ikke. I stedet for å se på at man skal ta penger fra kommunene,

nå står svakt. Samtidig er Kristelig Folkeparti med i en regjering der det å mistenkeliggjøre andre, der det å sette spørsmåltegn ved andres religion, har fått stor plass. Representanten fortalte at hun er glad for statsborgerskapet – at barn som nå vokser opp i Men disse barna blir fortsatt utsatt for mistenkeliggjørende retorikk fra regjeringspartiene. Er Kristelig Folkeparti bekvem med dette? Det er ingen som burde være bekvemme med dette. Kristelig Folkeparti er tuftet på en politikk der alle mennesker er like mye verdt. Det tror jeg hele regjeringen står bak med en politikk der alle skal ha like muligheter, og der ingen skal mistenkeliggjøres ut fra noe som helst kriterium. Så vi kan stå sammen i den kampen. Replikkordskiftet er omme.

Når eg ser tilbake på mine seks år her på Stortinget, kva er det som kjenneteiknar desse åra? Jo, brannslokking og kjemping mot nedlegging og sentralisering. I periodar har det knapt nok gått ei veke mellom kvar gong eg opnar lokalavisa i fylket mitt og finn noko nytt som skal leggjast ned trafikkstasjonar, rehabiliteringsinstitusjonar, akuttfunksjonar eller ambulansestasjonar. Denne veka er det tingretten og jordskifteretten i heimkommunen min som står for fall, viss ikkje vi i opposisjonen får stoppa det. Nokre lokalsamfunn får alt på ein gong. Mitt distrikt er eitt eksempel, Sandnessjøen er eit anna eksempel. Regjeringa, konsulentane og ekspertutvala forsvarar dette med teknologisk utvikling, urbanisering, snakk om fødselsunderskot og forgubbing, om flyttetrendane som berre går éin veg, inn til byane, som om det var noko naturgjeve. Ja, det er mange som flyttar til og bur i byar, og det er heilt flott, ikkje eit vondt ord om asfalt og betong eller raljering om urbanistar med elsykkel. Det kan andre parti ta seg av. Mitt poeng er dette: Det er ikkje umoderne å ville bu i distrikta. Det som er umoderne, er å sjå på bygdesamfunn og folk som bur der, som annanrangs. No vil kanskje nokon seie at eg driv og set opp stråmenn, at det ikkje er nokon som har sagt dette, og det ikkje er nokon som meiner det. Jo, men sjå berre på argumentasjonen kvar gong noko skal sentraliserast i Noreg. Då er det tenestene i distrikta som manglar kvalitet, kompetanse og fleksibilitet, det går ikkje an å rekruttere der, og fagmiljøa er ikkje robuste nok. Denne tankegangen må ta slutt. Det skal bu folk i dette landet, i heile landet. Det skal vere lys i husa. Folk må få bu der dei ønskjer, der dei har røtene sine, der dei ser potensialet for å leve gode liv. Det handlar om ein kvalitet vi kallar fridom. Då må politikken følgje opp. Dagens regjering har dessverre svikta fundamentalt og opna slusene for sentralisering. Arbeidarpartiet vil markere tydeleg at det er på tide å satse på distrikta og vise tillit og respekt til alle som bur der. ovanfrå og ned-styring og storstilt sentralisering har ikkje gjeve betre tilbod til befolkninga. Det er avleggs politikk, det er ein styringsideologi som bør skrinleggjast av alle parti. Skal det bu folk i dette landet, i heile landet, må det også vere tenester nært der folk bur, likeverdige tenester med fullverdige funksjonar, og det må vere arbeid. Eg er overtydd om at flyttestraumane ut av byane hadde vore langt større viss berre politikken hadde lagt til rette for det. Difor må vi flytte arbeidsplassar ut frå Oslo. Vi må etablere nye utanfor byområda. Vi må føre ein næringspolitikk for vekst og i heile landet, byggje ut høghastigheitsbreiband, som Arbeidarpartiet har føreslått ei sterkare satsing på enn noko anna parti. Vi må satse meir på desentralisert utdanning og styrkje moglegheitene for å bu i Distrikts-Noreg når ein er ferdig utdanna, styrkje regionale utviklingsmidlar for vekst og utvikling, sørgje for at ressursane i distrikta kjem distrikta til gode og gjev verdiskaping og arbeidsplassar lokalt, anten det er snakk om kraft, fisk, mineral, skog eller jordbruk. Historia om det desentraliserte Noreg er ei suksesshistorie. Det er summen av det vi skapar i heile landet, som er grunnlaget for vår velstand, for vår velferd. Eit land med arbeid og busetjing over heile landet er fundamentet for eit sterkt fellesskap og for vår felles identitet. Framtidstru lokalt gjer Noreg betre nasjonalt. Difor er Arbeidarpartiet både byane og distrikta sitt parti, for i generasjonar har vi vist at Noreg lukkast best når vi står saman, by og land. I år er det femti år siden Neil Armstrong satte en fot på månen. Syv år tidligere sa president John F. Kennedy at de skulle dra til månen – ikke fordi det var lett, men fordi det var vanskelig. USA skulle ikke være en del av utviklingen, men lede utviklingen. Det ble starten på en teknologisk utvikling der industribedrifter og kompetansemiljøer ble mobilisert til å bidra med løsninger som ledet til et lite skritt for mennesket og et stort steg for menneskeheten. Representanten Lysbakken etterlyste en samfunnsplan for det grønne skiftet i sin tale. Da de rød-grønne lanserte sin månelanding, et fullskala CO 2 -rensingsanlegg på Mongstad, minnet det om den samfunnsplanen Sovjetunionen hadde for bemannet ferd til månen. Men i likhet med